Ja, president, det er

og vokste opp på Tromøya ved Arendal. Fra 1946 var han bonde i Gjerstad. Ved siden av var han klokker i Tromøy menighet i mer enn 30 år og lærer i folke- og framhaldsskolen i mer enn ti år. Vågsnes hadde i alle år et sterkt lokalt engasjement i både menighetsliv og organisasjonsliv, og i lokalpolitikken hadde han en rekke verv innenfor mange ulike fagfelt. I 1951 ble han valgt inn i Tromøy kommunestyre, hvor han senere var medlem av formannskapet. I åtte år fra 1963 var han fylkestingsrepresentant for Aust-Agder. Høsten 1946 var han med på å stifte Aust-Agder Kristelig Folkeparti, og noen år senere lokallag av partiet på Tromøya, der han selv også ble lagets første formann. Hans landbruksbakgrunn førte ham også inn i representantskapet i Norges Bondelag og som ordfører i Norske Eggsentraler. I 1973 ble Johannes Vågsnes valgt inn på Stortinget, et verv han hadde i tolv år. I alle disse årene var han medlem av den daværende kommunal- og miljøvernkomiteen. Det var dette som ble hans arena, og her gjorde han en solid innsats. Han var sterkt miljøinteressert og opptatt av lokalforvaltning og Sine interesser på disse områdene fortsatte han også med etter at stortingskarrieren var over. Han var bl.a. medlem i Rådet for Distriktenes Utbyggingsfond, leder i Rådet for Hardangervidda og medlem i styret for Norges Bank, avdeling Arendal. De som arbeidet sammen med Johannes Vågsnes i Stortinget, husker ham som en som utførte oppgavene han fikk på en grundig og ordentlig måte. Han sto opp for det han trodde på, og våget å stå for egne meninger. Vi minnes Johannes Vågsnes for hans virke i Stortinget, og lyser fred over hans minne.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

så jeg ber om at vi inntil sak nr. 1 er behandlet, er beslutningsdyktige. Det skal velges to medlemmer og to varamedlemmer til valgkomiteen, og presidenten ber om forslag.

til valgkomiteen. – Andre forslag foreligger ikke, og presidenten forutsetter at det kan stemmes på vanlig måte. Aksel Hagen ber om ordet. Han har kommet på andre tanker. Det står feil i papirene – der står det Rannveig Kvifte Andresen. Men det er – som jeg sa, tror jeg – Karin Andersen som er forslaget vårt, ved siden av Audun Lysbakken.

Før dette hadde han vært innlagt i fem uker på et lokalt sykehus et annet sted i landet, der helsepersonell hadde forsøkt å redusere hans intense smerter så godt de kunne. De hadde prøvd det meste. Han har levd i et smertemareritt i seks år. Personalet på lokalsykehuset hadde forsøkt å få ham overført til et bedre behandlingstilbud og hadde vært i kontakt med flere regionsykehus for å høre om de kunne ta imot pasienten. men bare poliklinisk. Han ble derfor innlosjert på pasienthotellet. Fordi han var avhengig av pleie, måtte hans mor fly til Oslo fra en tredje landsdel for å innlosjeres på sønnens dobbeltrom på hotellet. Denne unge mannen har kone og flere barn, og smertene er i ferd med å ødelegge hele familien. Han klarer ikke å være far for sine barn og opplever at situasjonen i praksis er en belastning for hele familien, og han er selv dypt deprimert. På Rikshospitalet fikk han et par polikliniske timer innimellom andre allerede oppsatte pasienter, og på morgenen den tredje dagen ble han fraktet tilbake til sitt lokalsykehus. Der er han fortsatt innlagt, uten noe godt tilbud, og uten at smertene er behandlet. Han venter på ytterligere utredning av sine smerter samt et bredt tverrfaglig tilbud. Dette er historien om en pasient som trenger et behandlingstilbud som ikke eksisterer i Norge i dag. Hans historie er dessverre ikke unik, det er mange i hans situasjon. I dag er det ingen som vet hvor mange som er såpass sterkt smerterammet som denne mannen, og det er bl.a. derfor behandlingsmiljøene etterspør et kvalitetsregister. Men vi vet at en stor andel av befolkningen har langvarige smerter og er storforbrukere av helsetjenester og trygdeytelser. Dette er en sammensatt gruppe av mennesker med ulike historier og sykdomsbilder. Det er kreftpasienter, det er pasienter med muskel- og skjelettlidelser, og det er pasienter som har psykiske og somatiske lidelser. Det er sterke historier om mennesker som har store belastninger og betydelig redusert livskvalitet. Forfatter Mette Grøholdt skrev en prisbelønnet kronikk for en stund tilbake hvor hun beskrev en opplevelse av å være en av de stumme plagede de som ikke konkurrerer med akuttragediene i løssalgsavisene, og som ikke er synlige i helsevesenets prioriteringer. Mange av dem er helbredet for alvorlig sykdom, men er allikevel ikke friske. Mange av disse pasientene blir langvarig sykmeldt, utstøtt av arbeidslivet og får dårlige levekår som forverrer situasjonen. I den store undersøkelsen Pain Proposal fremgår det at 25 pst. av kroniske smertepasienter oppgir at de har mistet jobben på grunn av smertene.

Forekomsten av kronisk smerte hos barn og ungdom er dårlig kartlagt i Norge, men noen kartlegginger tyder på at stadig flere barn sliter med smerter, og at stadig yngre aldersgrupper rammes. En studie av 12–15-åringer i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag viser at 17 pst. var regelmessig plaget av hodepine, magesmerter, ryggsmerter eller smerter i armer og ben. Forbruket av smertestillende medisiner blant 15–16-åringer er høyt og har steget betydelig de siste ti årene. Langvarig smerte rammer altså en stor del av befolkningen. Nesten uansett omfang av smerteproblematikk møter de et helsevesen som mangler kompetanse og behandlingstilbud. De med omfattende smerteproblematikk opplever ofte langvarig sykehusopphold, uten å få et tilfredsstillende resultat. I primærhelsetjenesten ser man at det er behov for å samhandle med en tverrfaglig smerteklinikk i sitt sykehusområde, men det er flere sykehusområder som annet hadde Sørlandet sykehus planlagt å opprette en tverrfaglig smerteavdeling, men den satsingen ble strøket fra budsjettet tidligere i år. Siden 2007 har oppdragsdokumentene fra Helse- og omsorgsdepartementet hatt med en formulering om å bedre situasjonen for smertepasienter gjennom å øke kompetanse og kapasitet på sykehusene, uten at det i nevneverdig grad har bedret tilbudet. I år er det ingen slik formulering i oppdragsdokumentene. Jeg vil be helseministeren kommentere bakgrunnen for dette og spørre om økt kompetanse og økt kapasitet i smertebehandling ikke lenger er en prioritert oppgave. Fagmiljøene etterspør en bred innsats for å bedre kompetansen og undervisningstilbudet og at man må sikre et likeverdig og medisinsk tilfredsstillende diagnose- og behandlingstilbud over hele landet. I tillegg mener de det er behov for regionale og nasjonale nettverksfunksjoner for å sikre kompetanseoverføring til alle ledd i helsetjenesten. Det må også sikres kompetanseutbygging på spesielle befolkningsgrupper, f.eks. når det gjelder behandling av barn. Det er dokumentert at ubehandlet smerte hos barn og unge har avgjørende betydning for om de kan tilpasse seg samfunnet, fullføre skolegang og delta i arbeidslivet. Jeg vil berømme Helse Sør-Øst, som i vinter har utarbeidet en veileder for tilbud til pasienter med langvarige smerter. De anbefaler bl.a. at det etableres tverrfaglige smerteklinikker i hvert sykehusområde som kan behandle smerteproblemer som ikke kan håndteres godt nok i kommunehelsetjenesten eller i den øvrige spesialisthelsetjenesten. De anbefaler et minimum av kompetanse i tilknytning til en tverrfaglig smerteklinikk som også skal bidra til at lokalmedisinske sentre har nok kompetanse til å avklare og behandle enklere smertetilstander. De anbefaler å videreutvikle det regionale kompetansesenteret for behandling av langvarige smerter i tilknytning til avdeling for smertebehandling ved Oslo universitetssykehus, og det regionale kompetansesenteret kan gjennom forskning, tverrfaglig fagutvikling og nettverksfunksjoner styrke kunnskapsbasen for smertebehandling. De anbefaler også at kompetansesenteret skal etablere fagnettverk som omfatter hele helseregionen, at det settes frister i tråd med og endelig at finansieringen må styrke opprettelse og drift av tverrfaglige smerteklinikker. Dette er forslag og anbefalinger som Høyre støtter. Jeg vil utfordre helseministeren til å ta tak i de anbefalingene som er gitt av Helse Sør-Øst, og la det bli retningsgivende og gjeldende for hele landet. Det forutsetter imidlertid at det blir avsatt midler til å kunne gjennomføre satsingen. Fagmiljøene etterspør nasjonale, faglige retningslinjer for smertebehandling, og jeg vil be helseministeren sørge for at slike blir utarbeidet. Det vil kunne bidra til en mer lik behandling uansett hvor en bor i landet. Det er viktig å sikre bedre kapasitet i tilbudet til smertepasienter. Minst like viktig er det å sikre god kvalitet. Vi må sikre at hjelpen faktisk hjelper. Dessuten må vi ivareta pasientsikkerhet på en bedre måte enn i dag. dag. Skal vi kunne bidra til å sikre god kvalitet, er det avgjørende å heve kompetansen betydelig. Fastlegene er første linje ut mot pasientene, og de må ha nødvendig kunnskap til å vurdere pasientenes smerte- og helsetilstand. Om lag 50 pst. av alle konsultasjoner hos fastlegen dreier seg om smerter. Likevel gis det bare få timers undervisning Det er nødvendig å styrke fastlegenes kompetanse med hensyn til å tolke og forstå kronisk smerte. Dette er ikke minst viktig når den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal ta et større ansvar for pasienter med kroniske lidelser som et ledd i Samhandlingsreformen. Dette er et forsømt område innen helsetjenesten, og jeg ser fram til å høre helseministerens svar på disse utfordringene.

Det har vært økende oppmerksomhet rundt kroniske smerter. Temaet tas nå inn i grunnutdanningen for medisinstudenter og bør også tas inn i spesialistutdanningen for en rekke spesialiteter. Helsedirektoratet skal nå gjennomgå dagens spesialiststruktur og vurdere om det er behov for endringer, sett i lys av hva slags behov det er for spesialister i fremtiden. Behandling av kroniske smerter er en tverrfaglig oppgave. Legespesialister, psykologer, fysioterapeuter og sykepleiere er aktuelle yrkesgrupper i et slikt samarbeid. Fagmiljøene har signalisert at det kan være aktuelt å etablere et såkalt kompetanseområde innen medisin for dette området. Helsedirektoratet er i gang med å prøve ut en slik modell for lindrende behandling og vil etter hvert vurdere andre fagområder. Regjeringen har rettet spesiell oppmerksomhet mot pasienter med kroniske smerter, bl.a. gjennom styringsbudskapet til de regionale helseforetakene. Her har jeg bedt om at de særskilt rapporterer om tilbudet til denne pasientgruppen. Alle de regionale helseforetakene har gjort en innsats for å styrke tilbudet til pasienter med kronisk smerte, omtalt i statsbudsjettet for 2012. Den vesentlige delen av behandlingen må likevel ivaretas i primærhelsetjenesten, med faglig veiledning fra spesialisthelsetjenesten. Og det må satses på økt kunnskap om kronisk smerte blant allmennlegene og annet helsepersonell i kommunehelsetjenesten. For å sike at vi har nok og kompetente medarbeidere i omsorgstjenesten, har vi styrket årsverksinnsatsen betydelig. Vi bevilger om lag 300 mill. kr årlig til kompetansetiltak Etter fastlegeforskriftens § 7 har fastlegene ansvar for allmennlegetilbudet til personer på sin liste. Ansvaret innebærer bl.a. planlegging og koordinering av individrettet forebyggende arbeid, undersøkelse og behandling. Videre har fastlegen ansvar for pasientens journal med oppdatering av sykehistorie og legemidler. Fastlegens ansvar er nærmere presisert i utkast til revidert fastlegeforskrift som nå har vært på høring. Utredning og diagnostisering av kroniske smertetilstander er komplisert og tidkrevende. Det er viktig med god samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten og god koordinering fra fastlegens side. Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved behov for undersøkelser inngår i krav til forsvarlighet i helsepersonellets yrkesutøvelse, jf. helsepersonelloven § 4. Forskning tyder på at henvisningene fra fastlegene ikke alltid inneholder den informasjon mottakeren trenger for å vurdere videre tiltak. For å møte dette foreslår departementet å stille krav til kvaliteten på henvisninger fra fastlege i utkastet til revidert fastlegeforskrift. I undersøkelsen representanten refererer til, har fastlegene selv gitt uttrykk for behov for mer kunnskap om kroniske smertetilstander. Fastlegene er primært generalister, og det forventes at fastlegene har god kunnskap på en rekke områder. Dette stiller store krav til vedlikehold og oppdatering av kunnskap. Ved utgangen av 2010 var rundt 62 pst. av For å opprettholde spesialiteten i allmennmedisin kreves resertifisering hvert femte år, noe som også gir mulighet for fordypning. I tråd med Samhandlingsreformen skal en større andel av tjenestene i årene fremover leveres i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Det betyr økt behov for kompetanse og forskning på flere fagfelt i den kommunale helse- og Det er også behov for å bygge opp og styrke infrastrukturen for forskning. Mange allmennleger opplever ofte at deres kunnskapsgrunnlag kommer til kort i den daglige praksis. Dette gjelder bl.a. for muskel- og skjelettplager og psykiske lidelser. Dette er de vanligste diagnosetypene i allmennpraksis, og de viktigste årsakene til Det er etablert fire allmennmedisinske forskningsenheter i tilknytning til de medisinske fakultetene ved universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim. Disse kom i gang i 2006, og driver forskning på en rekke problemstillinger, også samhandling. Helsedirektoratet følger opp og koordinerer virksomheten. Det bevilges midler over statsbudsjettet til basisdrift/videreutvikling av forskningsenhetene. Det arbeides i tillegg med å styrke annen forskning og kunnskapsutvikling i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Den nye helse- og omsorgstjenesteloven gir kommunene medvirkningsansvar for forskning. Hensikten er å sikre at kommunene utøver en viss aktivitet som kan understøtte forskning om tilbudene i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. De lokale samarbeidsavtalene mellom helseforetakene og kommunene skal også omfatte forskning. Å leve med kroniske smerter er en stor belastning for den enkelte, og det er igangsatt flere tiltak for å bedre tilbudet til denne pasientgruppen. Alle regionale helseforetak har arbeidet for å styrke tilbudet til pasienter med kronisk smerte, og det er etablert tverrfaglige smerteklinikker tilknyttet helseforetak i alle Det er viktig at helseforetakene sørger for at smerteklinikkene har tilstrekkelig med ressurser og tverrfaglig kompetanse. Helsedirektoratet har laget en egen prioriteringsveileder for smertetilstander. Departementet har også gitt direktoratet i oppdrag å vurdere om det er aktuelt å utarbeide nasjonale faglige retningslinjer på dette området. Slike retningslinjer må også si noe om samhandling mellom kommunehelsetjenesten, de tverrfaglige smerteklinikkene og spesialisthelsetjenesten. Jeg takker statsråden for svaret. Jeg tror vi er

Hvis jeg oppfattet statsråden riktig, vil hun sørge for at det blir utarbeidet nasjonale, faglige retningslinjer for smertebehandling. Jeg vil be om at statsråden bare bekrefter det. Jeg tror det er viktig, for det vil bidra til å heve kompetansen og kvaliteten når det gjelder smertebehandling. Som jeg var inne på, er det også et sterkt ønske fra fagmiljøene for å sikre en tilnærmelsesvis lik behandling over hele landet. Både smerteklinikkene og avtalespesialistene bidrar nå til å nå helsepolitiske mål om å gi pasientene et bedre og mer helhetlig helsetilbud uten innleggelse i sykehus. Men dersom smerteklinikkene og avtalespesialistene skal kunne bidra med et bedre tilbud, må finansieringssystemet også legges til rette for dette. Gjennom flere henvendelser fra pasienter er Høyres stortingsgruppe gjort kjent med at medikamentell behandling i smerteklinikk i noen tilfeller faller utenfor dagens refusjonsordninger. Et konkret tilfelle dreide seg om en pasient som trengte store doser smertestillende medikamenter. Dersom hun skulle få refusjon for kostnadene, måtte hun selv ta medikamentene ut på apotek og medbringe dem til smerteklinikken. Dette mente imidlertid legen var uforsvarlig, fordi dosene var potensielt farlige. Dersom legen selv delte ut og administrerte medikamentet, fikk ikke pasienten refusjon. Jeg vil be statsråden kommentere om hun vil endre systemet slik at en behandler på smerteklinikkene kan gi samme smertebehandling med refusjon som behandlere på sykehus. Høyre har tidligere tatt dette opp med statsråden, men vi fikk dessverre ikke noe gehør for dette da. Men jeg har et håp om at det er mulig å endre oppfatning. Dette er iallfall et paradoks i lys av Samhandlingsreformen, som skal bidra til bedre behandling utenfor sykehus. Jeg tror også at dersom vi ikke sørger for at pasientene får god tilgang til ny, trygg og effektiv behandling i den offentlige helsetjenesten, vil det kunne bidra til en mer klassedelt helsetjeneste. De som har god økonomi, kan kjøpe seg god behandling, mens andre ikke har mulighet for dette. Dette kan særlig ramme smertepasienter som ofte har redusert inntekt som følge av sin helsetilstand. Så vårt felles mål må være å gi pasienter med kroniske smerter bedre livskvalitet og mer livskraft. Det vil også gi samfunnet en større
Takk

Så mener jeg faktisk at det har vært gjort, og at det gjøres, mye. Det viste seg i Årlig melding 2010–2011, som kom til departementet i 2011, at dette var et område som de regionale helseforetakene hadde satset på og bygget godt ut. Og, som jeg sa, det var også etablert tverrfaglige smerteklinikker tilknyttet helseforetakene i alle fylker unntatt to.

pasienter – som også interpellanten var inne på i sitt første innlegg. Det gjelder kreftpasienter, det gjelder reumatikere, og det gjelder nevrologiske lidelser. Det er mange typer pasienter som ikke nødvendigvis kan behandles på bare én måte – og det er mange ulike typer kompetanse som skal inn. Det betyr ikke at vi ikke skal lage bedre veiledere og retningslinjer, for det er jo en god måte å få ut kompetanse, til f.eks. fastleger, men det som er viktig, og som jeg er veldig enig med interpellanten i, er å få til et system som skaper den gode samhandlingen mellom sykehuset og kommunen, slik at det er nok kompetanse i kommunen, hos fastlegen spesielt, til å henvise riktig og til å gi god behandling over tid når det er

bra. Det er mange som lever med skuffelsen når ingen ting virker. Fysiske plager blir fort psykiske, og en er inne i en ond sirkel. En kan bare tenke seg fortvilelsen når ingen ting virker. Spørsmålet er om fastlegenes spillerom brukes godt nok. Smerteklinikker kan være et alternativ, men ikke alle kan komme dit, noe også interpellanten nevner. Ventetidene er ofte lange, og ikke alle som henvises, kommer heller inn etter vurdering. Det er og ikke alle som henvises, kommer heller inn etter vurdering. Det er derfor viktig å ha ulike tilnærminger til problemene, og det er viktig å ha et bredt tilbud som dekker flere ting. Økt kunnskap og fokus på helseutdanningene er også nødvendig. Det kan være alt fra riktig bruk av medikamenter, riktig henvisning til fysioterapi, til bruk av avslapningsøvelser eller gruppeterapi. Fysisk aktivitet kan hjelpe noen, mens andre trenger hvile. Derfor er kunnskap om smerte viktig. En tverrfaglig tilnærming med både leger, manuellterapeuter og psykomotoriske tiltak kan være et alternativ. Jeg har vært opptatt av denne saken lenge. Allerede i oppdragsdokumentet i 2006 ble det stilt særskilt krav til at tilbudet til kroniske smertepasienter skulle i samhandling med primærhelsetjenesten styrke tilbudet til pasienter med kroniske smerter. Det skal legges til rette for tilstrekkelig kompetanse og kapasitet for å møte utfordringene på dette området, bl.a. ved smerteklinikkene.» Vi er ikke der ennå, dessverre. Statsråden viser i sitt innlegg til hvordan dette er nå, og at hun følger dette nøye opp. Det er jeg veldig fornøyd med. Det er mange som trenger et bedre tilbud, og derfor er det viktig å ha økt fokus Smerte er en subjektiv opplevelse, og det er ofte vanskelig å diagnostisere. Det er også derfor det er så vanskelig for de mange med kroniske smerter å få et godt tilbud. I bladet Glimt – medlemsbladet til Foreningen for Kroniske Smertepasienter – kan en lese om de ulike metodene som kan øke livskvaliteten. Én metode er kognitiv terapi, som kan hjelpe i hverdagen, og når vi snakker om en god dag, er det for mange ikke en smertefri dag, men en dag med mindre smerter. ha tilleggsbekymringer knyttet til økonomi, oppfølging av barn og arbeidssituasjon kan igjen øke smerten. Derfor er det også viktig at offentlige instanser, som Nav, er en brikke i det å takle hverdagen. Smidige løsninger og god oppfølging er viktig, og ikke minst er det å bli trodd og bli tatt på alvor et bidrag til det å mestre. Fastlegenes tid til å lytte er viktig – og også oppfølging av de pasientene som trenger det. Det er bra med henvisninger, men det hjelper lite hvis en ikke når fram. Medisinering har vi sett kan være en fare i seg selv dersom det blir det eneste alternativet. Vi har dessverre sett at mange har blitt avhengig av medikamenter, som er en tilleggsbelastning til smerten. Derfor er, som statsråden nevnte, kunnskap om smerter så viktig å få på plass. Frisklivssentraler og selvhjelpsgrupper, som kommunene kan tilby,

enkelte. Det viktigste er kanskje det å lære å takle smerte, for en smertefri hverdag kan for mange være en utopi. Kronisk smerte rammer rundt 30 pst. av den voksne befolkningen og er

Oftest er dette uspesifikke rygg- og nakkesmerter og andre smerter av ukjent eller sammensatt årsak. Jeg tror vi alle kjenner personer som har vært ut og inn av behandling av forskjellig slag, f.eks. fysioterapi, som virker for en periode, og tilbake på jobb, men så tilbake igjen med de samme ryggsmertene, uten at vi noen gang kommer i mål med å fjerne årsakene. Forbruket av smertestillende legemidler og tall også fra andre land tyder på at kroniske smerter til dels er vanlig også i barneårene og dessverre ganske vanlig i ungdomsårene. Forbruket av smertestillende for disse er høyt og har steget de siste årene. Dessverre er det slik at man ofte etter langvarige undersøkelser av barn og unge finner at det faktisk egentlig ikke feiler disse noe fysisk, men at de kroniske smertene rett og slett handler om mobbing, angst og mistrivsel på skolen. Kunnskap rundt dette synes mangelfull, samtidig som jeg antar at det er tverrpolitisk enighet om viktigheten av kompetanse og årvåkenhet rundt akkurat dette også. Slik jeg oppfatter situasjonen i Norge, er kroniske smerter mangelfullt kartlagt. Forekomsten av mange sykdomstilstander som gir kronisk smerte, er ukjent. Som følge av dette har man ikke grunnlag for å si om forekomsten har endret seg spesielt over tid. Men vi vet at kroniske smerter øker risikoen for redusert psykisk helse, og at faren for avhengighet av vanedannende medisiner er svært stor. Dette handler da ikke om behovet for å ruse seg, men at mengden medisiner har ligget for Kroniske smertepasienter har to–fire ganger høyere forekomst av angst og depresjoner og har dobbelt så stor forekomst av selvmord som befolkningen for øvrig. Søvnproblemer er veldig vanlig. Jeg har flere ganger hatt møte med personer som lider av amalgamforgiftning. De har det til felles at det virker umulig å få stilt en diagnose. De lever med store smerter og forskjellige smerter, samtidig som de føler at de ikke blir trodd. Skikkelig behandling uteblir, og man prøver og feiler selv. De sier selv at mange som har vært i samme situasjon som dem, har begått selvmord. Å leve med smerter konstant samtidig som man ikke blir trodd, blir rett og slett uutholdelig for enkelte. Kroniske smerter er, som tidligere nevnt, den hyppigste årsaken til langtidssykefravær og uførhet i Norge i dag. En analyse av data fra Levekårsundersøkelsen 2005 viser at kroniske smerter forklarer 54 pst. av uførhetstilfellene, og smerter er trolig den vanligste årsaken til at pasienter oppsøker helsevesenet. Så egentlig er dette et ganske stort tema. Det er derfor etter Fremskrittspartiets mening svært viktig å kartlegge hvem og hvilke grupper som faktisk ikke har et alternativt behandlingstilbud, som f.eks. de med kjeveskade. Debatter i denne sal har det vært i årevis, men enkelte blir fortsatt utestengt fra behandling, hjelp og forståelse. Det er som politiker vondt å møte disse menneskene og ikke kunne gi dem håp om noe bedre. Helseministeren påstår stadig at alle skal få et tilbud.

Da oppstår nye problemer og utfordringer, som helsevesenet heller ikke er så veldig flink til å følge opp eller ta på alvor. Enkelte føler de blir fanget i et system der det sies at de skal få hjelp, men hvor de opplever at lite skjer. Helseministeren skisserte en rekke tiltak i sitt innlegg, men mye av dette har vi hørt før, og det er vanskelig å være veldig optimistisk.

Dette er en sammensatt gruppe av mennesker med ulike historier og ulike sykdomsbilder. Det er kreftpasienter, det kan være pasienter med muskel- og skjelettlidelser, og det er pasienter som har psykiske eller somatiske lidelser. Regjeringspartiene besluttet i forbindelse med statsbudsjettet for 2010 å avvikle ordningen med refusjon for poliklinisk fysioterapi. Høyre og de andre borgerlige partiene stemte mot dette, fordi vi fryktet et kutt i mange viktige tilbud, bl.a. til pasienter med kroniske smerter. Dessverre har vi fått rett i dette. Eksempelvis er et tilbud om behandling i varmtvannsbasseng redusert eller avviklet en rekke steder i landet. Dette rammer bl.a. pasienter med muskel- og skjelettlidelser som er helt avhengige av dette tilbudet for å fungere i hverdagen og på arbeid. Så det som skjer samtidig som regjeringen snakker om samhandling, er at samhandlingen om disse pasientene blir dårligere. Høyres leder, Erna Solberg, tok dette opp med helse- og omsorgsministeren i en egen interpellasjonsdebatt for to år siden og utfordret statsråden på å sikre finansiering og videreføring av disse viktige tilbudene. Statsråden lovte den gangen å vurdere spørsmålet på ny, men dette har dessverre ikke gitt noe resultat så langt. Dette er en behandling som er avgjørende for pasientenes helse og livskvalitet, og dermed for pasientenes mulighet til å mestre hverdag og jobb. Det tar også altfor lang tid før nye medikamenter og behandlingstilbud Skal vi sikre alle likeverdige helsetjenester av god kvalitet, må en også sørge for rask og god tilgang til effektive og trygge behandlingstilbud. Med dagens system kan det ta flere år fra Legemiddelverket anbefaler refusjon for et medikament, til pasienten faktisk får dette til støtte i behandlingen. Dette skyldes at regjeringen ikke har prioritert å bevilge midler til disse Det fører til en større belastning for pasientene og større utgifter for helsetjenesten og for samfunnet. I slike tilfeller er det ikke spørsmål om å ha råd til å gi pasienten bedre behandling, men om å ha råd til å la være, og da tenker jeg på både menneskelige og økonomiske omkostninger. Høyre fremmet i fjor et forslag i Stortinget om raskere og bedre tilgang til legemidler. Vi foreslo bl.a. at alle legemidler som er anbefalt refusjon, skal omtales i statsbudsjettet.

men det er heldigvis bred enighet om dette blant våre samarbeidspartnere i opposisjonen. Når en ser på smertepasientenes situasjon, er det nettopp utfordringer knyttet til at dette er en sammensatt pasientgruppe. Det er en pasientgruppe som i mange sammenhenger lider i stillhet, og som ingen er talerør for. for. Det er også en pasientgruppe som det kreves ganske sammensatte og kompliserte tilbud til for at de faktisk skal få hjelp. Jeg er veldig glad for denne interpellasjonsdebatten. Jeg håper at den også kan føre til at smertepasientene får mer oppmerksomhet, og at en tar med deres hensyn når en utvikler helsepolitikken på alle de områdene der det faktisk er behov for å gjøre forbedringer for disse pasientene.

står det ein statistikk som viser at det tek opp til sju år frå symptomdebut til ein får fullført diagnostikk og behandling, og at det er vesentleg lenger enn gjennomsnittet elles i Europa. Det viser at vi treng meir fokus på denne pasientgruppa på både diagnostisering og behandling. Eg vil takka statsråden for svaret hennar, og eg sluttar meg til behovet for styrking av både tilbodet i spesialisthelsetenesta og handteringa av smertepasientar hos fastlegane. Det er positivt at det no blir vurdert å utarbeida faglege retningslinjer. Men det viktigaste spørsmålet som vi treng svar på, er kvifor det er slik at nordmenn har mest vondt av alle i Europa, og om vi kan gjera meir for å bli Det er mange slags årsaker til dette – kor stor samanheng har det med at vi har eit lågt aktivitetsnivå i befolkninga f.eks.? Eit anna spørsmål er kvifor vi sidan 2000 har fått ei fordobling i ungdommens bruk av smertestillande. Er det slik at ungdom i dag har dobbelt så vondt som dei hadde for ti år sidan? Dette er vist i ein artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 15 i august

Endring av livsstil kan i mange tilfelle vera betre behandling for desse enn tablettbehandling. Meir fysisk aktivitet er òg eit veldig viktig tiltak – og viktigare enn vi trur. Vi må også snakke om haldningar. Då eg skulle google mine artiklar i dag, kom det opp ein annonse for smertestillande tablettar på Internett-sida. I butikkane dekkjer vi til snus, medan Paraceten står og lyser mot oss. Eg skal ikkje gå inn på butikksalet, men det gjer kanskje noko med haldningane til desse medikamenta, at dei er lette å ta, men kanskje ikkje alltid så lure å bruka. Vi må sjå til det sentrale målet vårt for legemiddelpolitikken, nemleg å sikra rett bruk – særleg for desse unge som brukar smertestillande ganske hyppig.

I skriftlig spørsmål fra meg, datert den 30. juni 2009, spurte jeg helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen om hvordan tilbudet til smertepasienter ble håndtert i de ulike regionale helseforetakene. Han innrømmet da at de ikke ble fulgt godt nok opp, til tross for klare føringer i oppdragsdokumentene. Men han svarte videre at Helse- og omsorgsdepartementet nå hadde hatt møte med de regionale helseforetakene – altså i 2009 og han forsikret at tilbudet til pasienter med kroniske smerter skulle følges opp av departementet. Noe har heldigvis skjedd, men debatten i dag viser at det ikke er nok. I likhet med andre som har hatt ordet her i dag, er jeg veldig glad for at statsråden signaliserer at det vil komme nasjonale, faglige retningslinjer. Det tror jeg det er et sterkt behov for. Det er stor variasjon i tilbudet til pasientgrupper ut fra hvor de bor i landet. landet. Det er flere fylker som ikke har noe godt tilbud til pasientgruppene ennå. Interpellanten nevnte bl.a. Sørlandet sykehus HF. De har strøket en planlagt tverrfaglig smerteavdeling fra inneværende års budsjett. Resultatet av det er at pasienter tilhørende Sørlandet sykehus må overføres til andre sykehus, som ikke har planlagt for disse pasientene. Dette fører igjen til lengre ventetider. Barn er også en gruppe med særskilte behov når det gjelder smertebehandling. Årsakene til smerter hos barn er gjerne sammensatte. Et tverrfaglig behandlingsapparat med bl.a. lege, sykepleier, fysioterapeut og psykolog/psykiater er derfor helt nødvendig. Jeg vil gjerne spørre helseministeren i dag om hun vil gjeninnføre fokus på smertepasienter i oppdragsdokumentene, for det er jo slik at det som står nedfelt skal prioriteres. Det er lettere å gjennomføre det enn det som ikke står – selv om det, ifølge statsråden, skjer ganske mye bra, og det er fint. Men det er for stor variasjon i kompetansen og i tilbudet i landet vårt. Fagfolkene ønsker mer på dette. I likhet med interpellanten vil også jeg vise til veilederen som en arbeidsgruppe i Helse Sør-Øst utarbeidet i 2011. Den er spennende lesning, og den har mange gode forslag. I tillegg til forslaget om tverrfaglige smerteklinikker i hvert sykehusområde – altså mer enn i hvert fylke – påpeker de behovet for tverrfaglige team består minimum av legespesialister, spesialsykepleiere, psykologer/psykiatere og fysioterapeuter. De tverrfaglige smerteklinikkene, mener denne arbeidsgruppen, skal bidra til at lokalmedisinske sentre har nok kompetanse til å avklare og behandle enklere smertetilstander. Jeg synes dette er veldig spennende og fremtidsrettet – ikke minst med tanke på Samhandlingsreformen og det at spesialisthelsetjenesten har fått et utvidet veiledningsansvar mot kommunene våre. Jeg kjenner ikke helt statusen til arbeidsgruppens forslag, men det den anbefaler, er i alle fall ikke fullt ut gjennomført i Helse Sør-Øst ennå. Kristelig Folkeparti, i likhet med Høyre, finner forslagene her meget relevante og gode. Til sist vil jeg nevne det forslaget som de også har, om et regionalt kompetansesenter for diagnostisering og behandling av langvarige smerter. Dette er også spennende. Ikke minst ser jeg mulige synergieffekter med tanke på opposisjonspartienes tidligere forslag i Stortinget om å opprette regionale diagnostiske sentre. Dessverre ble det nedstemt i denne salen. Likefullt vil jeg be helseministeren om å bidra til å tenke nytt og helhetlig. Dette bør kanskje også Dette bør kanskje også tenkes i sammenheng med at jeg tror diagnostiske sentre – som de nå har i Danmark, og som de jobber med i Sverige – også faktisk en gang kommer her i landet. Selv om forslaget er initiert fra opposisjonen, må jeg si at det er et kjempegodt forslag. Det er veldig merkelig at de kanskje viktigste debattene i denne salen foregår med

da dette ble fullstendig sett ned på og feiet bort fra våre fagmiljøer. Vi kjempet en kamp. Jeg hadde en veldig god kollega i Bergen som var sammen med meg på disse barrikadene, og vi etablerte de første smerteklinikkene. Og det var det som var starten på noe som sprang ut fra anestesi- og intensivspesialiteten, til vi i dag kan snakke om smertepasienter som en fullverdig gruppe pasienter.

aldri klarer å stille en diagnose, stiller svakt, og det er for en stor del kvinner. Dette må vi ha med, og vi må reise det som en fanesak også for rettigheter. Det jeg vil peke mest på, er utdanning – utdanning av fagfolk fra basis, knyttet til primærhelsetjenesten. Dette må vi få fokus på i utdanningen av både medisinerstudenter, sykepleiere, psykologer, og gjerne også andre spesialiteter. Den siste pasienten jeg henviste fra min spesialistpraksis til en smerteklinikk, fikk beskjed om at det var tolv måneders ventetid. Det er helt uakseptabelt. Dette må vi bare ta inn over oss, og så skal vi forbedre det. Måten å forbedre det på bør knyttes opp til Vi bør få tverrfaglige miljøer utenom disse klinikkene, som gjør at vi kan få en form for utredning som går foran, slik at vi kan avlaste spesialistklinikkene. De bør ta seg av de store, vanskelige, kompliserte tilfellene. Men vi må styrke utdanningen på basisnivå. Vi må også styrke utdanningen av fastlegene, som i øyeblikket har altfor liten kompetanse smertebehandling. Det vil si at vi bør få en form for prosedyrebøker som de bør kunne oppfylle hvis de blir ansatt som fastleger, og hvis de får det, vil det også gå veldig klart fram hva slags kompetanse de mangler. Vi må bruke våre spesialistklinikker til å utdanne fagfolk som jobber direkte mot til Samhandlingsreformen. Dermed vil vi få et krav til henvisninger som gjør at vi slipper å la pasientene seile fram og tilbake på grunn av mangelfull kompetanse i det første leddet som pasienten møter. Det flerfaglige og tverrfaglige elementet i dette er at vi for all del må ha utelukket de somatiske og psykiske lidelser, der det er en klar diagnose, for de kan vi kanskje ta hånd om på annet vis. Slik får vi differensiert systemet, så vi kan bruke en kompetanse knyttet til det virkelig kompliserte. Så jeg vil slå et slag for at vi lager curriculum i utdanningen, som er veldig spesifisert når det gjelder hva vi ønsker, etter at vi nå faktisk har 25 års erfaring med smerteklinikker og smertebehandling. Så må vi utvikle tverrfaglige prosedyrebøker og sjekklister. sjekklister. Det siste jeg ønsker å ta opp i denne sammenheng, er at våre smertepasienter ofte faller mellom mange stoler når det gjelder arbeidslivet. Vi taper ressurser i form av den kompetansen de har, og vi taper også masse økonomisk på grunn av at vi ikke klarer å få dem inn i et differensiert arbeidsliv.

gjelder. Det tror jeg er svært viktig å få formidlet til de regionale helseforetakene, slik at oppbyggingen av behandlingstilbudet ikke stopper opp. Jeg viste til Sørlandet sykehus som nå har strøket et planlagt tilbud fra budsjettet, noe også representanten Dåvøy var inne på. Jeg vil spørre statsråden på hvilken måte hun vil se til at de regionale helseforetakene følger opp det som tidligere er blitt gitt gjennom regionale helseforetakene følger opp det som tidligere er blitt gitt gjennom oppdragsdokumentene. Statsråden sa også at hun ville vurdere nasjonale retningslinjer, og var enig i at det vil bidra til å øke kompetansen og kvaliteten og en bedre tilgang til behandling over hele landet. Og som jeg sa i mitt tidligere innlegg, vil fagmiljøene veldig gjerne ha retningslinjer, og de bidrar mer enn gjerne for å få disse på plass. verdi i et humanistisk samfunn at vi har en helsetjeneste som gir pasienter god lindring og behandling uavhengig av menneskets bakgrunn og funksjonsevne, f.eks. er lindrende behandling ved livets slutt ikke lønnsomt, men allikevel spesielt viktig og verdifullt. Det er nettopp i omsorgen for de svakeste at våre verdier må vise seg sterke. Derfor er ikke spørsmålet bare om vi har råd til å gi smertebehandling i helseøkonomisk forstand. Det er også et spørsmål om vi som samfunn ivaretar de verdier som ikke lar seg måle og veie i kvantitative størrelser, som f.eks. respekten for menneskeverdet. Ut fra denne og andre etiske verdier er det åpenbart at vi som samfunn må ta oss råd til å gi smertepasientene bedre livskvalitet gjennom god lindring og behandling. Det er mye god vilje, både hos statsråden, hos og det er ikke minst et sterkt engasjement og en sterk vilje ute i fagmiljøene for å bedre behandlingstilbudet innen dette området. Men det vanskeligste gjenstår, og det er å fortsette denne satsingen og bygge opp et godt og tilfredsstillende tilbud, og jeg forventer, som jeg sa, at statsråden følger opp at de regionale helseforetakene fortsetter denne satsingen. Dette har vært en interessant debatt, for det dreier seg om så veldig mange ulike grupper. Da

god måte. Når det gjelder retningslinjer, kommer det til sommeren retningslinjer som dreier seg om vanedannende legemidler. Her er smertebehandling et eget kapittel. Når det gjelder de andre nasjonale retningslinjene jeg nevnte, er det arbeidet så vidt kommet i gang. Jeg kan ikke si når disse retningslinjene kommer. Men nå hører jeg jo noe vi ikke alltid hører: veldig mye positiv omtale av Helse Sør-Øst. Det må gå an å bruke Helse Sør-Østs retningslinjer hvis de har laget noe som de andre ikke har laget like godt. Sånt gjør man jo veldig ofte. Sonja Mandt var inne på at dette dreier seg veldig mye om kvinner. Det gjør det jo. Det er veldig mye kvinnehelse det er snakk om. Kompetansesenter for kvinnehelse ved har mange forskningsprosjekter som berører dette temaet, både direkte og indirekte. Kjønaas Kjos sa noe som faktisk er ganske viktig. Hun snakket om barn og unge og smertestillende. Det var også representanten Toppe inne på. Det er jo litt tankevekkende at årsaken til smerte Det er jo litt tankevekkende at årsaken til smerte ikke er slik at vi i helsetjenesten kan ta ansvaret for alt. Det dreier seg om skolen, idrettslag, fritid, nærmiljø, venner, familie, pårørende – mange, og utenfor helsetjenesten. Her er det vel sånn at når vi ser på Samhandlingsreformen og forebygging, er det enormt viktig å ha fokus på dette. Representanten Høie spurte også hvorfor nordmenn i større grad enn andre har vondt. Jeg tenker at det dette. Representanten Høie spurte også hvorfor nordmenn i større grad enn andre har vondt. Jeg tenker at det er litt av det samme. Vi må utvide denne debatten litt utover bare det å behandle. Bare litt til Dåvøy: Det er altså ikke slik at vi må gjenta alle pasientgrupper i hvert eneste oppdragsdokument. Da hadde det blitt noen telefonkataloger som ikke var til å håndtere. De gjelder

vedtatt. Første taler er representanten

Statsrådens svarbrev er vedlagt innstillingen. Fremskrittspartiet vil ha årlige målinger av kunde- og brukertilfredshet av kvalitet på transporttilbudet for alle transportsektorer. Jeg tar opp Fremskrittspartiets forslag i innstillingen. Direktoratet for forvaltning og IKT – Difi – gjennomfører jevnlig innbyggerundersøkelser i Norge. Tjenester under samferdsel er blant de tjenester som rangeres dårligst. På transportkomiteens mange befaringsreiser i Norge fremkommer det ofte misnøye med og frustrasjon over en god del av det transporttilbudet som offentlig myndighet – særlig stat og fylker – har ansvaret for. Det er et paradoks at der transporttilbudet er vurdert som best av brukerne, er det luftfarten – flytransport – det gjelder. Det som særpreger luftfarten i Norge, er jo at infrastrukturen drives av et selskap som selv dimensjonerer investering og vedlikehold, som må forholde seg til strenge internasjonale regler for sin virksomhet, og som også blir strengt kontrollert. Det er et paradoks at der det innenfor samferdsel er mest direkte offentlig styring, er tilfredsheten lavest. Det skyldes ikke minst at mye av dagens veinett er i dårlig forfatning. Fremskrittspartiet mener det er viktig å måle brukertilfredshet innenfor samferdselssektoren i Norge. Formålet med slike målinger er å bidra til god tilfredshet hos brukerne og kundene. Samferdsel er viktig. Gode transportløsninger for personer og gods er viktig for bosetting, sysselsetting og verdiskaping. Det er viktig at offentlig myndighet – i særdeleshet regjering og storting – har en samlet oversikt over kvaliteten på landets transportsystemer, slik brukerne og kundene faktisk opplever I brev til transportkomiteen, datert 30. januar 2012, kommenterer samferdselsministeren forslaget fra Fremskrittspartiet, og hun viser bl.a. til at det på ulike måter, innenfor ulike transportformer, gjennomføres slike målinger om kvalitet og kundetilfredshet. Hun konkluderer med at Samferdselsdepartementet «har god innsikt i hva brukerne/kundene mener er tilfredsstillende kvalitet, og at vi gjennom målinger, kontakt og dialog med brukerne får god tilbakemelding om tilfredsheten med de like tilbudene som staten har ansvar for på samferdselssiden.» Statsråden mener altså at det ikke er hensiktsmessig å innføre ytterligere et system med undersøkelser og målinger, som representantene fra Fremskrittspartiet foreslår. Det er synd med en slik ny avvisning av nok et godt forslag fra Fremskrittspartiet. Forslaget inneholder tre deler: måling, forslag til oppfølging av målingsresultater og at resultatene faktisk legges frem for Stortinget. Det kan være politisk behagelig å ikke vite for mye og ikke vise frem at man faktisk vet det man vet. Forbruker- og kundemessig fremstår det som en mangel og en svakhet. Forbrukerrådets leder har kommentert forslaget fra Fremskrittspartiet. Fremskrittspartiet. Jeg siterer noe av en ganske lang uttalelse, en lang kommentar, som er kommet fra Forbrukerrådets leder: «Forbrukerrådet mener at det er like viktig for offentlig sektor som for privat sektor å sikre fornøyde brukere. Å gjennomføre årlige brukertilfredshetsundersøkelser på alle transportområder der staten kjøper/leverer tjenester, er et godt forslag.» Og nok et sitat: «I en situasjon med stadig mer innkjøp av tjenester fra andre leverandører, blir det viktigere at staten overvåker leveransene, og stiller de rette kravene når innkjøpene gjøres. Her ser vi eksempelvis en tendens til at det offentlige overlater til brukerne å rapportere hvis leveransene er for dårlig. Forbrukerrådet mener det offentlige bør selv ha gode systemer for å vurdere om leveransen tilfredsstiller kravene som er stilt.» Også i denne saken er Fremskrittspartiet på brukernes og kundenes side. Vi registrerer at regjeringen, ved samferdselsministeren, ikke ønsker samlet fremstilling og behandling av brukertilfredshet – og heller ikke øvrige partier. Det er synd.

Forslagsstillerne ønsker imidlertid jevnlige målinger av kunde- og brukertilfredsheten innenfor vei-, jernbane-, fly- og skipstrafikk på de områdene der skattebetalernes penger brukes. Vi har i dag allerede mange kvalitetsmålinger av veiene våre. Høyre er svært opptatt av brukertilfredshet, særlig av trafikksikkerhet. Sett fra Høyres side – og det er noe Høyre har tatt opp ved ulike anledninger

får målt brukertilfredsheten fremover også hos kundene som bruker jernbane – at regjeringen mener det ikke er formålstjenlig med ytterligere målinger, at det er tilstrekkelig med målinger, og at regjeringen vet hvor skoen trykker. Sett fra Høyres side er det viktige å heve kvaliteten på infrastrukturen i Norge. En av de viktigste sakene som vi har vært opptatt av den senere tid med hensyn til særlig vei og trafikksikkerhet, er å opprette et uavhengig veitilsyn som kan overvåke og måle kvaliteten på veiene ut fra gitte kriterier om hva som er god, trygg og sikker vei. Generelt er det nødvendig med målinger dersom man ønsker kvalitetsforbedringer. Høyre vurderer det imidlertid som usikkert hvorvidt kostnadene ved Fremskrittspartiets måleforslag svarer til den verdien og den informasjonen som innhentes. I tillegg vil jeg påpeke at forslaget fra Fremskrittspartiet sammenfaller med ønsket om et transporttilsyn som dekker hele samferdselssektoren. Høyre ønsker ikke dette og ønsker da heller ikke å støtte opp om en tilnærming til en sektororganisering. Sett fra Høyres side er det landet, bilister og reisende trenger, et uavhengig veitilsyn som nettopp kan gjennomføre grundige målinger av sikkerheten innenfor transportsektoren, men da spesielt først og fremst på veiene våre. Det er å være på bilistenes, de

Men det er jo ikkje betre at Framstegspartiet er det einaste partiet som står for det forslaget. Eg trur noko av grunnen til det må Framstegspartiet gå i seg sjølv på, for det brevet frå samferdselsministeren som me no fekk, klargjer at forslaget frå Framstegspartiet er veldig godt vareteke. Det er jo ikkje nødvendig å koma med eit slikt forslag som er fremma, for me gjer faktisk dette allereie i dag. Så det synest eg nok me må dag. Så det synest eg nok me må erkjenna. Misnøya med den raud-grøne regjeringa blir målt på veljarmålingar kvar dag. Så dersom intensjonen er å få auka misnøya overfor regjeringa, trur eg det er godt vareteke av både VG og TV 2 og andre medium, knytt opp ikkje minst mot det som Sortevik er mest oppteken av, nemleg veg. Det er nemleg politikken som blir ført, som på ein måte viser om me gjer jobben vår. Akkurat no tyder det jo på at me i SV ikkje gjer jobben vår. Me ligg jo syltynt an blant veljarane for tida. Men det skal me gjera noko med. Kva er det eigentleg som manglar, spør eg meg, når ein ser at NSB har to årlege målingar, Kystdirektoratet har målingar, Avinor har målingar – og så har òg Vegesenet målingar. Eg fattar ikkje heilt når me ser dette gode svaret frå samferdselsministeren. Det som hadde vore interessant f.eks., var om me målte med utgangspunkt i Framstegspartiet sin politikk i 2003, då dei privatiserte vegsektoren og vegvedlikehaldet, og det skulle bli så mykje billegare. No har det blitt 100 pst. dyrare. Det ville vore interessant om ein skulle spørja veljarane om dei var tilfredse med at me fekk mindre vegvedlikehald for pengane på grunn av Framstegspartiet si privatisering av vegvedlikehaldet. Det trur eg veljarane kunne

til staten og seia at der og der er vegvedlikehaldet dårleg. Me veit at det er dårleg, me veit at me må satsa meir på det, og derfor gjer me det – politisk – men det er ikkje vits med fleire tilsette byråkratar for å finna ut dette. Den kunnskapen har me allereie. Me vil heller bruka pengane på å asfaltera enn på folk som spring rundt med måleband. Det burde også Høgre vera interessert i.

korleis dei opplever transportsystema våre, korleis dei opplever at ein viktig del av infrastrukturen vår er. Eg trur òg tilbakemeldingar er med på å gjere oss betre. Så synest eg at me i det svaret som er kome frå samferdselsministeren, i stor utstrekning ser at det skjer. Derfor har eg ikkje behov for å vere med på noko vedtak for å tydeleggjere dette. Det eg har lyst til å seie, er at eg trur det kan vere veldig nyttig for Stortinget å få ei meir systematisk tilbakemelding frå nettopp dette arbeidet. Men eg har ikkje behov for å vere med på eit eige vedtak og snakke om nye undersøkingar. Når det gjeld vegtilsyn, har eg lyst til å seie ein ting: Det er veldig bra at me no har fått eit vegtilsyn. Så hadde eg ønskt ei anna organisering av det, men det viktigaste er likevel at me har fått på plass eit vegtilsyn. Så får me ta med oss erfaringane frå etableringa av det vegtilsynet. Eg synest òg det ligg eit betydeleg politisk press på Vegdirektoratet, at dei opptrer uavhengig i måten å handtere den oppgåva dei har fått, gjennom det vegtilsynet som Så vil eg til slutt kommentere at NSB i sin avtale nettopp har fått dette med brukartilbakemeldingar som ein del av avtalen. Der ligg det eit snitt på 65 pst. tilfredsheit. Det kan verke som eit lite ambisiøst mål, men når me har sett tilbakemeldingane frå kundene, ser me at det kanskje er ein god botnplanke å ha,

Så er det ikkje slik at vi manglar undersøkingar og målingar i dag. Som eg har gjort greie for i mitt svar til komiteen, er det allereie ei rekkje undersøkingar om dette. Der vi kjøper tenester, har vi minimumskrav. Om selskapa ikkje leverer det vi har kjøpt, får dei trekk i godtgjeringa. Det skulle vera eit kraftig nok incentiv. Når eg er skeptisk til det forslaget som ligg føre, er det fyrst og fremst

at vi ser nærare på dei utfordringane som er så openberre for oss alle. Løyser vi desse utfordringane, vil vi skapa ei god nærings- og samfunnsutvikling som gjer det mogleg å bu og arbeida i heile landet. Så vil eg òg kommentera presiseringa i representantforslaget, der det blir føreslege « å måle tilfredsheten for det som er statens ansvar». Eg vil minna om at staten har råderett berre over delar av infrastrukturen og kollektivtransporten i Noreg. Fylkeskommunane tok over ein stor del av vegnettet frå staten 1. januar 2010. Det er òg fylkeskommunen – med eit viktig unntak for jernbanen – som ordnar med kollektivtransport her i landet. I tillegg finst det mange private og kommersielle aktørar. Når folk reiser, er det samspelet mellom alle desse aktørane som er viktig. Transportsektoren er svært samansett. For fleire av dei selskapa der staten kjøper persontransporttenester – f.eks. kystruten Bergen–Kirkenes, på jernbanen og ein del flyruter – er det slik at operatørane har direkte kontakt med kundane sine. Staten har i sine avtalar med desse aktørane sett krav til yting. Det er naturleg at desse verksemdene legg vekt på korleis dei best kan utvikla eit godt tilbod til kundane innafor dei rammene dei har. Dei som driv på oppdrag for det offentlege i transportsektoren, er også dei som driv mest med jamlege målingar på området. Forslagsstillarane peikar jo òg på NSB som eit godt eksempel, sjølv om dei ikkje er heilt nøgde med målsetjinga i avtalen. Forslagsstillarane argumenterer for at det offentlege ikkje har incentiv til å gjera det betre for kundane, slik private aktørar har. Eg Dei omfattande prosessane vi har med planlegging, resultatoppfølging og styring av offentlege instansar og verksemder, tyder på noko heilt anna. Vi utviklar infrastruktur og kjøper persontransporttenester, f.eks., på bakgrunn av lover, retningsliner og planprosessar før vi tek dei politiske vala. I dette arbeidet er det mange som er med – slik det skal vera. Då får vi òg gode innspel til prioriteringane. Eg meiner difor at vi samla sett har god kunnskap om kva brukarane ynskjer seg, og at vi gjennom ei rekkje kanalar – f.eks. målingar og dialog – har god oversikt over dei ulike tilboda som staten bør utvikla. Alle som har vore samferdselsminister i dette landet – eg trur òg alle som har vore, eller er, i transportkomiteen på Stortinget – vil vera einige med meg i at om det er noko som ikkje fungerer i transportsektoren, så får vi raskt

med en ganske omfattende begrunnelse, som jeg selvfølgelig skal sørge for at statsråden blir kjent med i etterkant. Denne har vi nylig fått. Det er også et poeng at undersøkelsene gjøres tilgjengelig for Stortinget. Det statsråden har rett i, i sitt svarbrev og i svaret som nå er gjentatt, er at det gjennomføres ulike undersøkelser på ulike nivåer og på ulike måter. Hva er til hinder for at Stortinget får en mer samlet fremstilling og en mer samlet oversikt over de målingene som faktisk gjennomføres, slik at man i større grad kan behandle dem og ta stilling til dem, og at de ikke drukner i alle andre saker, som budsjetter og planer? Det som er hovudpoenget no, er å sikra eit så godt tilbod til brukarane som mogleg, inklusiv å satsa både på

utdaterte, er oppfylte, fordi vi for lengst har fått tilbakemelding gjennom dei systema vi allereie har, om at ting er forbetra. Så for meg er det rett og slett ei tenking her: Ja, lat oss for all del få fram alt vi kan av meldingar, men lat oss på den andre sida forenkla noko og ikkje forvanska det. Det er

så viktig når det gjelder staten selv og selve infrastrukturen. Når Forbrukerombudet på denne måten sier at dette er kjempebra, stusser jeg litt over at statsråden sier hun er forundret over at vi skal bruke tid på undersøkelser. Jeg trodde det var viktig for statsråden faktisk å vite hvordan virkeligheten er der ute, og å la folk få lov til å komme med innspillene sine. Men det er kanskje ofte greit å ikke vite, for det skaper mindre trøbbel – kanskje i hvert fall i denne sal – enn hvis man hadde fått lagt fram hvor man hadde fått vite hvordan tilstanden er, og hvordan brukertilfredsheten er – og har vært det siste året – kontra de tidligere årene. Jeg tror det ville vært veldig fornuftig for Stortinget å ha en slik type debatt om denne viktige problemstillingen, og jeg forundrer meg over at statsråden er så avvisende til dette. Ser ikke statsråden at det er viktig å se, fra år til år, hvordan folk oppfatter virkeligheten der ute?

verkelegheita der ute. Er det noko eg brukar tid på, så er det å reisa rundt og sjekka korleis forholda er, både på veg og på bane, og å møta folk som fortel meg både kva som er godt, og kva som er gale. I motsetnad til Hoksrud, som rett som det er står fram i media og fortel at det er stillstand på alle felt, så er eg ute. Det ser ut som om han òg er det, men gid for nokre briller han har på seg når han er ute! Nå har vi nettopp hørt representanten Langeland, som er regjeringspartikollega av statsråden, omtale et uavhengig veitilsyn som byråkratisering. For Høyre er nullvisjonen at det ikke skal være veiens beskaffenhet som medfører at vi har drepte på veiene våre, og nettopp et uavhengig veitilsyn er et viktig tiltak for å sikre at vi får gode kriterier som sier noe om hva som er god, trygg og sikker vei. Mitt spørsmål til statsråden er om statsråden – i forhold til det veitilsynet vi har nå – har kriterier, og tenker å utarbeide kriterier, som definerer dette som går på trygg og fremkommelig vei. For det fyrste er eg veldig glad for alle som held fram nullvisjonen.

med dei statlege vegane våre, i neste omgang med dei fylkeskommunale. Vi har no utarbeidd ein omfattande instruks for korleis det arbeidet skal gå føre seg, og eg skal sørgja for at representanten Ingjerd Schou får denne oversendt. Eg er heilt einig med statsråden. Me skal ikkje byggje opp nokre eigne system, me har eit godt system og Eg er heilt einig med statsråden. Me skal ikkje byggje opp nokre eigne system, me har eit godt system og mange gode målingar. Men spørsmåla mine er: Når me høyrer representanten Langeland – som er ein av dei mest erfarne transportpolitikarane me har i landet – seie at han faktisk ikkje har vore kjent med dette før brevet frå statsråden kom til komiteen, er ikkje det eit signal om at me bør få meir av denne type informasjon fram til Stortinget? Stortinget? Vil det ikkje òg vere ein stor inspirasjon for dei mange etatane våre å få lov til å leggje fram undersøkingane som seier noko om korleis folket der ute opplever kvaliteten på dette? Eg meiner at det å få meir av denne type informasjon fram til Stortinget er ein inspirasjon for etatane, og det er viktig kunnskap dei har her. Det er derfor utfordringa mi til statsråden.

at her kan det skje forbetringar. For det andre er det eit godt råd i større grad enn det vi har gjort til no, å sjå på korleis vi kan baka inn dei meldingane som vi får tilbake frå dei ulike aktørane, etatane og selskapa våre, og i endå større grad enn

det. Vi krever altså ikke en hærskare av folk med meterstokk, som representanten Langeland snakker litt foraktelig om. Men det krever altså litt skrivearbeid, litt redigering og samlet tankevirksomhet i departementet for å gi ikke bare transportkomiteen gjennom et svar på et spørsmål og et forslag, men også Stortinget en samlet oversikt over hvordan brukerne ser på kvaliteten i transporttilbudet i Norge. Så mitt spørsmål er fortsatt: Vil Stortinget få en slik mer systematisk oversikt, og vil statsråden sørge for at så skjer? Då eg var avvisande til representanten Sortevik med omsyn til ei slik samla oversikt, såg eg nok meir for meg eit meldingsarbeid, med den tida det krev på eit felt som dette, og at vi faktisk allereie var komne endå lenger i kundetilfredsheit og måloppnåing på ulike felt, før Stortinget fekk denne debatten. Viss vi kan gjera det slik at vi møtest noko meir på midten, og eg no tek med meg tilbake til departementet det som her er meldt, skal eg sjå på korleis vi kan supplera dei opplysningane som allereie er gjevne til Stortinget i ulike dokument, og på korleis vi kan supplera dei opplysningane som allereie er gjevne til Stortinget i ulike dokument, og på korleis vi kan supplera med ytterlegare informasjon om kundetilfredsheit eller -misnøye, der det måtte vera det. Eg skal sjå nærmare på det. Replikkordskiftet er

det heter mindretallets rettigheter – mens bolsjevikene, eller flertallet, ønsker i størst mulig grad å forhindre opposisjonens muligheter til dette og er tydeligvis av den oppfatning og mening at den jobben de skal utøve som representanter, er mer på linje med Tause for representantforslag skal man helst ha seg frabedt. På sett og vis er denne saken og denne debatten i så måte et godt speilbilde. Igjen opplever vi at der noen ønsker et transparent, åpent samfunn, der både Stortinget og forbrukeren skal få tilgang til opplysninger om innenfor vei, bane, båt og flytransport i Norge, ønsker altså regjeringen minst mulig åpenhet. Når statsråd Meltveit Kleppa mente at det sto om mest mulig troverdighet – statsråden eller representanten Hoksrud

vil være til stor nytte i dette arbeidet. En slik undersøkelse bør også være sammenlignbar mellom de ulike transportformene tog, buss, bane og båt. Årlige standardiserte målinger av brukertilfredshet bør legges inn som et krav i avtaler med leverandører av transporttjenester. Dette sa ikke Hoksrud, dette sa ikke statsråd Meltveit Kleppa – dette sa lederen av Forbrukerrådet. Presidenten jobber med seg selv for å bli litt mer raus fra denne plassen, så presidenten lar det passere et par begreper, men vi må ikke utfordre hverandre her – særlig ikke presidentskapet. Statsråden er

om at man skulle bygge 785 km motorvei innen 1980. Selv når denne nasjonale transportplanperioden er over – hvis de rød-grønne får fortsette til 2019 – vil man fortsatt mangle nesten 300 km. Det er jo noe av utfordringen, og det er altså sånn at det står utrolig dårlig til der ute. Langeland er opptatt av nå er man altså i 2012, nesten ti år senere, så kanskje man bør begynne å ta ansvar for de snart syv årene denne regjeringen har sittet ved makten. Jeg tror faktisk at noe av den største utfordringen er at forfallet har økt mye, mye mer enn det forutsetningene var – og spesielt mye mer etter at de rød-grønne overtok. Bare siden de statlige veiene ble overført til fylkeskommunen, og med de øvrige veiene vi sitter igjen med, har forfallet altså økt fra 12 mrd. kr til 40 mrd. kr – ifølge etatene, da de la fram sitt forslag for kort tid siden. Så kanskje noe av utfordringen, og som gjør at man ikke får gjort så mye, er at det er så enormt mye vanskeligere å rydde opp i dette forfallet. Det er jo sånn at det blir asfaltert mindre i år enn i fjor – det står i statsbudsjettet, så det er det bare å ta med seg. Det blir 600–800 km – i fjor ble det asfaltert over 1 000 km vei. Jeg er enig med Langeland i at vi ønsker ikke en målebåndsgerilja som skal reise rundt og måle opp hvor dårlig eller god standarden er men det denne saken handler om, er at det er viktig å vite hva folk mener – for å se om det blir en positiv utvikling, eller om det blir en negativ utvikling. Det er jo det dette forslaget handler om, å få dette inn i en totalsammenheng. Hvorfor er det sånn at dette er så kjempeviktig bare når det gjelder jernbane? Det burde være like viktig for statsråden, for Stortinget og for regjeringen å vite hva folk mener om situasjonen også på veisiden. Så har man noen undersøkelser, men man ønsker sannsynligvis ikke – det forstår jeg på statsråden – at dette skal komme fram her i Stortinget, hvor man kan få en skikkelig debatt om hvordan det står til i riket. Eg har trøbbel med

i dei tre åra for kort tid tilbake då Framstegspartiet deltok i budsjettforliket. For det andre er det slik at vi får jamlege meldingar til departementet, vi møter folk når vi er ute, og vi har ei oversikt over kva som blir sett i verk av inklusiv det som skjer i Statens vegvesen. Det gjer det noko krevjande at Bård Hoksrud, som ikkje har briller på, men som kanskje burde hatt det, er ute og rapporterer i media at det er stillstand Men heldigvis er det slik at sjølv om Bård Hoksrud prøver å formidla denne verkelegheita, melder folk tilbake – òg når dei er fornøgde. Så melder folk tilbake òg når det er ting ugjort. Den kombinasjonen må vi halda oss til framover. Vi må kvar dag gjera det vi kan for å forbetra både veg- og banenettet, og så må vi

for fleirtalet. Når det gjeld den saka som Fredriksen viste til, har eg lyst til å seie at fleirtalet følgjer fullt og heilt Stortingets forretningsorden. Det kan me like eller ikkje like, men det er det fleirtalet har halde seg til, og det må me akseptere. Så les eg òg på Facebook at det er blitt antyda at det er ingen representantar frå Arbeidarpartiet til stades i salen.

men problemet er at det er så knøttlite i den store sammenhengen. Det kan godt hende at det bare er heia-mennesker fra de rød-grønne partiene som ringer inn til Meltveit Kleppa og forteller henne hvor fint og flott det er. Det som i hvert fall er min oppfatning, og det gjelder ikke bare når jeg møter fremskrittspartifolk, men også når jeg møter folk ute, er at folk er bekymret for at det skjer så utrolig lite. Etter at etatenes forslag til Nasjonal transportplan ble lagt fram, så utrolig lite. Etter at etatenes forslag til Nasjonal transportplan ble lagt fram, synes jeg faktisk meldingene fra det meste av Norge var ganske klare og entydige. Noen kalte det nesten flaut, og det var ikke måte på hvordan enkelte arbeiderpartiordførere rundt omkring omtalte forslagene fra etatene når det gjaldt utsettelse på rv. 35, utsettelse på E6, utsettelser her og utsettelser der. Det er og at statsråden ikke vil ta inn over seg det, selv om hun sier at denne regjeringen gjør så mye. Men vi har store utfordringer, og da må det faktisk være sånn at vi har lov til å påpeke dette når man er ute og ser hvordan det står til enkelte steder. Jeg har vært i Øksfjordtunnelen. Den er ikke lenger et statlig ansvar, men den er ett av problemene som staten bare sendte over til fylkeskommunene uten å sørge for at man fikk økonomi til å rydde opp i det. Jeg synes det er viktig å vite hva folk mener, og hvordan folk ser på Jeg skjønner at det for en statsråd og for en regjering ikke er like populært, for det kan hende at man må ta inn over seg at det står verre til enn det man forsøker å fremstille det som. Jeg viste til at man etter sju år bør begynne å ta ansvar – sju år i samferdselspolitikken er lenge, nesten som en evighet – men det er kanskje ikke det, for vi bruker jo ni år på å planlegge et veiprosjekt før man begynner å bygge, men det er altfor dårlig. dårlig. Jeg synes også det er viktig å ha med seg og viktig å minne om her at kanskje de beste undersøkelsene og tilbakemeldingene man får, er fra Havarikommisjonen, som klart og tydelig i flere ulykker har slått fast at det er veien og veiens tilstand som er grunnen til at ulykkene skjer. Det vi ofte opplever, er at folk som representerer enten Samferdselsdepartementet, eller veldig ofte Statens vegvesen, sier at vi kan ikke bare skylde på det. Vi opplevde dette bl.a. da Havarikommisjonen la fram sin rapport om ulykken utenfor Alta. Jeg håper at statsråden vil ta inn over seg den virkelighetsoppfatning, som i hvert fall jeg har tatt inn over meg, at det her er gjort mye godt, men det er også veldig mange utfordringer. Flere har ikke bedt om ordet til sak
innstilling til I og II og forslag nr. 1, fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, som lyder: «Dokument 8:49 S – representantforslag frå stortingsrepresentantene Arne Sortevik, Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, Ingebjørg Godskesen, Harald T. Nesvik og Åge Starheim om finansieringsplan og organisatorisk opprydning etter naturkatastrofene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

representanten Bård Hoksrud, fortsatt uten briller. Jeg har lyst til å takke komiteen for godt samarbeid under jobbingen med denne saken. Dernest la meg slå fast at 2011 og første del av 2012 med all tydelighet har vist hvor sårbare vi er når naturkreftene setter inn for fullt. At det er dårlig vær i Norge, er ikke et ukjent fenomen. Sånn har det vært i alle tider, og slik vil det også fortsette å være fremover. Det som bl.a. stormen «Dagmar» til fulle viste, er hvor avhengig vi er blitt av kommunikasjonen og infrastrukturen i samfunnet vårt. Det gjelder både den tradisjonelle infrastrukturen som vei, jernbane og strømnett, men også nyere infrastruktur som telefoni, Internett og nødnett ble til fulle utfordret. Vi opplevde at enkelte utsatte områder i flere uker var uten vital infrastruktur som telefoni, strøm, vei Det er derfor svært viktig å sørge for at man har backup-systemer som settes inn når det skjer uforutsette hendelser som stormer og andre naturkatastrofer. Alle vet også at mye av infrastrukturen i Norge er svært dårlig, og at det er lite som skal til for at det får store konsekvenser. Dårlig infrastruktur er med på å gjøre skadeomfanget svært omfattende. Ødeleggelsene medfører store utfordringer, spesielt for kommuner og fylkeskommuner som ikke har store økonomiske midler og ressurser for å kunne rydde opp etter naturens herjinger, i bakkant. Det er derfor svært viktig å sørge for at storsamfunnet stiller opp og hjelper kommuner og fylkeskommuner med å rydde opp når naturens herjinger har skadet og ødelagt infrastrukturen. Da «Dagmar» hadde feid over landet og reist, var både samferdselsministeren og statsministeren raskt ute og lovet at det ikke skulle stå på penger for å rydde opp etter stormens herjinger. Dessverre er ikke samferdselsministerens og statsministerens løfter blitt oppfylt, noe som klart kommer fram i et svarbrev, datert 22. desember, fra Kommunal- og regionaldepartementet til Fylkesmannen i Oppland. Han søker om skjønnsmidler og ber om at alle kommunenes utgifter etter stormen, totalt 46,1 mill. kr, dekkes fullt ut. I svarbrevet kommer det fram at staten i utgangspunktet dekker ca. 50 pst. av utgiftene, noe som er langt unna regjeringens løfter. Men dessverre er det ikke noe nytt at man opplever at løfter ikke blir fulgt opp. Dette er veldig trist og setter kommunene i en utrolig vanskelig økonomisk situasjon. I Sogn og Fjordane ser vi at utgiftene, ifølge Bergens Tidende 27. mars, er på hele 56 mill. kr. Også her ser man at det legges opp til at kommunene kun skal få dekket ca. 50 pst. av utgiftene. Dette betyr at uforutsette storm- og naturkatastrofer i kommunen vil kunne ramme kommunens tjenestetilbud, bl.a. innen helse og omsorg og skolesektoren, fordi man ikke får dekket alle kostnadene som man blir påført. Derfor er det skuffende å oppleve at ingen andre partier støtter Fremskrittspartiets forslag om å legge fram en finansieringsplan for å fullfinansiere opprydning og reparasjonsarbeid etter naturkatastrofer. Vi i Fremskrittspartiet er derimot glade for at Høyre og Kristelig Folkeparti støtter vårt forslag om å utrede behovet for bredere linjetraseer på strømnettet og vårt forslag om å utrede en samordning av det statlige ansvaret for strømnettet og all infrastruktur basert på elektronisk kommunikasjon. Jeg vil derfor ta opp det forslaget Fremskrittspartiet har, og anbefale komiteens tilråding til vedtak. Jeg håper at regjeringspartiene vil snu og støtte opp om disse viktige forslagene. Representanten Bård Hoksrud har tatt opp det forslaget han refererte til. til. Som saksordføreren redegjorde for, har ekstremvær, flom og ras de siste årene ført til store skader på infrastruktur. E6 og Dovrebanen måtte stenge som følge av flommen i Gudbrandsdalen og Østerdalen, og stormene denne vinteren førte til at mange mistet strømforsyningen og mobilnettet. Eksemplene er mange over hele landet. Derfor har både opprydningsarbeidet og det å sikre en mer robust infrastruktur vært – og er Statsråden gir en omfattende redegjørelse i sitt svarbrev, både når det gjelder de tiltak som er gjennomført, og de vurderingene som skal gjøres framover, bl.a. i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Ifølge verdens ledende klimaeksperter vil klimaendringene føre til mer ekstremvær i årene som kommer. I 2009 var det 1 grad varmere i Norge enn hva som er normalt. Scenarioer for klimaendringer i Norge antyder at middeltemperaturen kan forventes å øke 2,3–4,6 grader innen 2100. Det at vi ikke vet helt sikkert hvor mye temperaturen vil øke, er først og fremst fordi vi ikke vet hvor store utslippene vil være i årene framover. Det kan bli hele 40–50 pst. mer nedbør i Norge. Det vil garantert bli mer flom og flere ras, og det vil rase på steder der det ikke har gått ras før. Fordi klimaendringene vil få store konsekvenser og være mye mer alvorlige enn de skadene vi hittil har sett, bl.a. på infrastruktur, har et tverrpolitisk flertall på Stortinget – alle så nær som Fremskrittspartiet – gått inn for et klimaforlik der en tar til orde for å redusere klimautslippene. Flere medlemmer i Fremskrittspartiet, som f.eks. representanten Sortevik, stiller endog spørsmål ved om I et innlegg i Dagsavisen i fjor sommer skriver representanten: «Det er for tidlig å konkludere rundt årsakssammenhenger vedrørende klimaendringer.» Han skriver videre: «På denne bakgrunn blir ensidig føre-var politikk lett farlig-snar politikk der behov for nasjonale tiltak er sterkt overkommunisert og konsekvenser for innbyggerne sterkt underkommunisert.» Det er å håpe at selv om representanten Sortevik kanskje ikke er så opptatt av de konsekvensene klimaendringene får for folk som bor på Maldivene, kan de konsekvensene klimaendringene har fått for folk som bor i Norge, få representanten til å skifte mening. Flommen i Gudbrandsdalen gjorde, som sagt, skader for flere hundre millioner kroner. Fremskrittspartiet mente etter dette at «det er feil at folk som bor på naturtrygge steder skal betale like mye som de som bor utsatt til». Representanten Gjermund Hagesæter ba både finansministeren og justisministeren om å endre loven, slik at folk som har valgt å bosette seg på steder utsatt for flom og ras, skulle betale mer i forsikringspremie enn folk som ikke har det – eller, som representanten uttalte til VG 15. juni i fjor: det skal bli litt dyrere å bo på utsatte steder. Forhåpentligvis kan det ha en litt oppdragende effekt.» Dette var selvfølgelig en helt uaktuell politikk for regjeringen, noe også daværende justisminister Knut Storberget var forbilledlig klar på i sitt svar til representanten, med sitt korte og utvetydige nei til Fremskrittspartiets ønske. Det er jo trist at når Fremskrittspartiet strekker hånden ut til dem som er ofre etter flom og ras, er det ikke en hjelpende hånd, men et krav om at de skal betale mer selv. Jeg kan på vegne av det rød-grønne flertallet love at vi vil fortsette med den solidariske forsikringsordningen og fortsette med samferdselsløftet for å bygge en mer robust infrastruktur, som også tåler konsekvensene av

Først vil jeg gi litt ros til Fremskrittspartiet for å ha tatt opp problematikken. Det er ikke tvil om at med disse utsikter til naturkatastrofer i framtiden er det viktig at vi er forberedt, at vi ikke går inn i dette helt uforberedt. Miljøkatastrofer er ikke noe nytt for oss på denne kloden. Vi vet at det ganske ofte har skjedd i stort omfang – ganske store miljøkatastrofer også, hvis vi går tilbake tid. Den største er godt beskrevet, så vidt jeg kan bedømme, i Første Mosebok kapittel 7 – det er greit at forsamlingen sitter: «Herren sa til Noah: «Gå inn i arken, du og hele din husstand! For du er den eneste jeg i denne tid har sett som er rettferdig for meg.»» Det er senere blitt utlagt at årsaken var at Gud ville straffe på grunn av kjødelig begjær. Hvis vi i forsamlingen skal bedømme utviklingen av kjødelig begjær i Norge – jeg tenkte ikke på Stortinget – kan det vel være at det ligger an til flere naturkatastrofer i framtiden. Men det finnes andre grunner til at det blir katastrofer, og noe av det er vi nok medvirkende til selv. Da tenker jeg på oppvarming av kloden, som det er litt forskjellige meninger om, men de aller fleste mener at dette her er vi delvis delaktige i selv. Da vet vi at det skjer ting. Det er i særdeleshet oppvarming av havet, som har ført til at du får stormer, oversvømmelser og skred. Det hadde vi mye av i 2011, og vi har faktisk hatt en god del av det i år også. Men det er kanskje bare småtterier i forhold til hva som kan komme. Jeg så på et TV-program i går kveld, der det var snakk om sannsynligheten for at en meteor treffer kloden, og sannsynligheten for flere tilfeller av slik utenforstående påvirkning av kloden vår. Vi vet at ingen har greid å finne den egentlige årsaken til at dinosaurene ble borte fra jordens overflate for for noen millioner år siden. – Jeg er litt usikker på hvor mye tid jeg har til overs her, president, det står 92 minutter – det blir litt mye … Vi skal ikke se bort fra at det kan skje store naturkatastrofer i framtiden som vi har problemer med å møte. Men la oss nå konsentrere oss om dem som har skjedd, og som forslaget fra Fremskrittspartiet er rettet mot; det er det nivået vi hadde i 2011 og 2012. Det er ikke tvil om at vi ikke var godt forberedt, og så er det slik at det moderne samfunn er blitt sårbart – det er blitt meget sårbart. Vi har faktisk dårlige muligheter for å overleve på en normal måte. Jeg opplevde selv forleden at strømmen ble borte et par netter på rad, og med det kompliserte fyringsanlegget jeg har hjemme på gården, måtte jeg faktisk delvis være oppe om natten. Det har ført til at jeg vurderer å installere et eget aggregat. Men hver familie kan neppe ha et eget aggregat, så sikkerheten for tilførsel av elektrisk forsyning er viktig. Muligheten for å kunne operere et datanett – altså IKT – er viktig. Jeg hadde en nabo som kom på døra forrige helg; hans datanett fungerte ikke, og han fikk ikke gjort banktjenester, så han måtte komme til noen som hadde det. Manglende mobildekning vet vi var veldig alvorlig for en del av dem som var utsatt for stormen nå i vinter, da det ikke var mulig å 2010, så vi det berørte samfunnet i veldig stor grad, og vi var glade for at det ikke var akkurat nå i vinter, når Dovrebanen henger i skinner. Nå skal jeg ikke beskylde statsråd Meltveit Kleppa for akkurat det, for det var uforutsett, men det hadde i hvert fall ikke vært noen særlig forbindelse mellom Trondheim og Oslo dersom det hadde skjedd i dag. Hoksrud nevnte de forslagene vi stiller oss bak. Nå mener vi regjeringen har en god mulighet til å komme tilbake til finansieringen av dette i revidert nasjonalbudsjett, og ser fram til at de gjør det. Kristeleg Folkeparti har i innstillinga gitt ros til Framstegspartiet for å ta opp ei viktig sak. Kristeleg Folkeparti og Framstegspartiet er

viste til dei store naturkatastrofane langt tilbake i tid. Utfordringa no er at det er dei menneskeskapte endringane som er med på å gjere at dette problemet er større enn nokon gong. Eg vil òg vise til at komiteen var på tur i Hedmark og Oppland. Me fekk då høre eit føredrag frå fylkesmannen – ein fylkesmann statsråden kjenner godt, Kristin Hille Valla i Oppland

at når regjeringa gir signal når ulukka er ute, er det viktig at dei følgjer opp dette, i samsvar med dei forventningane dei gir. Det blir et kort innlegg, som kommer på bakgrunn av representanten Myraunes filosofering over klimaendringer. Det er Det blir et kort innlegg, som kommer på bakgrunn av representanten Myraunes filosofering over klimaendringer. Det er nettopp den argumentasjonen der som gjør at vi må ha den type fleksibel beredskap som det legges opp til fra departementet. Jeg kan bare slutte meg fullt og helt til det som står i brevet fra Samferdselsdepartementet av 13. februar i der denne endringen – denne menneskeskapte endringen – vi kan forvente i løpet av de neste årtier, gjør at vi må ha en kontinuerlig økt beredskap, men den må være veldig fleksibel i forhold til det som dukker opp. Det som selvsagt må ligge i bunnen, er at vi må ha et statlig ansvar for at vi gir kompensasjon for ødeleggelser knyttet til naturkatastrofer. Det instrumentet som ikke er nevnt foreløpig i debatten, er skjønnsmidler fra Kommunaldepartementet, som er Det instrumentet som ikke er nevnt foreløpig i debatten, er skjønnsmidler fra Kommunaldepartementet, som er en veldig fin og fleksibel ordning i forhold til behovet ute i fylkeskommunene og ute i kommunene. Fylkeskommunen kan søke direkte til departementet, ellers er det Fylkesmannen som administrerer disse ordningene.

da tatt opp det forslaget han refererte. Uvêret «Dagmar» i romjula var på ny ei påminning om

vil fyrst berre ganske kort kommentera frå innstillinga det som Høgre og Kristeleg Folkeparti kommenterer om kva dei kommunane, som denne gongen var ramma, opplevde. Det kan i deira merknad sjå ut som om vi korkje har ordningar eller følgjer opp i ettertid, og det er eit velmeint råd her om å nytta revidert budsjett som ein arena. Det er ikkje noko nytt at revidert budsjett blir brukt til uføreseielege hendingar. Det er tvert imot, som dei òg skriv, ein god plass å ta opp spørsmål knytt til slike uventa hendingar. I forkant av dette har det vore eit løp slik det pleier, der fylkesmennene blir bedne om å samla inn rapportar frå kommunane om kva som må rettast opp og utbetrast, der Statens vegvesen same oppdraget, og i tilfelle jernbanen er inne i biletet, får dei same beskjed. Så opprydding etter «Dagmar» blir ei sak i revidert. Så må òg klima og klimaendringar bli eit spesielt tema i komande Nasjonal transportplan.

at det var fleire årsaker til at straumforsyninga svikta mange stader under uvêret «Dagmar», og at det er rett at mange av skadene kjem av tre som fall over linjene. Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, som fastset minimumsbreidder ut frå omsynet til eltryggleik og berøringsfare, men desse avstandskrava har ikkje vore slik at ein krev ryddebelte som òg dekkjer velteavstand til trea. Det vil vera ein føresetnad om ein ynskjer å minimera risikoen for trefall på leidningane. Ei slik utviding av ryddebeltet langs luftleidningane vil bli tid- og ressurskrevjande; det krev at ein gjev netteigar ein lovheimla rett til å ekspropriera nødvendig grunn utover det dei avtalane som vi har i dag, dekkjer. Nokre nettselskap har gode erfaringar med å fella tre utover minsteavstanden der det verkar sannsynleg at tre kan detta over leidningane. Erfaringane med «Dagmar» gjer at det no er heilt nødvendig å sjå på regelverket rundt kraftgater. Så til

vil det vera bl.a. leveringskvalitet, regulering av inntektene til nettselskapet og effektiv drift og utnytting av straumnettet. Slik sett er det viktig til kvar tid å finna den rette balansen mellom alle desse omsyna. Det blir replikkordskifte. replikkordskifte. Jeg føler at statsråden prater litt rundt grøten når hun sier at det kommer en sak i forbindelse med revidert. Da er spørsmålet mitt veldig enkelt og klart, og jeg håper at statsråden kan svare ja eller nei på det: Vil kommunene og alle som har hatt ugifter i forbindelse med

praktisert av Kommunal- og regionaldepartementet. Det vil ikkje bli innført noka ekstra ordning for 2012, men her er ryddige, føreseielege ordningar som kommunar og fylkeskommunar er vel

til statsråden er eigentleg ganske kort: Er ho villig til å tydeliggjere krava til mobiloperatørane – da tenkjer eg på risiko- og sårbarheitsanalysar? Me har jo hatt ulike episodar der vi nettopp ser at den typen regelmessige risiko- og sårbarheitsanalysar ikkje har vore gode nok På kva måte ser statsråden på dette? Det er mitt spørsmål. Eg meiner at vi opplevde alvorlege hendingar både i mai og i juni i fjor på dette feltet, til liks med i romjula, som viser oss at det her verkeleg er behov for ei forbetring. Det var med bakgrunn i mai og juni at vi bad Post- og teletilsynet om det Det var med bakgrunn i mai og juni at vi bad Post- og teletilsynet om det fyrste oppdraget for å sjå på korleis vi kan skjerpa både regelverk og vilkår overfor mobilleverandørane, og i tillegg òg eit samarbeid mellom Direktoratet for samfunnssikkerheit og beredskap og Post- og teletilsynet – ein annan rapport. Begge desse kunne vi òg supplera med erfaringane

at staten og kommunen deler på utgiftene. Halvparten ligger altså igjen på anstrengte kommune- og fylkeskommunebudsjetter. Er ikke samferdselsministeren betenkt over at fylkesveinettet er blant de veinett som er påført skader, og at etterslepet på veivedlikeholdet på fylkesveiene vil sakke ekstra og enda mer dersom de spesielle skadene som vi snakker om her, ikke blir dekket inn på en bedre måte? Det er heilt klart urimeleg å forventa at kommunar og fylkeskommunar skal ta ei opprydding og ei utbetring etter det ekstremvêret som vi såg i romjula, heilt på eigen kjøl. Det er òg slik at vi har etablerte ordningar for korleis uventa utgifter blir handterte. Så skal ikkje eg i dag forskotera kva som måtte koma verken i revidert nasjonalbudsjett eller form av skjønnsmidlar, men skjønnsmidlar er jo den moglegheita som Kommunal- og regionaldepartementet har overfor fylkeskommunar og kommunar. Her trengst ytterlegare midlar for å dekkja alle felt, inklusiv vegvesen og bane. Vi kjem tilbake til denne saka i revidert. revidert. I ministerens forrige svar til meg viser hun til at det finnes forutsigbare og ryddige ordninger for å rydde opp etter storm og naturkatastrofer. Ja, det vet vi går veldig godt! Men når regjeringen reiser rundt og lover at man skal rydde opp, og det skal ikke stå på penger når man skal rydde opp etter naturkatastrofer – spesielt i Hedmark og Oppland var vel både statsministeren og samferdselsministeren ute og lovet det – skjønner da statsråden at kommuner og fylkeskommuner føler seg lurt når de opplever at de bare får kompensert ca. halvparten av kostnadene? Representanten Hoksrud veit svært godt at

opprydding, og så fekk dei tildelt den resterande delen. For kommunar og fylkeskommunar føregår det ein dialog med Kommunaldepartementet. Det har òg skjedd i dette tilfellet. Så kan det henda at det blir spørsmål om på kva måte ting skal ryddast opp og setjast i stand. Det har eg tillit til at Kommunaldepartementet, kommunane og Fylkesmannen handterer i er omme. Jeg er glad for at statsråden deler Fremskrittspartiets oppfatning om at det vil være urimelig at berørte kommuner og fylkeskommuner blir sittende igjen med store deler av regningen etter uvær som ødelegger infrastruktur. Men slik er det jo, og det bringer oss tilbake til selve utgangspunktet for å fremme dette forslaget. Dessverre er det slik at det avviser de andre partiene. Vi vil ha en finansieringsplan for fullfinansiering av opprydning og reparasjonsarbeid etter naturkatastrofene i 2011 og starten av 2012 knyttet til vei og jernbane. jernbane. Det vil også gi anledning til å se på hele ordningen generelt. Ordningen generelt er altså slik jeg refererte i replikkvekslingen, at staten og kommunen deler på utgiftene. Det mener Fremskrittspartiet er feil. Vi mener det er urimelig at en så stor del av kostnadene knyttet til uværsødeleggelser av infrastruktur ligger igjen i trange kommunebudsjett og trange fylkeskommunebudsjett. Det er det saken dreier seg om. Representanten Bjørnflaten fra Arbeiderpartiet har bevisst forsøkt å snakke seg bort fra det saken gjelder. Det skjønner vi i Fremskrittspartiet godt, for det er bevisst overkommunisert i valgkamp at nettopp staten skal ta regningen – hele regningen – og at det ikke skal stå på penger. Og det er bevisst underkommunisert etter valgkamp at staten slett ikke gjør det, men at staten faktisk stikker fra regningen, og at store deler av regningen ligger igjen hos både kommuner og fylker. Det fikk vi i transportkomiteen en påminnelse om da vi for en del uker siden var på

slik at så lenge menneskeheten er i stand til å måle bakover, har det vært store og sterke klimatiske variasjoner, og det vil nok fortsette. Det har vært store og sterke klimatiske variasjoner lenge før dagens menneskehet gikk oppreist på landjorden, og slik vil det nok fortsette, også med utgangspunkt i dagens sivilisasjon. Vi må forberede oss på at det kan komme uvær. Det har vi vært klar over lenge, men vi må også ha et regime som gjør det håndterbart for kommuner som rammes av uvær, slik at de får ryddet opp og reparert sin infrastruktur uten å bli sittende igjen med store deler av regningen selv. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 9. Etter ønske fra transport- og kommunikasjonskomiteen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

hvorav hele 38,9 mrd. kr skulle hentes inn fra bilistene i form av ekstraskatt, såkalte bompenger. En stor del av midlene fra Oslopakke 3 skal også brukes til kollektivtrafikken. Andelen her er nå oppe i 38,4 pst. Det viser seg nå at de aller fleste prosjektene i Oslopakke 3 sprekker, og de sprekker ganske kraftig. De siste kostnadsoverslagene, dersom man skal gjennomføre alle prosjektene som ligger i pakken, er økt fra de opprinnelige 53 mrd. kr til nærmere det dobbelte – nesten 100 mrd. kr. Dette betyr at mange av de forutsetningene som ligger i pakken, brister, og den skjøre pakken er i ferd med å falle sammen. Jeg vil bruke resten av mitt innlegg til å redegjøre for Fremskrittspartiets syn og våre forslag i saken. Fremskrittspartiet mener at bompenger er en ekstraskatt. Dette er et forsøk fra regjeringen på å dra inn vanlige folks kjøpekraft, samt å skjule at man faktisk ikke holder løftene om ikke å øke skattene, slik Stoltenberg lovet før valget i 2005. Jeg registrerer også at mange forsøker å skyve miljøspørsmålet foran seg i denne saken og argumenterer for at det ikke er mulig å bygge seg ut av trafikkproblemene i Oslo. Dette er i beste fall et forsøk på å villede folk. Oslo blir som en liten forstad i Paris å regne, når det gjelder befolkning. Det er selvfølgelig fullt mulig å møte trafikkutfordringene i og rundt Oslo hvis man vil, og hvis man ønsker å se på og ta i bruk nye og smarte løsninger. Da kan man møte de trafikale utfordringene Oslo står overfor. Men det betyr at man må ha flere tanker i hodet på en gang. I tillegg til å ruste opp buss- og T-banetilbudet i Oslo må jernbanen gis et løft, samtidig som man må utbedre veinettet gjennom å øke kapasiteten og bygge ut ringveisystemet rundt sentrum av landets hovedstad. Bompengene i Oslo utgjør nå ca. 2 mrd. kr i året. Det tilsvarer over en tredjedel av det staten bruker til infrastrukturinvesteringer på riksveinettet vårt. Derfor er jeg overbevist om at miljøargumentet bare er et forsøk på å skjule det dette faktisk handler om. Det synes jeg at regjeringen veldig tydelig viser gjennom statsrådens svar til komiteen, hvor statsråden skriver: «Forslaget har også store økonomiske konsekvenser. Inntektene fra bompengeringen er i størrelsesorden 2 mrd. kr per år.» Ja, det er nok dette som er den egentlige grunnen til at man ikke vil støtte Fremskrittspartiets forslag om å fullfinansiere Oslopakke 3 med statlige midler. Jeg hadde skjønt argumentasjonen dersom vi hadde vært et fattig land. Men det er ikke tilfellet – vi har over 3 000 mrd. kr på bok, og vi har faktisk råd til å finansiere utbyggingen av et skikkelig infrastrukturnett både i hovedstaden og i hele landet. Jeg hører at mange i denne salen på ramme alvor mener at vi har råd til å bruke på å bygge ut lyntog mellom de fem største byene i Norge, men ikke har råd til å fjerne bompengene på veinettet vårt. Det viser til fulle at det handler om politiske prioriteringer og vilje, om man vil bygge ut veinettet med statlige midler eller ikke. Med en stat som er søkkrik, vil en statlig finansiering og utbyggingen av Oslopakke 3 bety enorme besparelser for samfunnet på sikt. I motsetning til flertallet i denne salen har Fremskrittspartiet både politisk vilje og handlekraft til å ville investere i infrastruktur uten bompenger og med full statlig finansiering. Jeg vil derfor ta opp Fremskrittspartiets forslag i saken og oppfordrer alle andre partier til å støtte forslaget om full statlig finansiering av Oslopakke 3. Representanten Bård Hoksrud har tatt opp det forslaget han refererte til. Dette forslaget gir Stortinget en god anledning til å drøfte den rød-grønne regjeringens ansvar – og

I denne saken løper regjeringen fra regningen og skyver den over på bilister og busspassasjerer i Oslo og Akershus. I Høyres kollektivplan fra april i fjor, og i forslag til statsbudsjett de senere årene, har vi vært klare på at staten bør ta en større del av viktige kollektivtransportinvesteringer i storbyene. Regjeringen løper, som sagt, fra regningen, og det er noen andre – bilister og busspassasjerer i dette området som får den. Viktige prosjekter i Oslopakke 3 er f.eks. E18 Vestkorridoren, Fornebubanen og T-bane mot Ahus. Fylkesveiene i Akershus har også et stort etterslep som må tas inn. Oslopakke 3 er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veier og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus – det

og den andre halvparten går til kollektivtransport. Blant de viktigste prosjektene i porteføljen er ny E18 vestover, Manglerudtunnelen, Bjørvikatunnelen, Lørensvingen og Røatunnelen samt en generell oppfinansiering av kollektivtrafikken i Oslo-området. Oslopakke 3 er et av de aller største bompengefinansierte samferdselsprosjektene vi har i Nord-Europa. Siden enigheten om Oslopakke 3 i 2006 har kostnadsrammen for prosjektene sprukket med 35 mrd. kr. Statens vegvesen har stått for budsjettsprekker på flere milliarder ved realiseringen av flere prosjekter. På strekningen Ulven–Sinsen er overskridelsen ikke mindre enn Oslopakke 3 er i dag kraftig underfinansiert og må derfor reforhandles. Ifølge byrådet i Oslo er det flere løsninger som er aktuelle, og som nå ligger på forhandlingsbordet. Den ene er at staten dekker hele underskuddet i Oslopakke 3. En annen er at prosjekter tas ut av pakken og ikke blir realisert, eller at prosjekter tas ut av pakken og finansieres gjennom egne bomsnitt, eller at bompengeperioden forlenges, eller at det etableres nye bomsnitt, eller at bompengesatsene økes. Sprekken i Oslopakke 3 er altså på 35 mrd. kr. Et statlig tilskudd i denne størrelsesordenen oppfatter vi fra Høyre som urealistisk. Derfor må flere av de ovennevnte tiltak vurderes. Det er også de signalene jeg ser at lokalpolitikerne drøfter i det aktuelle området.

statsbudsjett. Når Statens vegvesen har vært klart ansvarlig for kostnadsoverskridelser, er det også rimelig at disse dekkes av staten. Dette pleier staten å gjøre på riksveiene. Staten kan også bidra til å finansiere tiltak som i dag ikke er med i Oslopakke 3, men som likevel vil være nødvendig for å sikre effektiv trafikkavvikling i Oslo som gagner hele landet, f.eks. en ny T-banetunnel. Ruter kan også få en mulighet til å legge inn anbud på drift av lokaltog i regionen. I Høyres kollektivplan fra i fjor, og i forslag til statsbudsjett de senere årene, har vi vært tydelige på at staten bør ta en større del av viktige kollektivtransportinvesteringer i storbyene. La meg avslutte der jeg startet: Storbyene kveles av trafikk dersom staten ikke tar et større ansvar for kollektivtransporten. I denne saken

som har vært til nytte for veldig mange som bruker tog og bane hver dag. I den siste brukertilfredshetsmålingen som Fjellinjen foretok for ett år siden, svarte tre av fire at de aksepterer betaling av bompenger i denne regionen, at de ser at veisystemene blir bedre, og at de også aksepterer at deres bompenger kan gå til drift av kollektivtrafikken. Fordelingen er enkel: 60 pst. til Oslo og 40 pst. til Akershus. Bakgrunnen for Oslopakke 3 var i Bakgrunnen for Oslopakke 3 var i sin tid at lokale politikere hadde akseptert at bompenger og brukerfinansiering måtte benyttes, og at man i tillegg gjennom NTP i 2004 – en annen regjerings NTP, en regjering med en annen politisk farge – var kjent med hva som var statens bidrag til regionen. Da det politiske forliket ble inngått i 2006, var det landets største bompengeforlik. Styrken i politiske forlik er jo den brede tilslutningen og viljen til å finne løsninger regionalt. Så er det en virkelighetsoppfatning om hvem som har ansvaret. Jeg mener at her må regionale politikere ta en vesentlig del av ansvaret for å lage forlik. Det er også en vesentlig del av ansvaret at forliket videreføres. Så behandlet Stortinget i 2008 en endring av vegtrafikkloven som åpnet for at bompenger også kan brukes til drift av kollektivtrafikk. Det er Det at 25 pst. av bompengene kan brukes til drift, betyr at innbyggerne har fått et vesentlig bedre kollektivtilbud enn det de hadde tidligere. Det gjør at kollektivtrafikken på sikt kan være med på å utkonkurrere privatbilen. Svakheten med Oslopakke 3 er åpenbart at den ble dyrere enn det vi hadde forventet. Det er om det Fremskrittspartiet fremmer forslag.

respekt for dem som har inngått dette forliket, mener jeg at Stortinget nå kan vente til 1. juni før man begynner å diskutere de store løsningene. Det er besnærende å begynne å tenke på alternative løsninger, f.eks. for E18 vestover. Jeg mener at akkurat nå må dette ansvaret ligge på de regionale politikerne. Som tidligere nevnt, bidrar bilistene til at folk i Oslo og Akershus får et bedre kollektivtilbud. Det hadde vært fint om Fremskrittspartiets forslag også kunne fange opp dette, når de ønsker en ønsker en debatt i Stortinget om Oslopakke 3. Én ting er troen på å bygge seg ut av befolkningsveksten med nye veier, en annen ting er å innrømme at 70 pst. av klimagassutslippene i denne regionen kommer nettopp fra privatbilismen. I løpet av 20 år vil det komme 250 000 nye innbyggere. De kan ikke kjøre bil til jobben. Erna Solberg var på et møte i Asker i forrige uke, og det er hyggelig at hun kommer til Akershus og ser de utfordringen man har, særlig med med Erna Solberg, men hun sier at denne veksten må tas med kollektivtiltak, det er ikke noen rettighet at folk som bor ved og kjører på E18, skal få lov til å kjøre alene i bil til jobben. Det er gode signaler fra en stor og viktig avtalepart i Oslopakke 3. Så har vi lest etatenes forslag til NTP. Der er det fokus på kollektivtrafikk og befolkningsvekst i byene. Den diskusjonen skal Arbeiderpartiet gå tungt inn i.

å ta bort brukarfinansieringa og gjere det enda meir attraktivt å kjøre bil. Brukarfinansiering meiner eg kan ha to gode og positive sider. Det eine er at det først og fremst gir finansiering, midlar, som me kan bruke til både veg og kollektivtiltak. Det andre er at det har ein regulerande effekt. Når det gjeld Oslopakke 3, har ein begge effektane – både at me får meir pengar

som gjer denne situasjonen enda verre, synest eg er vanskeleg å forstå. Eg meiner at bompengesystemet fungerer godt når det gjeld å ha ein regulerande effekt, men eg synest det er ei utfording at finansieringa av Oslopakke 3 er slik at jo fleire som kjører bil, jo meir pengar får me til å bruke på tiltak innanfor Oslopakke 3, og jo fleire som vel å kjøre kollektivt, jo mindre pengar får me. Da har me på ein måte motsett incentivbruk av det me treng. Me ønskjer jo at færre skal kjøre bil. Blir det resultatet, får me mindre midlar til viktige satsingar i Oslopakke 3. Får me fleire til å

arbeidarpartiregjeringa som ønskte å lyfte dette store og viktige prosjektet. Den gongen var politikarane i Oslo kommune faktisk usikre på korleis dei skulle sjå på det prosjektet, men staten gjekk inn både i reguleringsarbeidet og i det økonomiske arbeidet. Det meiner eg me no må sjå meir av i tida framover. Men det gjeld ikkje berre Oslo – det gjeld òg byar som Bergen, Stavanger, Trondheim, der me òg treng å lyfte bybanesatsinga. Satsinga på skjenegåande trafikk er heilt nødvendig skal me møte dei store kollektivutfordringane som me har i storbyane våre. Så vil eg berre minne om det NHO sa i dag til ein samla stortingskomité. Det var nettopp at brukarfinansiering er eit viktig verkemiddel, og regulerande tiltak er heilt nødvendige. Eg gleder meg over at det er eit stort fleirtal i denne saka som er einig med NHO, og regjeringspartia står saman med både Høgre og Kristeleg Folkeparti. Eg forventar òg at kollektivpartiet Venstre – som kjem no – er einig i den retninga.

Dette var forutseende og løsningsorientert, og en naturlig fortsettelse på Oslopakke 1, som dreide seg om vei, Oslopakke 2, som dreide seg om kollektivtrafikk, og nå Oslopakke 3, som tar opp i seg både vei og kollektiv. Odd Einar Dørum brukte mye tid, telefoner ikke minst, og krefter på å få til en tverrpolitisk enighet. Det lyktes han med, men unntak av – og litt paradoksalt, som også representanten Hov Eggen var inne på unntak av – og litt paradoksalt, som også representanten Hov Eggen var inne på – Fremskrittspartiet i Akershus. Men de støtter pakken subsidiært. Uten denne tverrpolitiske enigheten er jeg usikker på hvor vi hadde vært i dag. Tanken på en statlig finansiering er selvsagt svært fristende, men like lite realistisk som at staten skal finansiere alle de andre vei- og kollektivpakkene som vi behandler i denne sal. Så mye penger har ikke Venstre innenfor et ansvarlig budsjett, selv om vi i våre alternative budsjetter bruker mer penger på samferdsel enn regjeringspartiene. Vi mener imidlertid, som Høyre og Kristelig Folkeparti, at staten må ta et betydelig større ansvar for dyre baneløsninger i de store byene, som Fornebu-banen, banen til Ahus og Kolsåsbanen. Tidligere samferdselsminister Torild Skogsholm hadde et mye større fokus på de store byene enn det vi ser at de to statsrådene fra Senterpartiet har og har hatt. Befolkningsveksten i og rundt de store byene er formidabel. Venstre mener at det meste av trafikken må tas med kollektive reiser. Det innbefatter også veibygging som kan ta unna kollektivtrafikk i form av buss. Et eksempel: I Asker og Bærums Budstikke denne uken kunne vi lese at det er «Svinedyrt å vente på E18.» En konsulentrapport fra Pöyry viser at kø og forsinkelser for godstransport på E18 i En konsulentrapport fra Pöyry viser at kø og forsinkelser for godstransport på E18 i dag har en årlig kostnad på mellom 670 og 1 000 mill. kr. Tallet vil øke til 2 050 mill. kr i 2030 dersom ikke strekningen utbedres betydelig. Jeg kan bekrefte mye av dette, da jeg nesten daglig står og beskuer trafikken på Kollektivtilbudet langs E18 i Vestkorridoren begynner å bli bedre, og antall kollektivreisende i Akershus har økt betraktelig de siste årene. Men ikke alle skal strake veien til Oslo, mange trenger privatbil i sitt daglige yrke, og kollektivtilbudet på tvers av Oslo og Akershus er fortsatt for dårlig. E18 i Vestregionen er Norges mest trafikkerte vei, med en Jeg mener staten også bør ta et større ansvar for denne veien, og jeg velger å lese innspillet fra fagetatene slik at Statens vegvesen også mener dette – men da med bompenger, noe vi også har i dag. Vi har satt opp en ekstra bom som primært skal gå til E18, så det er store forventninger til at det skjer noe der. Avslutningsvis: Selv om Venstre ikke støtter forslaget fra Fremskrittspartiet, er det svært positivt at Oslopakke 3 reises i denne sal med jevne mellomrom, for det er Norges mest befolkede område vi snakker om. Det å kunne reise kollektivt der, blir svært viktig i fremtiden. Det er

Nasjonal transportplan 2014–2023 lagt til grunn at trafikken må takast av kollektivtrafikk, sykling og gåing dersom det skal vera mogleg å oppretthalda ein funksjonell og attraktiv hovudstadsregion. Det har òg vore ein stor folkevekst dei siste åra i Oslo og Akershus. Trafikkutviklinga har likevel vore positiv. Trafikkteljingar viser at biltrafikken i Oslo er lågare enn i 2004. I Akershus er det framleis vekst i biltrafikken, men veksten har vore merkbart mindre dei siste åra enn det folkeveksten skulle tilseia. Forklaringa på den positive utviklinga er samansett. Viktige faktorar er truleg eit betre og billigare kollektivtilbod og auka pris gjennom bomringen. Forslaget om å fjerna bompengeinnkrevjinga i Oslo vil difor kunna bryta den positive trafikkutviklinga som skjer i Oslo og Akershus og føra til ei byutvikling med meir biltrafikk og større framkomst- og miljøproblem. Framstegspartiet er her talerøyr for den frie privatbilismen og synest ikkje å ta omsyn til trafikkavvikling i sitt forslag. Sjølv om bompengeinnkrevjinga i Oslo ikkje har trafikkregulering som sitt hovudmål, er det likevel slik at innkrevjinga fører til ei viss trafikkavvising. Modellberekningar som Statens vegvesen har gjort, viser at ei nedmontering av bompengeringen i Oslo kan gje ein trafikkauke på om lag 10 pst. i bompengesnittet. Totalt sett i heile Oslo og Akershus vil biltrafikken auka med 5–7 pst. Kollektivtrafikken vil tapa marknadsdelar. Allereie i dag er det nokre stader store trengselsproblem på vegnettet i rushperiodane morgon og ettermiddag.

vil difor kunna føra til ei uheldig utvikling i Oslo og Akershus med meir trengsel i vegnettet og større miljøproblem. Forslaget har òg store økonomiske konsekvensar. Eg skjønar at ikkje alle legg vekt på det, men inntektene frå bompengeringen er i størrelsesorden 2 mrd. kr per år. Eg ynskjer at Oslopakke 3 framleis skal vidareførast og finansierast med både bompengar statlege og fylkeskommunale midlar. Eg er difor glad for at eit fleirtal i komiteen ikkje går inn for å støtta forslaget om statleg fullfinansiering av Oslopakke 3. Eg er kjend med at det no skjer eit arbeid lokalt med å gå gjennom Oslopakke 3 når det gjeld både innhaldet i pakken og finansieringsløysingar. Eg ynskjer ikkje å gå nærare inn i desse problemstillingane i denne men eg vil nemna at eg overfor styringsgruppa for Oslopakke 3 har følgt opp regjeringa og Stortinget sine føringar om god økonomisk styring av pakka, fokus på klima og at hovudmålet om god framkomst for alle trafikkgrupper blir vektlagt. I forhold til ny Nasjonal transportplan var det ei klar bestilling i retningsline 2 frå departementet at etatane skulla spesielt sjå på korleis staten kan bidra i større grad enn i dag med ei medfinansiering som nettopp styrkjar kollektivtransport, sykkel og gåing. Etatane har så langt svart med konkrete forslag til oppfølging, og eg må seia at eg ser fram til den debatten som vi no skal ha om det i samband med plan- og stortingsmeldinga våren 2013. Eg meiner det er heilt nødvendig at staten stiller opp på ein større og betre måte enn i dag. Det blir replikkordskifte. Her er

som nå altså får en ekstraregning på drøye 40 mrd. kr for bilistene rett i fanget? Og: Hva tenker statsråden om at man skal vurdere å sette opp fem antennepunkter på vestkorridoren hver vei på E18? Det kommer til å bli dyrt. Er det ingen grense for statsråden for hvor mye man kan flå norske bilister for? Det er halde mange gode innlegg i denne debatten – belysande innlegg frå ulike parti – der ein i sum understrekar det finsikta kompromisset som er inngått i Oslopakke 3, altså i oppfølginga av Oslopakke 1 og Oslopakke 2. Det er i si tid sagt at her skal det vera porteføljestyring i den forstand at ein skal dei tiltaka som er mest effektive. Eg legg vekt på at lokaldemokratiet, som altså har inngått denne avtalen, òg no følgjer opp og ser på kva ein vil prioritera vidare, og korleis dette skal finansierast, og så skal vi koma tilbake til denne saka på eit seinare tidspunkt.

og så skal vi koma tilbake til denne saka på eit seinare tidspunkt. To ting: Det var betydelig kritikk fra Riksrevisjonen over forvaltningen av midlene som ble betalt inn av bilistene i Oslopakke 2. Hvordan blir det fulgt opp i forbindelse med Oslopakke 3? Det andre er: Statsråden avsluttet sitt innlegg med å si at staten må bedre sin deltakelse betydelig i forhold til dagens situasjon. Hva innebærer det? Hva er betydelig? Snakker vi om en statlig andel på 50 pst.? Det er naturlig å tenke på 50 pst., for utgangspunktet for de bompengeglade partiene på Stortinget, alle unntatt Fremskrittspartiet, har nemlig vært at man unntaksvis kunne finansiere med bompenger – det er da blitt regelen i mellomtiden – basert på at det var en deling 50–50. Vil vi se 50 pst. kostnadsdekning fra staten på

sykkel- og gangvegspørsmålet. Oslo er i dag i ei særstilling fordi staten stiller med fleire hundre millionar kroner i høve til lokaltog, som ein ikkje gjer i andre område. Men det er klart at her må vi sjå på korleis vi skal bidra i sterkare grad dei komande ti åra, og så må vi òg setja i gang eit arbeid med ein

dei ser på innhaldet i pakken, dei ser på finansieringsløysingar. Det meiner eg er både rett og nødvendig at dei gjer. Eg går ikkje inn i detaljane der. Så er det mange eksempel på at det har vore overskridingar i vegprosjekt. Det er òg nokre som kjem ut under budsjett. Det blir ei drøfting i kvart enkelt tilfelle korleis dei midlane skal brukast. Statsråden får trøste seg med at heller ikkje underteikna alltid har fått skryt for stemma si, og det er den permanente stemma! Det eg vil stille spørsmål til statsråden om, er: Styringsgruppa for Oslopakken har fungert veldig godt. Er det ein modell som òg kan vere aktuell for andre store byar for å gripe fatt i noko av koordineringa, som eg synest har fungert betre i Oslo og Akershus? Så var eg i innlegget mitt inne på T-banen. Da T-banen i si tid kom i Oslo, var det den minste byen i verda med ei T-baneløysing, og det var fordi staten tok eit betydeleg ansvar. Det same opplevde me på 1990-talet med utvidinga av T-banesystemet med Ringen. Me er nøydde til å ha meir skjenegang i både Oslo og Akershus. Er staten villig til å prioritere dette? Det blir ein svært spennande debatt no framover om på kva måte staten skal bidra. Vi må hugsa på at dette handlar ikkje berre om Oslo-området, sjølv om det er det vi set i fokus i dag. Det er òg andre, sterkt veksande byområde i landet vårt der det trengst ei solid styrking av kollektivtilbodet. Lat meg no ikkje forskotera verken organisering, dei tekniske løysingane eller finansieringa, men lat meg seia: Eg er overbevist om at staten må ta eit større medansvar for både organisering og finansiering av eit betydeleg betre

omkring, og – som samferdselsministeren selv sa – at hun har stort fokus på en ny Oslo-tunnel. Det er to veldig viktige områder. I mitt innlegg var jeg inne på E18 i Vestregionen og hvilke kostnader det har for næringslivet. Dette er både en lokalvei og en stor gjennomfartsvei. Jeg kjenner til innspillet fra fagetatene, men jeg ønsker å høre samferdselsministerens tanker rundt denne veistrekningen.

i styringsgruppa og mellom dei kommunane det gjeld, og fylkeskommunen. Eg vil avventa dei drøftingane som der skjer. No er det ikkje tvil om at E18 på sin måte er ei viktig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

var punkt 1. I merknadene er det sitert fra et brev fra statsråden: «Økt biltrafikk vil forsterke kapasitetsproblemene.» Ja vel. Hvis man tror det – la oss si at det er tilfellet: Hvorfor fullfinansierer man ikke da all kollektivtrafikk? Ville ikke det vært det mest fornuftige? Man sier at det vil bli umulig for kollektivtrafikken hvis vi bygger ut veier – det er ikke mulig. Nei vel, her står statsråden og flere andre representanter i salen og sier kollektivtrafikk, kollektivtrafikk, kollektivtrafikk, men ingen fremmer forslag om full statlig finansiering av kollektivsatsingen innenfor Oslopakke 3. Det er bare prat – unnskyld meg, president – det er bare prat, og det har det vært fra dag én. Nå kunne man ta dette på alvor. 35 mrd. kr, sa representanten Ingjerd Schou, det er mye penger. Ja, det er mye penger, men det er faktisk det det koster.

Hvis man bor f.eks. rundt Vestkorridoren, som er tatt ut av pakka, og muligens, skal finansieres separat, ja så blir det 10 000–20 000 kr i året. Hvor tror man de pengene går? Tror man at hver enkelt som kjører der, kommer til å betale det? Selvfølgelig blir det ikke sånn. De vil gå til sin arbeidsgiver og si at dette koster det meg å komme på jobb – det må arbeidsgiver betale og finansiere. Hva gjør arbeidsgiver da? Jo, det blir produksjonskostnader for arbeidsgiver, han legger på. Hva skjer da med varene han produserer? De blir dyrere. Hva skjer med norsk konkurranseevne? Jo, den går ned. Så sitter vi altså med Statens pensjonsfond på 3 500 mrd. kr i utlandet som vi investerer i våre konkurrentlands infrastruktur, og så lar vi vår egen industri dø, fordi vi insisterer på å skattlegge bedriftene enda mer. Det er ikke klokskap, det er dumskap. Mitt engasjement i denne debatten knytter seg selvfølgelig til at jeg er

selv fra der hvor jeg kommer fra, et godt stykke ut på Romerike, er det sjelden sitteplasser innover til Oslo, og i hvert fall ikke hjem igjen. Jeg vil si at situasjonen på toget nå rett og slett er farlig med tanke på sikkerheten. Systemet er i Systemet er i ferd med å bryte totalt sammen, og det har ikke gått inn hos ansvarlige myndigheter. Selv om man ønsker bare en liten prosentvis reduksjon i antall bilister, vil ikke kollektivsystemet være i stand til å ta imot disse på en forsvarlig måte. Derfor kommer man ikke utenom at man må gjøre investeringer både i vei og i kollektivtrafikk. I tillegg er situasjonen med innfartsparkering også helt utilfredsstillende. Vi ser også at staten har løpt fra ansvaret fullstendig med hensyn til å finansiere infrastruktur her i landet. Innbyggerne i Akershus opplever nå at det er kommet bomstasjoner i alle retninger. På E18 vestover, E6 sydover, ny E6 nordover, med mange bomstasjoner løpende, rv. 2, og jeg skal ikke utelukke at man kommer på rv. 22 også etter hvert. Dette viser at man løper fra regningen, og selv jeg som er en daglig bruker av kollektivtrafikken, får en betydelig bompengeregning hvert år for å dekke den fritidstrafikken jeg har. Derfor skuffer det meg at Høyre her i debatten sier at det er urealistisk med en økt statlig finansiering. Da sier man samtidig at Høyre er et bompengeparti. Det skuffer meg, for det viser også at man ikke har troverdighet i skatte- og avgiftspolitikken når man ikke gjør noe med de skatter og avgifter som man virkelig kan gjøre noe med.

Andre står og bruker talerstolen her og prater om miljøproblematikken som vi vil få, og som vi har. Ja, selvfølgelig har vi det. I alle byer har vi et problem med skadelige utslipp. Det sier seg selv. Men hva skjer når Fremskrittspartiet fremmer forslag om ikke å som vil stå for mindre forurensing? Da blir det stemt ned. Hva skjer når Fremskrittspartiet fremmer forslag om å redusere engangsavgiften på biler, slik at folk kan få muligheten til å kjøpe seg nyere, mer moderne biler, med mer avansert teknologi, som igjen gir mindre utslipp?

EUs førerkortdirektiv, som innføres i januar 2013, hever aldersgrensen for legeattest til 75 år som en konsekvens av levealdersutviklingen i Europa. I Norge øker den gjennomsnittlige levealderen med to måneder i året. Fortsetter denne utviklingen, vil vi om 20 år leve tre år og fire måneder lenger enn i 2012.

vil det trolig være så vanlig at ingen gidder å bry seg med det! Noen tall kan belyse dette: Blant kvinner over 80 år var det i 2005 73 pst. som ikke hadde bil. Blant menn var det samme år bare 23 pst. som ikke hadde bil. Like interessant er det at i aldersgruppen 65–69 år var det 71 pst. av kvinnene og 93 pst. av mennene som hadde bil. Og i aldersgruppen 60–64 år viser tallene at 89 pst. av kvinnene og hele 95 pst. av mennene hadde bil. Mitt poeng er at de som var 64 år i 2005, har passert 70 år er noen som har lagt førerkortet på hylla, kjører de fleste av dem fortsatt bil – ikke bare fordi bilen nærmest er en forlengelse av kroppen, men fordi bilen er helt vesentlig for eldre menneskers mobilitet og dermed også livskvalitet. Kvinner lever gjennomgående lenger enn menn. Likevel leverer kvinnene inn førerkortet tidligere enn menn. Kvinnene slutter å kjøre bil når de blir 78,5 år gamle, mennene venter til de er 79,5 år. Men det varer neppe lenge før kvinnene tar igjen mennene i så måte. Samlet sett blir det altså flere eldre som kjører bil lenger. Nå er det rett nok slik at evnen til å kjøre bil synker med høy alder, men i dag er det altså seks av ti i aldersgruppen 80–85 år som har førerkort, og hver femte person over 90 år er fortsatt bilfører. Jeg tror ikke vi helt har tatt inn over oss betydningen av denne utviklingen. Hensikten med denne interpellasjonen er derfor å rette oppmerksomheten mot eldre i trafikken, og dessuten bidra til at eldre i trafikken blir et tema i transportplanrevisjonen – i den gode hensikt å legge til rette for at flere kan kjøre bil i høy alder. Det er viktig fordi det har så stor betydning for eldres velferd, men også fordi det skaper en del utfordringer. Av den grunn synes jeg det er betimelig at vi nå får en diskusjon om egne ordninger for eldre i trafikken. Det kan eksempelvis være begrenset lokal kjørerett eller begrenset kjørerett til den tida av døgnet da det er lyst, for dem som har problemer med å kjøre i mørke. I denne omgang velger jeg altså å konsentrere meg om bilens betydning for eldres velferd, vel vitende om at gode kollektivløsninger og spesialtransport er like viktig for dem som ikke har anledning til å bruke bil, eller som er bevegelseshemmede. For en tid tilbake var Dagsrevyen opptatt av utrykningskjøretøyenes problemer med å komme fram i trafikken. En polititjenestemann kunne da fortelle alt folket at det fortrinnsvis var eldre bilførere som ikke overholdt vikteplikten, og dermed hindret utrykningskjøretøyene i å komme fram. Rent bortsett fra at slike utsagn i beste fall er svogerforskning, er de stigmatiserende og diskriminerende overfor eldre i trafikken. Det finnes ikke belegg for å hevde at eldre jevnt over er dårligere bilførere enn andre. Sammenlignet med f.eks. unge bilførere har eldre langt lavere ulykkesrisiko. Samtidig er det klart at risikoen øker med høy alder, skjønt de fleste tilpasser sin kjøring etter evne. De kompenserer for manglende ferdigheter med større forsiktighet. Vi vet at mange eldre unnlater å kjøre bil på tidspunkt med høy trafikk, holder seg til områder der de er godt kjent, kjører lite når det er glatt eller i osv. Jeg hadde nær sagt føyd til: Eldre bilførere er som gruppe de som i størst grad holder fartsgrensene. Men det er også svogerforskning. Ulykkesrisikoen reduseres dessuten gjennom Vegvesenets oppfriskningskurs for eldre bilister, det som kalles «Bilfører 65+», som kanskje bør endres til «Bilfører 70+» som en konsekvens av Svært mange eldre bilister deltar på disse kursene, hvilket i seg selv er et uttrykk for at mange ser nytten av dem. Når aldersgrensen for legeattest nå heves til 75 år og førerkortet de facto må fornyes, er det et spørsmål om dette tilbudet bør utvides kraftig. Mye tyder på at demens i trafikken er i ferd med å bli et alvorlig trafikksikkerhetsproblem. Demens er en snikende sykdom som utvikler seg over tid. Hyppigheten øker i høy alder. I Norge har vi liten kunnskap om demensproblemet i trafikken. I utlandet, og da først og fremst i USA, er det gjort noen studier av dette problemet. Folk som daglig steller med trafikksikkerhet i Statens vegvesen mer enn antyder at flere av de tilfellene vi har hatt med kjøring mot kjøreretningen på firefelts motorveier, kan tilskrives demens. Bilførerne har i de enkelte tilfellene rett og slett ikke vært i stand til å oppfatte trafikksituasjonen. Ifølge Knut Arne Engedals lærebok om demenssykdommer er demens en sjelden sykdom i aldersgruppen under 65 år. sjelden sykdom i aldersgruppen under 65 år. 1 pst. i aldersgruppen 65–69 år lider av sykdommen, men så øker det til 3–4 pst. i aldersgruppen 70–75 år og 7–8 pst. i aldersgruppen 75–79 år. I gruppen over 80 år er det hele 20 pst. som er demenssyke. Studier fra USA viser at demente, sammenliknet med en kontrollgruppe med friske i samme aldersgruppe, har to til to og en halv gang høyere ulykkesfrekvens enn andre som ferdes på veien. Ifølge dr. Anne Brækhus ved Oslo universitetssykehus, som har studert demens i en årrekke, er det viktig at fastlegene er oppmerksomme på – og legger vekt på – dette ved utstedelse av helseattest. Enda viktigere blir dette når vi vet at kravet til helseattest heves til 75 år. Det er imidlertid vanskelig – også for legene – å vurdere om, og når, den mentale svikten er så stor at vedkommende kan være en fare i trafikken. Det er i seg selv et problem at det oftest er fastlegene, som ikke alltid har godt nok erfaringsgrunnlag på dette området, som skal utstede helseattest til eldre bilførere. Det er med andre ord pasientens fastlege som eventuelt skal frata vedkommende kjøreretten. Det kan føre til at pasienten ikke lenger betrakter legen som medspiller, men motspiller, med de negative konsekvensene dette får. Når vi dessuten vet at pasienten ofte oppfatter det å miste førerkortet som en regulær frihetsberøvelse, undres jeg ikke over at fastlegene ofte lar tvilen komme pasienten til gode. Så skal jeg skynde meg å legge til at en Alzheimer-diagnose ikke er ensbetydende med at pasienten mister førerkortet. Det finnes gode eksempler på at pasienter med tidlig Alzheimer har gjennomført førerprøve med godt resultat. I det store og hele bør det etter min oppfatning forskes mer på demens i trafikken – av hensyn til trafikksikkerheten og eldre menneskers mobilitet og
Neste taler er

vil ha førarkort i 2020. Den eldre befolkninga er i tillegg i aukande grad meir mobile, og dei har jamt over meir køyreerfaring enn tidlegare generasjonar. Det er likevel ei kjensgjerning at ulukkesrisikoen aukar vesentleg for trafikantar over 75 år. Ved aldring blir dugleik og evne til å ferdast sikkert redusert. Samtidig er det særs viktig for livskvaliteten for eldre at dei kan halda fram

og innvandrarar med ikkje-vestleg bakgrunn vart rekna på same måten. Bakgrunnen for at eldre vart definerte inn som ei høgrisikogruppe, var bl.a. at ein såg at eldre trafikantar i like stor grad som unge bilførarar er utløysande part i dei ulukkene dei er innblanda i. Prosjektet har bl.a. kartlagt nærmare kva for typiske ulukker eldre er involverte i, og kva for årsaker som ligg bak ulukkene. F.eks. fann ein ut at sjukdom er den hyppigaste medverkande årsaksfaktoren i dødsulukker for førarar over 75 år. Dette viser at vi må ta helsekrava for eldre bilførarar på alvor. Samstundes ser vi at dei eldre bilførarane som har mykje køyreerfaring, klarer seg betre enn dei som køyrer lite, noko som også vart understreka av interpellanten. Dette viser behovet for å spreia kunnskap om kor viktig det er å oppretthalda eigen dugleik og eiga køyretrening. Opplæringstiltak retta mot eldre bilførarar er såleis viktig. Dei funna som vart gjorde gjennom høgrisikoprosjektet,

Gjennomsnittleg levealder stig. Den eldre befolkninga i Noreg er friskare og sprekare enn nokon gong. Dette gjeld stort sett òg dei fleste landa i EU. Fram til no har det vore slik at dei som er over 70 år, må ha med seg helseattest når dei køyrer bil. av den generelle betringa i helsetilstanden i befolkninga har Samferdselsdepartementet vedteke å heva grensa for krav om helseattest frå 70 til 75 år. Noreg er her heilt på linje med EU. Endringa trer i kraft frå januar 2013, og kor lenge førarretten er gyldig, vil gå fram av sjølve

Der har Statens vegvesen, politiet og fylkeslegen etablert eit samarbeid for å fanga opp personar som ikkje lenger fyller helsekrava for å ha førarkort. Her dreier det seg ikkje om å endra eller innføra eit strengare regelverk, men om å praktisera og handheva regelverket, i tråd med det lovgjevar har lagt opp til. Ifølgje Statens vegvesen har i fylket allereie gått ned som følgje av dette forbetra samarbeidet. For å medverka til sikker mobilitet for eldre bilførar har Statens vegvesen i over ti år drive kurset «Bilførar 65+». Kurset er eit frivillig og nyttig tilbod til alle som er over 60 år. Det blir arrangert på dei fleste i landet. Gjennom diskusjonar, samtalar og køyretrening får eldre hjelp til å kunna halda fram med å bruka bil på ein trygg måte. Målet er ifølgje Statens vegvesen sitt handlingsprogram for trafikktryggleik å få 30 pst. av dei aktuelle årsklassane til å vera med på kurs innan 2013. Kurset blir marknadsført gjennom annonsar, på nettet og gjennom brev. Fleire tusen personar har vore med på «Bilførar 65+»-kurs til no. Tidlegare deltakarar har fortalt at dei har hatt stort utbytte av kurset, ikkje minst på grunn av at mange tema blir gjennomgått etter ynske frå deltakarane og er lokalt tilpassa. Dette kan gjelda alt frå rundkøyringar i nærmiljøet og utfordrande vikepliktssituasjonar til meir generelt om feltskifte og parkering. Transportøkonomisk institutt utførte i perioden 2004–2006 ei undersøking av effekten av «Bilførar 65+». Dei som hadde gjennomført slikt kurs, vart samanlikna med personar som ikkje hadde teke kurset. Rapporten viser 18 pst. redusert ulukkesrisiko blant menn og 71 pst. blant kvinner. Dessverre har deltakinga minka noko dei seinare åra og er no under 20 pst. For å endra denne negative utviklinga vurderer Statens vegvesen for tida heile kursmodellen og ser på alternative måtar å driva kursa på, slik at ein kan famna flest mogleg av førarane i aktuell alder. Eldre er òg ei utsett gruppe som fotgjengarar. Tala for 2011 viser at 18 fotgjengarar vart drepne i vegtrafikkulukker. Av desse var ni over 65 år.

kan bli viktigare framover både for tryggleiken og for framkomsten for fotgjengarar. Lat meg elles seia at representanten Gullvåg sjølv nemnde fleire tiltak som det er vel verdt å sjå nærmare på. Han fokuserte òg på

Det første elementet er at de såkalte gjenoppfriskningskursene, som har gitt svært gode resultater, skal videreføres og videreutvikles, slik at flere kan delta på dem. Jeg antydet forsiktig i mitt innlegg at man kanskje skulle flytte

øker med økende alder. Det andre elementet som statsråden understreker, er bruken av ny teknologi, som helt åpenbart vil komme til å gjøre det lettere for dem som har ulike – jeg skulle til å si – både sansehemninger og bevegelseshemninger, å kunne ferdes trygt i trafikken. Tenk bare på det som er blitt vanlig i bilene, elektroniske avstandsmålere både foran og bak, og det er vel ikke lenge til at vi også får elektronikk som gjør det mulig å kommunisere bedre mellom vei og bil, f.eks. elektroniske midtdelere – i tillegg til all den automatikken som finnes i moderne biler i dag, dag, som gjør det mulig for førerne å ferdes tryggere i trafikken. Så jeg takker for statsrådens svar og understreker nødvendigheten av fortsatt å ha fokus på dette når vi nå beveger oss inn i
er det

å marknadsføra dette endå betre, å gjera det kjent for fleire, få endå fleire til å stilla opp på dette, framfor å flytta grenser, men eg tek det med meg i det vidare arbeidet. Representanten Gullvåg nemnde òg bruk av geografisk avgrensa førarkort for eldre. Det er slik i dag at regelverket opnar for geografisk avgrensa førarrett etter ei nærmare konkret vurdering av lege og av Statens vegvesen. Det inneber altså at når personar som ikkje oppfyller helsekrav til å få førarrett for eit nærmare avgrensa område, typisk eige nærområde – og ein har gjort ei vurdering av det enkelte tilfellet – køyrer i sitt nærområde, vurdering av det enkelte tilfellet – køyrer i sitt nærområde, kan det oppstå uventa situasjonar som kan medføra fare for føraren sjølv eller for andre trafikantar. Eg vil òg nytta høvet til å understreka endå ei side. Det er for det fyrste gleda over at vi frå 1. januar fekk på plass ei moglegheit til å likestilla køyring under påverknad av alkohol – altså oppfølging/straff i ei moglegheit til å likestilla køyring under påverknad av alkohol – altså oppfølging/straff i forhold til det – med bruk av andre rusmiddel og medikament. Her har det vore noko usikkerheit blant eldre som bruker nødvendige

og viktig å få på plass eit likestilt regelverk for det som i sum kan kallast «ruspåverka køyring». Det blir sagt at det kanskje er så mange som 100 000 køyreturar kvar dag som skjer i ruspåverka tilstand på vegane våre, og det er viktig å skilja mellom dette og

Trafikkauken på vegane våre har vore formidabel dei siste tiåra. Det er rett som interpellanten peikar på, at også talet på eldre sjåførar har vore – og er – sterkt aukande, samstundes med at levealderen aukar år for år, og at det stadig vert fleire eldre eldre som også køyrer bil. Statens vegvesen har gjennomført eit prosjekt om høgrisikogrupper i vegtrafikken, og saman med kategoriar som unge bilførarar, motorsyklistar, rusmiddelmisbrukarar og innvandrarar med ikkje-vestleg bakgrunn har altså eldre bilførarar vore ei av gruppene dette prosjektet har konsentrert seg om. Grunngjevinga for å definera eldre som ei høgrisikogruppe i dette prosjektet var m.a. at ulukkesstatistikkane syner at eldre trafikantar i like stor grad som unge bilførarar er utløysande part i dei ulukkene dei er innblanda i. Når det er sagt, er det også viktig å påpeika at eldre er som andre folk, dei er forskjellige. Og sjølv om eldre som gruppe er meir ulukkesutsette i trafikken enn dei som ikkje er eldre,

inn. Det er slett ikkje alltid at ein eldre bilførar, som kanskje har køyrt feilfritt i 50 år, sjølv er den som først ser at køyringa er farefull for seg sjølv og for andre. Då kan det også vera svært belastande når nære familiemedlemar er dei som føreslår sanksjonar mot bilkøyring. I ein del tilfelle må, etter mitt syn, fastlegane vera meir opptekne av denne sida ved helsekontroll av eldre, og i ein del tilfelle burde dei nok ha vore tøffare i å nekta vidare bilkøyring. Det må vera rett at aldring også inneber at ein oppdaterer seg på køyreferdigheiter og sikrar seg teknisk oppdatert utstyr som gjer trafikken tryggare både for seg sjølv og for andre. Sjølv er eg vel ikkje akkurat eldre, men halvgammal. Eg synest sjølv at eg er ein nokså perfekt sjåfør, og eg har òg vore av den meininga at eg har vore ein nærast perfekt fritidsbåtskipper etter mange år og fleire båtar, heilt til eg melde meg på og begynte på båtførarprøvekurs her på huset. Først då forstod eg kor mykje eg ikkje hadde fått med meg tidlegare. tidlegare. Eg kjem til å vera meir påpasseleg, særleg på dei tryggleiksmessige delane av sjølivet når eg no i desse dagar startar på ein ny båtsesong. Ut frå dette synest eg at kurset «Bilførar 65+» må vera eit svært godt tiltak. Sjølv om det er mange eldre bilførarar som har gjennomført dette kurset, skulle eg gjerne sett at alle som kjem i den alderen,

så ofte honnøren kommer fra undertegnede til Gullvåg, men desto større grunn til å gjøre det i denne sammenhengen. Det som gjør at både jeg og vi i Fremskrittspartiet synes dette er interessant, er ikke bare fordi jeg selv er 65 år. Det er at det går inn på et område som omhandler at vi får

det som nå skjer gjennom EU-initiativ, ved å endre førerkortreglene også i Norge fra 1. januar 2013, slik at man flytter en aldersgrense fra 70 til 75. I den forbindelse vil jeg også gi min støtte til synspunktet fra representanten Gullvåg om at man kanskje bør flytte «Bilfører 65 Når det er sagt, er det også grunn til å reflektere over at det nok er mange bilførergrupper som trenger oppfriskning. Vi kan så å si daglig oppleve i trafikken at det er en god del underlig atferd fra trafikanter som tydelig viser at mange hadde hatt godt av litt oppfriskning. Men oppfriskning er viktig, og det som er lagt til rett for «oss eldre» bilførere, får jeg si, bør jo mange gjøre bruk av. Herved er oppfordringen om det bør jo mange gjøre bruk av. Herved er oppfordringen om det gitt. Jeg har lyst til å vise til hva Statens vegvesen selv sier om dem som gjennomfører dette: «Med gjennomført oppfriskningskurs og helseattest sammen med førerkortet er eldre blant de tryggeste på veien.» Det er jo dit vi vil, at flest mulig skal være tryggest mulig på veien. Det er ikke bare vi eldre bilførere som har et ansvar for å medvirke til det, det har alle trafikanter, og spesielt alle bilførere. Det som jeg savner i statsrådens omtale av interpellasjonen, er det materielt praktiske som er berørt i interpellasjonen, nemlig at det ikke lenger skal være nok med en separat helseattest, men at man altså må ha fornyet Jeg håper at det er en litt byråkratisk og firkantet ordning, hvor man bare skal ha et nytt dokument. Det er litt uklart om det ligger i det at man også skal ha en form for ny førerprøve. Jeg vil gjerne ha en avklaring av det. Selv det å kreve et nytt kort, altså et nytt dokument, er jo, som jeg nettopp sa, litt byråkratisk. Er det nødvendig? Tryggheten må jo ligge i en legeerklæring. legeerklæring. Det gir meg anledning til å si, som andre har sagt, at det ligger et betydelig ansvar på legene, som da gir legeattesten til dem som må ha det for fortsatt å kunne kjøre bil, og at det ikke blir lettvint og enkelt gjort. Ofte blir det kanskje ikke legefaglig godt nok gjort av hensyn til et langt forhold mellom en fastlege og en pasient. Det må være et reelt innhold i legeattesten. Det må også være sånn at det må være Det må også være sånn at det må være lett å få dette fornyet når de helsemessige forholdene ligger til rette for det. Jeg må minne om at gruppen eldre er ganske omfattende. Jeg står her som 65-åring, og vi har altså sett reportasjer om folk som kjører bil med førerkort – lovlig – både når de er 90 år, 95 år og faktisk også opptil 100 år. Så det langt spenn når vi snakker om eldre i trafikken, også etter at aldersgrensen er hevet fra 70 til 75 år. Fremfor alt må det være enkelt for dem som fortsatt skal få lov til å være bilførere, og det bør flest mulig få anledning til. Når levealderen øker, og helsen hos mange eldre blir bedre,

det. Det er kanskje litt med utgangspunkt i det Gullvåg tar opp, om at vi lever stadig lenger, og for hvert år vi får anledning til å være med, legger vi til to måneder. Jeg har sagt til meg selv at jo flere år jeg blir med, jo flere måneder legger jeg på – og med referanse til min frue som har sagt til meg: Hvis du skal få igjennom alle dine prosjekter, må du bli minst 150 år. Da tenker jeg som så: Ja, da får jeg prøve på det da. Jeg hører til dem som synes det er moro å kjøre bil. Det er veldig nyttig for meg – og jeg kjører veldig ofte bil – for jeg bor på landsbygda, og der går det ikke mye offentlig kommunikasjon. Det ble nevnt tidligere i interpellasjonsdebatten, også av statsråden, at en mulig avgrensning – geografisk avgrensning – med tanke på om man kan kjøre, nok er en kjøre, nok er en mulighet. Gullvåg nevnte at for mange av oss er bilen en forlengelse av kroppen. Vi har jo hatt noen morsomme tilfeller der man har beskrevet en flott bil som en forlengelse av kroppsdeler. Men i mange tilfeller er det sånn at man forflytter seg så intimt med bilen at det oppleves som om bilen er en forlengelse av deg selv. Det er ingen tvil om at etter hvert som man blir eldre, observerer man ting senere, og man reagerer litt senere. Men det er kanskje evnen til å observere som blir svekket først. Men i likhet med Rommetveit tror jeg at det finnes andre trafikanter som gjennomgående er like farlige i trafikken som de eldre. Jeg var senest vitne til det forleden dag – like før flyplassen.

som drar ut og både måker snø og gjør andre tjenester, over 80 år. Jeg tror at vi kanskje i enda større grad enn det vi hittil har gjort, burde begynne å se på de eldre som en ressurs, ikke bare som en gruppe mennesker som man må passe på, og som trenger hjelp og støtte. Hvis det går sånn som mange ser ut til å tro, vil antall år

«hattkall», særlig hvis han kjørte en Opel Rekord. En med hatt i en Opel Rekord var livsfarlig. For det første kjørte han veldig sakte, så han hemmet trafikken, og for det andre, når han kom til et kryss, var han usikker på hvor han skulle kjøre hen. Noe av problematikken er nok at de eldre kjører litt saktere. Derfor skulle det ha vært anledning til å kjøre ut av veien. Det er noe av det som kommer opp i de kursene som holdes, og jeg har stor sans for er sjelden du hører om gamle folk som kjører for fort, og som kjører ut, men de kan ofte være årsaken til en ulykke fordi de ligger og presser trafikken i veldig sakte fart. Derfor var jeg inne på at dette med geografisk avgrensning kan være en mulighet. Gullvåg var inne på dette med Alzheimer. Kong Olav brukte å løse matematiske likninger for å holde seg oppdatert. Han hadde lært litt av noen som hadde begynt med det samme og håpet at det hjalp. Ellers er jeg enig med Gullvåg: Å endre oppfriskningskurset fra «Bilfører 65+» til «Bilfører 70+» synes jeg er et godt forslag. Jeg er glad for at Meltveit Kleppa har sagt at hun vil se på de tiltakene som Gullvåg har presentert.

Samtidig er det viktig å understreke at bilen er et velferdsgode for eldre mennesker som gjør at deres livskvalitet blir bedre enn om de ikke har adgang til å kjøre bil. Det å legge til rette for at eldre mennesker har anledning til å ferdes trygt i trafikken, er etter min oppfatning en stor samfunnsoppgave, en samfunnsoppgave som vi ikke har tatt tilstrekkelig høyde for til nå, når eldrebølgen nå kommer inn i trafikken. Med den oppmerksomhet som derav følger, vil vi så langt. Spørsmålet blir altså: Hvordan skal vi klare å luke ut de som av helsemessige årsaker ikke kan fortsette sin ferd på veiene? Statsråden nevnte dette prosjektet som har pågått i Statens vegvesens regi i i Møre og Romsdal, og som allerede har ført til færre ulykker. Men jeg har hørt andre reaksjoner også på dette prosjektet, bl.a. fra pensjonistforeningene, som har følt dette som et inngrep overfor de eldre og de eldres interesser. interesser. Det som er så viktig, er at vi passer på balansen mellom restriktive tiltak på dette området, og utnytter det mulighetsrommet som dagens trafikkregler egentlig gir for begrenset kjørerett i ulike sammenhenger. Jeg føler meg ganske sikker på at statsråden tar hensyn til dette i sitt videre arbeid med trafikksikkerheten for de eldre, og ser med et godt blikk på betydningen av økt livskvalitet.

som ein har gjort i denne interpellasjonsdebatten. Utan å bli skulda for å vera stigmatiserande må vi vel vera einige om, vi som har delteke i denne debatten, at dette er ein type spørsmål som òg på same måten kunne vorte debattert i f.eks. organisasjonen Vi Over 60. Det er vel slik at det var ein slik det var ein slik type debatt som no brått oppstod her. Så var det eit par konkrete spørsmål som eg skal svara på. Det eine er spørsmålet om fornying av førarkortet. Kor omstendeleg er det etter nye reglar, spurde representanten Sortevik. For det fyrste er det slik at vi kunne velja mellom valde 15 for å gjera dette så enkelt som mogleg, men i tillegg er det slik at fornyinga skjer etter eit administrativt vedtak – så ingen store prosedyrar rundt det. så ingen store prosedyrar rundt det. Så ein siste gong innom kurset «Bilførar 65+». Der er det slik at ei av dei erfaringane som Statens vegvesen har å visa til, er at effekten av dette kurset er deltakarane, altså dei yngste av dei som er 65+. Det er nok òg noko å ta med seg i det vidare arbeidet. Elles merkar eg meg det Gullvåg sa om å leggja vekt på livskvalitet som det overordna, og balansen mellom det å vera romsleg og

avsluttet. Når jeg har valgt å fokusere på infrastruktur inn til og ut av Møre og Romsdal, betyr ikke det at jeg ensidig er opptatt av egen region. Ser man på kartet hvor Møre og Romsdal er plassert, og vet man i tillegg litt om hva som skapes av verdier og tjenester i regionen, bør det ikke by på store problemer å forstå at det er viktig å investere i samferdsel for å sikre fortsatt konkurransekraft og mobilitet. For Høyre er økonomisk verdiskaping God logistikk og infrastruktur inn til og ut av regioner med stor verdiskaping er derfor av stor betydning for hele landet. Jeg ønsker at statsråden i dag skal gi et bilde av hva hun planlegger å gjøre i forberedelsene til ny Nasjonal transportplan for å sikre bedre samarbeid mellom relevante etater og slik at det etableres en mer helhetlig tilnærming til effektive logistikknutepunkter i neste planperiode, der både havn, bane og vei blir tatt på alvor i regioner der verdiene skapes. Spørsmål om samarbeid på tvers av etatene sendte jeg også til fiskeri- og kystministeren, etter at interpellasjonen ble meldt inn – om hun ville ta initiativ til en konstruktiv dialog med samferdselsministeren for å fremme fremtidsrettede logistikkløsninger for Møre og Romsdal og Ålesund havn. Interpellasjonen ble meldt inn 28. november i fjor, etter at det i regional transportplan for Midt-Norge ble gitt inntrykk av at det skal legges til rette for et logistikknutepunkt i Trondheim som skal betjene hele havn – landets nest største konteinerhavn – ble ikke nevnt. Det ble heller ikke Møre og Romsdal, som er landets tredje største eksportfylke når det gjelder tradisjonelle varer, og der store deler av eksporten i dag går på sjø. Dette skapte frykt og debatt i media. Spørsmålene som meldte seg, var om Møre og Romsdal ville bli underlagt et logistikknutepunkt i Trondheimsregionen, om det i så tilfelle ville bli prioritert på bekostning av Ålesund havn. En ny havn i Trondheim vil bidra positivt – det er det ingen tvil om – til å styrke sjøverts transport, men det må aldri få skje på bekostning av Ålesund og Møre og Romsdal i kampen om midler til regional utvikling. Fiskeri- og kystministeren har den senere tid meldt at regjeringen nå mener alvor med transport til sjøs. Det er positivt. Fiskeri- og kystministeren bekreftet også i sitt svar til meg at hennes departement har en god dialog med Samferdselsdepartementet. Hun viste til at av dagens 32 stamnetthavner er Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Tromsø utpekt som særlig viktige for å utvikle effektiv Sammen med de resterende stamnetthavnene, der også Ålesund er med, skal disse være tilknyttet stamnettet til sjøs og ha Det betyr, ifølge kyststatsråden, at staten har ansvaret for farleiene og veiene til disse havnene. Hun hevdet for øvrig at det vil være markedet – vareeiere og transporttilbydere – som ut fra økonomiske og bedriftsmessige vurderinger velger hvilke havner som anløpes, og således avgjør hvilke havner som er sentrale i det norske transportsystemet. Det betyr at tilkomst – gode transportårer inn til havnene – er svært viktig. Svikter myndighetene når det gjelder å etablere gode tilkomstveier, vil vareeierne velge den enkleste løsning, nemlig landeveien og ikke sjøveien. Møre og Romsdal er et viktig fylke for verdiskaping og eksport. Geografien er utfordrende, med svært smale og nedslitte veier – for ikke å snakke om det store forfallet og etterslepet vi har på fylkesveiene, etter at fylket ble påtvunget disse av regjeringen. Vår viktigste eksportåre, E136 Ålesund–Opplands grense, er rasutsatt og ofte stengt. Forbedringen av strekningen planlegges nå gjort stykkevis og delt,

Det påvirker i stor grad godstransporten. Samtidig opplever vi at satsing på sjøtransport og utbygging av nødvendig infrastruktur i tilknytning til havn og jernbane ikke står i forhold til behov eller signalisert satsing fra regjering og storting. Norge er et land med sterke maritime tradisjoner, og prognoser viser at vi står overfor en enorm økning av godsvolum i årene fram mot 2040. Når vi vet at ett skip kan frakte opp mot 200 semitrailere, taler det til stor fordel for en mer målrettet satsing på økt sjøtransport. Høyre mener derfor det haster med å legge til rette for en mer helhetlig samferdselsstruktur, som kan håndtere den varslede økningen og sikre videre næringsutvikling. Vi mener at økt bruk av sjøtransport og jernbane i tillegg til gode tilførselsårer på land vil være både bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det snakkes mye om hurtigtog mellom de store byene. Jeg håper statsråden i den videre debatten vil ta hensyn til hvor de store verdiene skapes, fra hvor brorparten av godstransporten i dag sendes ut i de internasjonale markedene. Mitt budskap til statsråden er at jernbanetraseen fortsatt må gå gjennom Gudbrandsdalen. Da kan en også på sikt videreutvikle Dombås–Åndalsnes fram til Ålesund og Sunnmøre – en vekstregion som er stor på verdiskaping og eksport. Legges traseen derimot gjennom Østerdalen, vil det bety en fremtidig skandale for eksportrettet næringsliv i Møre og Romsdal og for Næringsminister Trond Giske skryter ofte av sunnmørsk næringsliv. Det er bra, og det er vi veldig glad for. Men det hjelper ikke å skape gode arbeidsplasser og produsere varer for eksport så lenge infrastrukturen for å transportere varene fram til markedet ikke finnes, eller i beste fall er i en svært dårlig forfatning. Vil statsråden være pådriver for å samle de tre sammen med ansvarlige myndigheter for vei, havn og bane, med mål om å få på plass nødvendige planer for regional infrastruktur som f.eks. Ålesund havn. Hva vil statsråden bidra med for å bedre transportsituasjonen, slik at vi kan unngå fremtidige transportproblemer for befolkning og næringsliv i Møre og Romsdal og vestlandskysten for øvrig? Jeg ser jeg har mer taletid igjen. Jeg håper statsråden har lagt merke til at jeg her har forsøkt å få til en link til fiskeriministeren, som også er kystminister og har ansvar for havnene, i og med at jeg sendte spørsmålet til fiskeriministeren om dette i tillegg til samferdselsministeren. Jeg ser også viktigheten av å dra med næringsministeren her,

veg og jernbane med 70 pst. I budsjettet for 2012 auka løyvingane til veg og jernbane med ytterlegare 2,2 mrd. kr. Innanfor vegsektoren innebar løyvingane i 2011-budsjettet bl.a. ein auke på 580 mill. kr til vedlikehald, ein auke på 60 pst. i forhold til saldert budsjett året før, og dette nivået held vi fram med i

for at riksvegane skal få ein god standard. Tilsvarande tal frå Jernbaneverket viser at 250 mrd. kr–350 mrd. kr er nødvendig for å etablera eit jernbanenett for framtida. Dette er store summar. Det gjev likevel grunnlag for ein ambisjon om at vi innan 20 år skal ha eit moderne hovudnett på plass både på veg og bane. Så spør representanten Røbekk Nørve kva eg vil bidra med for å betra transportsituasjonen i Møre og Romsdal. For innbyggjarane i Møre og Romsdal kan eg opplysa om at eg frå sommaren 2012 har gjeve NSB grønt lys for å styrkja satsinga på turistkonseptet på Raumabanen. Dette aukar det ordinære tilbodet på Raumabanen, slik at talet på avgangar blir likt heile året. I tillegg vil turistane som kjem med cruisebåtar til Åndalsnes, få eit skreddarsydd togtilbod på delar av Raumabanen og kan nyta den fantastiske naturen som er på den strekninga. Det er òg ei rekkje tiltak på veg som eg vil koma tilbake til om litt. For nærings- og godstransporten vil eg minna om at godsmarknaden er open for konkurranse – dette gjeld òg for godstrafikk på jernbanen. Selskapa må difor sjølve avgjera sine forretningsmessige vurderingar. Staten si oppgåve er å sørgja for ein god infrastruktur, medan selskapa har ansvar for å driva ein mest mogleg effektiv godstransport. Konkurranseevna til godstrafikken med jernbane samanlikna med lastebil har etter kvart vorte svekt. Dette kjem bl.a. av at jernbaneinfrastrukturen fleire stader er gammal og nedsliten etter mange år med manglande løyvingar. Ras og flaum har forsterka dette. Det er få omkøyringsvegar dersom jernbanen må stengjast. Regjeringa har difor prioritert auka løyvingar til vedlikehald. Når det gjeld godstransport på Raumabanen, gjorde godsselskapet CargoNet frå desember i fjor endringar i godstilbodet. På denne banestrekninga møter toget særleg hard konkurranse frå lastebilen. Strekninga er relativt kort, og mykje av godset skal ikkje til endestoppet Åndalsnes, men krev omlasting for vidaresending til andre stader i regionen. Dette inneber at jernbanetrafikken, som har kostnader for omlasting av gods frå jernbane til lastebil, her er mindre konkurransedyktig enn på lengre jernbanestrekningar. Eg følgjer nøye med på kva konsekvensar dette får. Vegnettet har ikkje den standarden som er ynskjeleg alle stader. Det går likevel mange vogntog frå fylket og sørover mot Oslo. Som representanten Røbekk Nørve sjølv peikar på, har fylket dessutan ei stor konteinarhamn i Ålesund der store mengder gods blir frakta ut av og inn regionen. Hamnene er i all hovudsak kommunalt åtte. Ålesund havn er ei av 32 stamnetthamner. Desse er knytte til stamnettet til sjøs og har riksvegtilknyting. Kommunane avgjer kva slags planar dei legg for den vidare utviklinga, medan det er vareeigarane sjølve som avgjer om dei vil bruka sjøtransport, jernbane eller veg. Regjeringa si målsetjing er at ein størst mogleg del av veksten i dei lange godstransportane skal skje på bane eller sjø. I inneverande Nasjonal transportplan er det nemnt fleire verkemiddel, som nytt regelverk for hamner og farvatn, utbetringar i farleier, betre landverts tilknyting til hamnene og reduserte gebyr og avgifter. Dette følgjer regjeringa opp – no sist, i budsjettet for 2012, er kystavgifta redusert. Regjeringa har dessutan sett ned eit offentleg utval med representantar frå ulike aktørar for å gå igjennom lostenesta. I tillegg er det ei teknologisk utvikling innan navigasjonsutstyr og kompetanse om bord på som aktualiserer ein slik gjennomgang. Det er tiltak som vil vera med på å gjera sjøtransport til eit godt alternativ, særleg til vegtransporten langs kysten. Når det gjeld veg, kan vi gleda oss over at fleire viktige vegprosjekt blir ferdige. E39 Kvivsvegen og rv. 70 kan vi i år gleda oss spesielt over. Den eine vegen er opna, den andre står for tur. Kvivsvegen, som vil gje ferjefri riksveg mellom Nordfjord og Sunnmøre, knyter saman ein større bu- og arbeidsregion. Andre store prosjekt som er under bygging i fylket, er rv. 70 Oppdølsstranda og to delprosjekt på E39 Astad–Høgset. Når det gjeld Oppdølsstranda, er det ei eiga glede å ha moglegheit til å få på plass rassikker veg mellom Sunndalsøra og Oppdøl. Astad–Høgset er eit eksempel på at det går an å få ting fort på plass. Det er altså ti og bygd på rekordtid. Forventa opning er våren 2013. Det er lagt opp til oppstart av prosjektet E136 Tresfjordbrua og Vågstrandtunnelen no i 2012. Her får Stortinget ei eiga sak. Usikkerheit knytt til ras er eit særleg problem i Møre og Romsdal. har eg nemnt. Her er det òg andre prosjekt som vil bety mykje både for folk og for næringsliv, Hjartåberga på E39 og òg Vågstrandtunnelen på E136. Så har vi sett i gang ei rekkje konseptvalutgreiingar som vil vurderte i samband med ny Nasjonal transportplan. Det er ikkje mindre enn tre konseptvalutgreiingar, KVU-ar, som gjeld E39 frå fylkesgrensa i sør til Valsøya på Nordmøre. Parallelt med det arbeidet føregår det òg eit stort arbeid med ferjefri No er vi altså godt inne i fyrste del av planperioden, og vi følgjer opp år for år òg i Møre og Romsdal. Vi har bedt etatane planleggja for ambisiøse rammer for neste NTP. Vi har så langt hatt møte med éin region for å høyra kva dei prioriterer – det er Region midt – slik at vi har hatt moglegheit til å bli fyrstehands oppdaterte før det formelle og skriftlege innspelet kjem frå Region midt – Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Lat meg til slutt seia at forholdet til Fiskeri- og kystdepartementet er heilt nødvendig for å sikra samanheng, for nettopp å sikra den samanhengen som skal vera mellom veg, bane og sjø. Fiskeri- og kystdepartementet er òg med på det høyringsmøtet som Så nemner representanten spesielle prosjekt. Eg synest nok det er naturleg at ho spør fiskeri- og kystministeren om dei. Men det som eg skal sørgja for, er at den samordninga som er nødvendig, går føre seg med våre to respektive departement, og at vi òg tek med Nærings- og handelsdepartementet og det som dei tek seg av, nemleg sjølve

sjølve verdiskapinga. Jeg vil takke statsråden for svaret. Jeg syns det er veldig betryggende å høre at statsråden bekrefter det tette samarbeidet mellom departementene og ansvarlige myndigheter for øvrig. Det er veldig viktig. Det er også godt å høre at statsråden vil få uttalelsen fra Region midt på sitt bord og se hva den går ut på, før det blir konkludert der. Da stoler jeg på at statsråden tar med seg de signalene som jeg her prøver å videreføre. Det setter jeg veldig stor pris på. På nettsidene til Stavanger Aftenblad sto det for en tid siden at regjeringen vil ha mer sjøtransport istedenfor veitransport, og denne gangen mener de alvor, sto det. Jeg syns det er godt at vi endelig kan få lov til å ta det på alvor. Jeg er klar over at dette har vært tverrpolitisk ønske i veldig mange år, og jeg gleder meg og ser fram til at det nå virkelig skal rulle og gå, at noe skal skje. For Høyre er god logistikk en svært viktig del av det å gi næringslivet konkurransedyktige rammevilkår. Det har, som sagt, lenge vært tverrpolitisk enighet om å få dette til når det gjelder å få mer gods fra vei til sjø og bane. Spørsmålet er hvorledes og hvor raskt vi kommer dit. Vil dagens ledende havner når det gjelder sjøtransport, få den nødvendige drahjelpen fra regjeringen til å få på plass en grønnere transport? Jeg håper det, ut fra det statsråden her sier, og jeg føler at signalene er der. Vil de få hjelp til å flytte godstransport fra trafikkfarlige veier, som jeg har vært inne på tidligere? Det er helt klart at samferdselsministeren her har et særskilt ansvar for å sørge for at havnene er koblet til et godt vei- og jernbanenett. Det samarbeidet som det er snakk om, er utrolig viktig, og det skulle vi vært mye flinkere til på mange flere områder. Det er regjeringen og staten som sitter med de viktige nøklene til virkemiddelapparatet som må på plass for å lykkes. Utover behovet for reduksjon av statlige avgifter er det viktig at det lokalpolitisk satses på havneutvikling, og at ansvarlige myndigheter tar ansvar for å bygge en god infrastruktur fram til havnene, som sagt. En ferjefri kyststamvei fra Stavanger til Trondheim vil, sammen med Stad skipstunnel, Hvis vi får disse to viktige trafikkårene på plass, kan vi virkelig snakke om politisk vilje til å få mer godstransport over fra vei til sjø langs hele Vestlandskysten. Altfor mye gods fraktes i dag på lastebiler langs smale, nedslitte veier, som jeg har sagt tidligere. Jeg ser at nå er tiden ute, så jeg får ta det igjen i neste runde. Eg er

banenettet vårt og dei tiltaka som blir gjorde overfor skipstrafikken – dei moglegheitene som ligg her, og som ein i dag utnyttar til ein viss grad, men som må forsterkast. Vi har eit spesielt forum i regi av Samferdselsdepartementet – Transport- og logistikkforum – ein møteplass med ulike næringslivsaktørar. Vi hadde møte der førre veka, og då var nettopp tema korleis vi kunne få meir gods frå veg over på bane og sjø. Det var svært nyttige innlegg frå nettopp dei som driv med dette i kvardagen. Regjeringa har utvikla ein eigen nærskipstrafikkstrategi. Den strategien i seg sjølv, med dei tiltaka som er der, trur eg òg vil bidra og ha betydning for fleire fylke, òg for Møre og Romsdal. Representanten Røbekk Nørve seier at regjeringa sit med nøklane. Ja, vi sit med éin nøkkel, vi ser det. Det er dette å følgja opp med nødvendige planar, med nødvendige midlar, slik at vi til kvar tid held fullt trykk på det som skal gjerast. Det skjer mykje positivt, men det er mykje ugjort. Nasjonal transportplan er ein reiskap. Gjennom den vi har i dag, med dei prosjekta som ligg der, og den dialogen som no er i gang med den enkelte fylkeskommunen, får vi belyst kva som bør prioriterast i kommande NTP. Vi sit med éin nøkkel, men så er det nettopp dette at det er behov for eit tett samarbeid mellom lokale og regionale myndigheiter og sentrale myndigheiter, og òg med næringslivet, både dei som produserer, og dei som transporterer. Det er det viktig å ta vare på interpellasjonen om transportutfordringer i Møre og Romsdal illustrerer på en god måte både utfordringene vi har innafor transportsektoren over hele landet, og de forventningene som nå er ute når vi tenker på rulleringa av den nasjonale transportplanen og det som skal behandles og vedtas i Stortinget i juni neste år. Vi har store utfordringer, for vi sliter med store etterslep på transportsektoren. Vi sliter med at regjeringer med ulik politisk farge over år ikke har oppfylt de planene de sjøl har vedtatt. Vi er nå i en situasjon der vi faktisk oppfyller en ambisiøs nasjonal transportplan, og gode ting kan jo ikke gjentas for ofte. Det er verd å merke seg at siden vi tok over i 2005, har budsjettene til Statens vegvesen og Jernbaneverket økt med til At Statens vegvesen omsatte for 14 mrd. kr mer i 2011 enn de gjorde i 2006, at Jernbaneverkets budsjett er økt med 3,7 mrd. kr, eller 67 pst., fra 2005, og at Kystverkets budsjett nesten er fordoblet, til 1,5 mrd. kr, er bra, men vi ser at fremdeles er det store behov. Dette har selvfølgelig også kommet Møre og Romsdal til gode. Men så blir spørsmålet: Hva skal vi gjøre nå? Jo, vi har en ny nasjonal transportplan som skal svare på noen av disse utfordringene. Hva slags utfordringer er det egentlig vi har, som også Møre og Romsdal har og er med og bidrar til? Jo, det handler om at en tredjedel av CO2-utslippene kommer fra transportsektoren, det handler om kø og forurensning i de store byene, og det handler om at vi har mange drepte på vegene. Selv om vi i fjor hadde de laveste tallene siden 1953, er det for mange. Vi har mange veger og baner i dårlig stand. En stor andel gods transporteres på veg – en stor andel som heller kunne vært transportert på bane eller på sjø. For oss i Arbeiderpartiet er det et mål å få mer gods fra veg til sjø og bane. Spørsmålet blir: Hva er de rette tiltakene? Det er jo ikke sånn at vi ikke har hatt denne målsettinga før, og som det tidligere er sagt fra talerstolen, er det en tverrpolitisk målsetting å få gods fra vei til sjø og bane. Vi må innrømme at det er ingen som har lyktes i særlig grad så langt. Men hva er de riktige tiltakene? I denne sammenhengen er både Raumabanen og Ålesund havn viktige når vi ser det fra Møre og Romsdals synsvinkel. Et logistikknutepunkt i Trøndelag, der vi får Jernbaneverkets godsterminal til en havn, vil være viktig også for Møre og Romsdal, for det vil avlaste de vegene som Møre og Romsdal er avhengig av for å få det godset som fremdeles må gå på veg, nedover. Så synes jeg vi skal tenke gjennom at det faktisk er prisverdig av CargoNet at de viderefører tilbudet om godstransport på nå når vi vet at det er ulønnsomt. Det er ikke bare Raumabanen som er ulønnsom, men godstransport generelt på jernbane er for tida ulønnsom, og man sliter. Man må finne riktige virkemidler, slik at vi igjen kan sikre at godstransporten blir lønnsom. Et av virkemidlene er selvfølgelig at vi får en infrastruktur, som er bedre enn i dag. Men vi må også sikre at CargoNet viderefører det tilbudet de har på Raumabanen til vi har fått gjort det som er nødvendig med tanke på infrastrukturen, og at det sannsynligvis blir satt i verk enda flere tiltak for å gjøre godstransport på bane viktig. Så er det slik at det ikke er noen motsetning mellom Ålesund havn og et nytt intermodalt logistikknutepunkt i Trøndelag, for godsstrømmene finner sin mest naturlige veg, og det ville aldri vært naturlig for næringslivet på Sunnmøre å sende godset sitt oppover til Trøndelag for at man igjen skal sende det ut ved en havn. Men det som jeg synes er viktig i denne sammenhengen, og som jeg synes vi skal berømme regionale politikere i Møre og Romsdal, i Sør-Trøndelag og i Nord-Trøndelag for, er at man i denne regionen har laget en regional transportplan, der man ser transporten i hele landsdelen i sammenheng, og som fører til felles prioriteringer. De felles prioriteringene har samferdselsministeren allerede fått presentert i et møte, og de vil bli videreført av fylkeskommunene. Når representanten etterlyser tenkning og prioritering på tvers av etater og på tvers av transportformer, ivaretar den regionale transportplanen i stor grad denne tenkninga, og regionale politikere har gjort en god jobb. Men Møre og Romsdal henger sammen med resten av landet, derfor er det viktig også for Møre og Romsdal at Dovrebanen blir bra. Det er viktig for Møre og Romsdal at vi får orden på Alnabruterminalen, for det vil bedre konkurransesituasjonen for godstransport på bane generelt. Alt som gjøres på E6 sør for Dombås, er selvfølgelig viktig for Møre og Romsdal. Det aller viktigste i NTP-prosessen for oss i Arbeiderpartiet er trafikksikkerhet og klima. I den sammenhengen er gods fra veg til sjø og bane helt vesentlig. Det er
en viktig debatt som interpellanten tar opp. Men vi kunne kanskje hatt 18 interpellasjoner til, for jeg tror nok at situasjonen oppleves ganske lik over hele landet, når vi ser på de tilbakemeldingene man får om de utfordringene vi står overfor. Til foregående taler: Det er alltid greit å se hva tallene er for noe. Jeg hører at de rød-grønne partiene slår rundt seg med hvor mye mer økning det er, og hvor fantastisk dette blir. Da er det greit å se på hva forslaget som er lagt fram fra transportetatene om 45 pst. økning, betyr. Jo, når det gjelder investering på veisiden, betyr det ca. 2,5 mrd. kr mer, hvis vi går for 45 pst. pluss. Det vil ikke løse veldig mange av de utfordringene bare Møre og Romsdal står overfor, hvis de hadde fått 2,5 mrd. kr mer til infrastrukturen – selv om de hadde fått det hvert år – med de enorme behovene som er der, eller hvis man skulle gått så langt som NHO sier, med 65 pst. ville det ha vært 3,6 mrd. kr. Fortsatt tror jeg utfordringene definitivt står i kø i Møre og Romsdal, som i mange andre fylker. Vi hørte at forfallet bare i Møre og Romsdal på det veinettet man har i dag, er på over 3 mrd. kr. Da sier jeg at vi har enorme utfordringer. Jeg har selv vært mange ganger i Møre og Romsdal fylke og sett hvilke utfordringer de har med ferjekaier som burde vært oppgradert for millioner av kroner – det er vel sågar over 500 mill. kr bare på I tillegg vet vi at vi har et veinett som mange steder er langt under hva man kan definere som akseptabelt – store utfordringer med tunneler, store utfordringer med ferjer som ikke går, eller ferjer som burde vært mye større og med utvidet kapasitet, eller mange andre utfordringer som Møre og Romsdal står overfor, sammen med mange andre Jeg synes det er bra at man også setter fokus på og ser sjøtransporten i sammenheng med veitransport og jernbanetransport. Dessverre opplever jeg nok at det er slik at når man til syvende og sist sitter og behandler nasjonale transportplaner og andre planer, er det havner og kyst som oftest taper i kampen om å få være med. Jeg tror også man bør se på hvilke havner som skal prioriteres – Ålesund er definitivt en havn som er stor, og som er veldig viktig for Midt-Norge sammen med andre havner. Ikke minst: Møre og Romsdal er et vanvittig stort eksportfylke. Det betyr at man har et næringsliv som er avhengig av å kunne konkurrere med resten av verden, kanskje i enda større grad enn mange andre steder i landet. Det betyr at infrastrukturen er avgjørende for om man faktisk lykkes i konkurransen med resten av verden eller ikke. Transportkostnadene er mange steder høye. Bare i mitt eget hjemfylke, Telemark, er transportkostnadene i deler av fylket 50 pst. høyere enn i Vestfold. Når vi vet hva Møre og Romsdal har å bale med, skjønner man kanskje at transportkostnadene enkelte steder kan være enda høyere. Så synes jeg det er hyggelig å høre at Høyre er opptatt av og vil gjøre mye på både vei og bane. Men utfordringen er at man trenger penger hvis man virkelig har tenkt å gjøre noe, og jeg synes vel at det er litt forskjell mellom de alternative budsjettene og ønskene til interpellanten i dag. Jeg er veldig glad for at interpellanten sier at man må satse mye mer penger på infrastruktur. Det har vi i Fremskrittspartiet foreslått i våre alternative statsbudsjett hele tiden, men vi er veldig glad for at flere kommer etter. Jeg synes det er trist å registrere at når man ikke vil bruke penger her, klarer man i hvert fall i Møre og Romsdal fylke å bruke 1 mill. kr på å utrede hvorvidt man skal ha lyntog til Møre og Romsdal eller ikke. Jeg tror vi bør legge den debatten død, og så må man i stedet bruke de pengene på å ruste opp og bygge vei og ikke på høyhastighetsplaner og lyntogsplaner som det aldri kommer til å bli noe av. Jeg håper interpellanten går hjem til sine egne og sier at man må slutte å sløse bort pengene og heller bruke pengene på viktige og riktige prosjekter – både i Møre og Romsdal og i resten av landet. Med de enorme utfordringene vi står overfor, er 800–900 mrd. kr til lyntog – lyntogfantastenes ønske i søppelkassen, eller i hvert fall i skuffen. Så bør man ta opp de store utfordringene man står overfor på det veinettet og det jernbanenettet man har nå, og sørge for at Raumabanen kan fortsette å ha godstransport, og ikke, slik som nå, at man er i ferd med å legge Til representanten Hoksrud: Jeg trodde at representanten Hoksrud delte Høyres syn på og innstilling til det jeg kaller for ille hurtige tog, som går i 250 km/t. Det holder, det! Der er vi vel i samme bås, så jeg tror vi tar det opp av skuffen med en gang. Jeg har lyst til å gi honnør til interpellanten. Det er et viktig spørsmål som interpellanten reiser. Møre og Romsdal er et viktig og sentralt næringsområde i Norge, med stor verdiskaping for hele landet. Jeg er enig med representanten Hoksrud i at vi kunne hatt slike drøftinger for 18 fylker. Men la meg snu på det. Det er viktig for hele landet at det legges til rette for god infrastruktur i Møre og Romsdal. Det er der politikken er oppe til eksamen, det er der næringslivet er, og det er der velferdsøkningen skal skje, på samme måte som i de øvrige 17 fylker. Det er også viktig at man har laget en regional transportplan for Midt-Norge, for det vil danne grunnlaget for de prioriteringene som regionen sender inn som sine med hensyn til Nasjonal transportplan, og det er helt nødvendig at de tre fylkene som innbefattes i den regionale transportplanen, er omforent om løsningene. Ålesund havn er sentral for eksport, særlig sjøveien. Møre og Romsdal er altså det tredje største eksportfylket i vårt land. Jeg oppfatter at initiativet fra Møre og Romsdal og engasjementet i dette fylket ikke handler om at Ålesund havn skal være til erstatning for noe, eller istedenfor noe, men at man er nødt til å se på havnestrukturen og viktigheten av at sjøveien fungerer i området Møre og Romsdal, og da med utgangspunkt i Ålesund ikke det at man ikke unner Trondheim å være et knutepunkt. Jeg har lyst til å minne om at regjeringen nå er inne i sitt syvende år. Men det går altså feil vei. Det er slik at det er mer som går fra sjø til vei, enn det som går fra vei til kjøl og til bane. Alle gode målsettinger som er tverrpolitiske og tverrfaglige, er vel og bra, men det går altså feil vei – godt dokumentert, dessverre. Det er slik at regjeringen har et samlet ansvar for infrastrukturen og det å legge til rette for en hensiktsmessig og helhetlig infrastruktur og logistikk. Når jeg bruker begrepet «regjeringen», er det rett og slett fordi jeg forventer at det gjelder regjeringen og ikke den enkelte statsråd, for innenfor transportområdet er dette fordelt på tre statsråder og med særlig effekt for den fjerde: næringsministeren. Raumabanen er viktig i Møre og Romsdal, men det er slik at kundene svikter, og jeg må si at jeg ser med forventning og glede fram til de signalene som statsråden gir, om å satse mer på Raumabanen, både for næring generelt og for turisme spesielt. I generasjonsperspektivet må det med respekt å melde være lov å si at det kan ikke være særlig ille artig å arve noe så nedslitt. Det er et stort behov ikke bare når det gjelder Raumabanen, men generelt innenfor norsk jernbane. Selv om det er positive utviklingstrekk, henger vi betydelig etter. Det er positivt, som sagt, at regjeringen nå gjør tiltak Det er også et generelt etterslep på veiene. Det er fylkeskommunen som er den største veieieren i Møre og Romsdal – for å ta utgangspunkt i interpellantens eget fylke. Komiteen har reist fra fylke til fylke, og i alle fylkene møter vi milliardetterslep på vedlikehold av fylkesveiene. Jeg minner om at vi – og Høyre – i våre alternative budsjetter faktisk har økt det tilskuddet som vi har ønsket å gi til fylkeskommunene, nettopp for å kunne henge med på etterslepet. Så har jeg også lyst til å gi honnør til Møre og Romsdal og de øvrige to fylkeskommunene for at man har laget en regional transportplan som angir prioriteringer. Vel kan det være diskusjoner, men det er en start på det å omforene seg og se helhetlig på hva vei, jernbane, sjø, luftfart og elektronisk kommunikasjon. På den måten får man fram en helhetlig prioritering fra fylkeskommunene. Det er viktig med langsiktig planlegging, med helhetlig finansiering og gjerne med alternative former for finansiering. Det utfordres regjeringen Som representant for Møre og Romsdal vil jeg gi statsråden ros og en takk for de utfyllende og gode svar, og for de kommentarene som hun hadde på interpellanten Elisabeth Røbekk Nørves innspill. Gjennom statsrådens svar viser hun en interesse for og en kunnskap om de utfordringene og den aktiviteten som foregår nå, og som er planlagt framover. Jeg synes også debatten har båret preg av at det blir satt lys på, blir fokusert på, den positivitet som skjer i Møre og Romsdal, og på verdien som eksportfylke, og den viktigheten som fylket har for landets velferd. Jeg vil likevel advare representanten Elisabeth Røbekk Nørve mot å krisemaksimere situasjonen på bakgrunn av det som pågår, og det som er planlagt framover. Det er en revolusjon som er på gang. Men jeg hører med til dem som mener at midler må på plass for å følge de planene som er lagt. Så har flere vært inne på dette med regional plan. Det er riktig som representanten Røbekk Nørve sier, at logistikknutepunktet i Trondheim også gjelder for Møre og Romsdal. at det skal bli et godt utgangspunkt for skipsfart. Men jeg vil minne representanten Elisabeth Røbekk Nørve om at den jobben som ble gjort fra Møre og Romsdals side da Ålesund havn ble for dårlig ivaretatt, ble ledet av daværende fylkesordfører Olav Bratland og Frank Sve, som da var leder av samferdselsutvalget, og som sto for arbeidet. Det nåværende regimet har tatt tak i dette, og formuleringen om viktigheten av Ålesund havn vil bli endret i den regionale transportplanen som tenkes vedtatt i juni. Når det gjelder rassikring, som er svært viktig for Møre og Romsdal, er det fortsatt store utfordringer – det vet vi. Men da er det en påstand som langt på vei kan dokumentere det som denne regjeringen har gjort for rassikring i de årene den har fungert: Det tilsvarer 40 år med Bondevik II. Møre og Romsdal fylke er et flott fylke med mektig natur, og det er veldig rikt på naturressurser. Fylket har et sterkt og innovativt næringsliv og mange dyktige og kompetente innbyggere. Dette har bidratt til at Møre og Romsdal er et av landets aller fremste eksportfylker. den rød-grønne regjeringen tok over i 2005, er det skapt over 9 000 nye arbeidsplasser i Møre og Romsdal, og over 80 pst. av disse i privat sektor. Arbeidsledigheten per 29. mars, altså i dag, er på 2,5 pst. Det går så det suser i Møre og Romsdal. Når jeg er på besøk i Møre og Romsdal, som også er mitt hjemfylke, får jeg innspill på hva som skal til for at fylket og næringslivet skal utvikle seg ytterligere. Behovet for en effektiv og trygg infrastruktur blir ofte nevnt. Dette er selvsagt viktig, da fylket har behov for å få eksportvarene raskt ut til markedene. Interpellanten har gjennom sine ytringer og spørsmål utfordret statsråden på hva regjeringen bidrar med for å bedre transportsituasjonen i Møre og Romsdal. Jeg synes statsråden har gitt gode svar. Møre og Romsdal har bl.a. kommet spesielt godt ut ved tildeling av rassikringsmidler. Som Sjømæling var inne på, har det vært en formidabel satsing på det området fra regjeringen. Flere rasfarlige veier er nå i ferd med å bli trygge veier i Møre og Romsdal. Det er jeg veldig glad for. Statsråden refererte også til mange konkrete, viktige veiprosjekter som nå realiseres i Møre og Romsdal. har også satt i gang flere konseptvalgutredninger, som bl.a. er av stor betydning for fergefrie kryssinger av Halsafjorden, Romsdalsfjorden og Storfjorden. Men som det krevende topografiske fylket Møre og Romsdal er, er behovet større enn det som er utrettet så langt. Det er det ingen tvil om. Selv vil jeg benytte anledningen til å komme inn på rv. 70, som er stamveien fra Kristiansund og opp til E6 på Oppdal. Det har skjedd mye positivt de siste årene på rv. 70, med nyrenovert tunnel under Freifjorden, ny vei mellom Øydegard og Bronneset, rassikring på gang i Oppdølsstranda osv. Likevel er det et veistykke mellom Tingvoll og Meisingset som er i svært dårlig forfatning. Ja, jeg har faktisk gått så langt at jeg har kalt strekningen for «skammens stamvei». Denne veistubben bare må Raumabanen er den eneste jernbanen i Møre og Romsdal. Den går mellom Dombås og Åndalsnes, gjennom Romsdalen. Det er viktig både for miljøet og avlastning av trafikkmengden på bilveien gjennom Romsdalen at godstilbudet på Raumabanen blir opprettholdt. Det er vel ikke helt korrekt det interpellanten sier, at CargoNet har redusert tilbudet sitt, derimot har de endret avgangstidene i et forsøk på å spare kostnader. CargoNet taper nemlig penger på Ifølge CargoNet selv er det fordi mange at dem som skal ha transportert godset sitt, velger bort toget fordi toget har for dårlig regularitet. Dette har mange årsaker, som statsråden også har belyst i sine innlegg. Dessverre er det ikke bare Raumabanen som opplever nedgang i godstrafikken. I fagtidsskriftet Samferdsel ble Bjarne Wist, nettopp fra spurt om hva som kan gjøres for å få godstrafikken tilbake på ønsket spor. Der svarer Wist: «Myndighetene må sørge for vedlikehold og utbygging av spor og terminaler så raskt som mulig. Frem til dette er gjort, må myndighetene se på hvordan jernbaneselskapene kan kompenseres økonomisk for de problemene dagens infrastruktursituasjon Jeg oppfatter statsråden dit hen at det er nettopp dette regjeringen nå gjør. Så får vi håpe at dette vil føre fram, slik at både godstrafikken på Raumabanen – og jernbanen for øvrig – vil få en ny vår. Jeg kunne sagt mye mer om enkeltprosjekter i Møre og Romsdal, men jeg lar det være, for det er det allerede flere som har vært inne på. Så jeg vil bare avslutte med å takke interpellanten så mye for et godt initiativ og muligheten til å sette denne situasjonen i Møre og Romsdal på dagsordenen i Stortinget. Behovet for infrastruktur og investeringar er fleire talarar vore inne på. Men behovet er nok ikkje mindre i landet som heilskap. Då er eg faktisk meir bekymra over etterslepet på vedlikehald, som no ligg på godt over 3 mrd. kr i Møre og Romsdal. Det betyr at når ein skal eksportere varene sine, er det over holete vegar, det er over vegar der er utsett for trafikkulykker osv., rett og slett på grunn av manglande vedlikehald. Like bekymringsfullt er det også når det gjeld ferje og ferjelemmar som treng ei betydeleg grad av fornying. Ferjer som ligg på fjorden og driv, er dessverre blitt eit altfor vanleg syn. Dette er kvardagen i eit av landets fremste eksportfylke. Den regionale aktøren har – som fleire har nemnt – også laga ein regional transportplan som synleggjer behov og prioriteringar. Men igjen stansar dette opp på grunn av moglegheiter til å klare å finansiere prosjekta. Når det gjeld flytting av gods frå bil til kjøl, har det vore eit politisk ønskemål som har vore framført med jamne mellomrom i mange, mange år. Det einaste vi ser her, er mangel på satsing og mangel på økonomi. er jo eit godt eksempel på slik prioritering. Der har ein no utgreidd dette prosjektet nesten til døde. 18 gonger har han vore utgreidd, og den siste utgreiinga har vist eit litt lysare bilete enn dei 17 føregåande utgreiingane av kva for ei fantastisk investering dette kan bli. Så ser vi andre store prosjekt som ein har på gang i Så ser vi andre store prosjekt som ein har på gang i Møre og Romsdal. Noreveien er eit flott og fantastisk prosjekt som òg vil vere med og fremme eksportindustrien, men så viser det seg at gjennom dei tiltaka som er nødvendige for å realisere eit slikt prosjekt, blir prosjektet så at det står fram i dag som nesten uhandterleg, fordi det vil ta så utruleg mykje av dei totalressursane som ein har, framover, og det vil binde opp nye investeringar i mange, mange år framover. Derfor trengst det ei regjering som er villig til å satse på nye investeringar og ikkje berre hevde at ein har auka. Viss ein aukar frå eit lågt nivå til eit litt høgare, gjer ikkje det den heilt store hamn. Skal Ålesund hamn kunne vareta dei intensjonane som interpellanten tek opp, er det òg eit stort behov for å få fjerna grunnane, slik at dei skipa som skal vareta transporten, kan komme seg inn til hamna på ein slik måte at ein er sikker på at ein ikkje gjer skade verken på seg sjølv eller på andre. Av andre eksempel på investeringar i Møre og Romsdal som er ferdige, kan eg nemne viser på mange måtar eit stort behov for å få denne typen fastlandssamband. Då dette var prosjektert, rekna ein med ein auke på 60 pst. i årsdøgntrafikken – og det var å ta hardt i, meinte mange. I dag, når vi sit med fasiten, viser han at auken blei 150 pst. Dette viser altså berre at er ein villig til å investere, er det eit stort behov, og det er med på å lyfte konkurranseevna og tek ned kostnadene for næringslivet. Då er det viktig å prioritere – og prioritere rett. Når lyntogprosjektet blir brakt på bana i eit fylke som Møre og Romsdal, og ein skal prøve å flytte traseen frå Østerdalen til Gudbrandsdalen for at det skal passe Møre og Romsdal, og ein er villig til å bruke millionbeløp på eit sånt fantasiprosjekt, er ikkje det å prioritere. Det er rett og slett å lyfte fram eit prosjekt som etter mi oppfatning er ei avsporing i debatten. Det er ein debatt som ein tek rett og slett fordi ein ikkje ønskjer å ha fokus på alle dei manglane som er på eksisterande anlegg – ein lyfter opp nye fantasiprodukt rett og slett for å ta vekk det rette fokuset. Det fokuset burde vere på opprusting av eksisterande veg, i infrastruktur og gå inn og sjå på kva er det som trengst for å lette kvardagen for dei som skal oppretthalde velferdsstaten. Det trengst, og det blir ikkje gjort i dag med den regjeringa vi har no. Interpellanten er
opptatt av infrastruktur i hjemfylket Møre og Romsdal, og der har hun god støtte. Det ser vi av engasjementet fra Møre-benken her i dag. Men å vise til at statsråden må løfte transportsituasjonen fra en kommende transportkrise, er nesten uforståelig. Det er fristende å lure på om den bekymringen henger igjen fra da Bondevik styrte sammen med Høyre. Dette begrunner interpellanten med å vise til at det er dårlig infrastruktur inn til og ut av Møre og Romsdal. Men siden Stoltenberg overtok i 2005, har mange viktige løft blitt tatt nettopp i de områdene. I nord har man rustet opp E39, som var mer som et kulturvernminne, og løftet den til en meget god og høy standard. Dette er med på å øke trafikksikkerheten og ikke minst korte ned trafikktiden. Statsråd Meltveit Kleppa var med på å åpne denne veien. I sør bygges det nye veier, og i høst kommer Kvivsvegen til å stå klar. Den bidrar ikke minst til større og bedre bo- og arbeidsmarkeder, og jeg tror at statsråd Meltveit Kleppa må ta på seg finstasen og reise oppover og være med på å klippe en ny snor. I øst er planene klare for E136 som er eksportveien vår med store prosjekt som Tresfjordbroen og er også viktig for sikkerheten langs veiene, for reisetiden og for bo- og arbeidsregionene i området. Det vil lette biltransporten til Raumabanen og bedre trafikken som må gå via Lesja og ned Gudbrandsdalen. I vest er selvfølgelig satsingen på havn- og sjøfart også viktig, men med all respekt – det er ikke slik at vi trenger å spenne ben under Trondheims utfordringer og muligheter for å kjempe for egne havner. havn er viktig, og vi må bygge opp under den. Men det er ingen motsetninger mellom det og samtidig bygge opp viktig infrastruktur andre steder. Så til våre forslag om satsing på havner og farleder. Etter at vi kom i regjering, husker jeg at interpellantens parti, Høyre, sa at det var fantasipenger vi snakket om. Det var ingen fantasi, det ble virkelighet. Ja, for vi har faktisk økt investeringssatsingen på havner og farleder med hele 77 pst. siden 2005. Vi har også redusert kystavgiften kraftig, og vi har som mål å få fjernet den helt denne perioden. Ut fra disse punktene som jeg nå har vist til, ser vi at Arbeiderpartiet og regjeringspartiene er opptatt av infrastruktur. Og, ja, vi har og må ha en offensiv tilnærming til å få mer gods over fra vei til sjø. Dette er viktig for å spare veiene for tungtransport, det gir enorme miljøgevinster, og det bidrar til konkurransefortrinn for næringslivet å ta sjøveien i bruk. Da må vi løfte temaet logistikk mer, som også var sagt av interpellanten, og som jeg er helt enig i, og da er det viktig å se helhetlig på disse utfordringene. Det er positivt, og det er et viktig tegn at vi får et så stort engasjement rundt dette temaet nå, både med tanke på men også partiprogramprosessen som vi i Arbeiderpartiet er godt inne i. Et kystparti som Arbeiderpartiet er på når det gjelder å finne gode løsninger for alle næringer som kan bruke sjøveien. Derfor har vi god dialog med alle aktører for å få dette til. Vi må sikre at næringslivet opplever det å bruke sjøveien som forutsigbart, effektivt og konkurransedyktig, og vi må se på hva det offentlige skal bidra med, og hva næringene selv skal ta ansvar for. Det er en viktig diskusjon. Det er viktig at fylkestingsrepresentanter løfter dette temaet i sin debatt nå i fylkestingene framover. Vi må evne å se sammenhenger og finne gode, helhetlige løsninger, for det hjelper lite om staten på sin side kutter i avgifter, om kommunene skrur opp avgiftene i hjemkommunene sine. Her må alle aktører stå sammen og bygge opp løsninger for framtiden. Det har jeg faktisk stor tro på at vi klarer. Når jeg hører innlegget til representanten Hoksrud får det meg til å lure på om det har vært servert breiflabb til lunsj i kantinen i dag. Presidenten vil bemerke at den avslutningen må regnes for å være et uparlamentarisk uttrykk. Neste taler er Mette Hanekamhaug, så vi får en mer eller mindre fulltallig benk fra Møre og Romsdal opp på talerstolen i denne saken. Ja, president, det er viktig å vise at vi i Møre og Romsdal er veldig opptatt av denne problemstillingen. Jeg hadde egentlig ikke tenkt å ta ordet, men representanten Else-May Botten var inne på en del viktige momenter i denne debatten som kanskje bør belyses litt ekstra. Representanten snakket så fint om alt det som blir gjort, at man reiste rundt og klippet snorer i disse årene. Ja, det er vel og bra med fine ord, god-jul-og-godt-nyttår-taler og klippe snorer til nye veiprosjekter. Men det vi i Fremskrittspartiet er opptatt av, er hvordan situasjonen faktisk påvirker oss som bor der, og hvordan den Vi i Fremskrittspartiet er opptatt av å få folk til å bo i Møre og Romsdal. Når det gjelder å få ungdom til bli boende, til å bli værende, til å ta utdanning, til å jobbe og å få sånne som som har flyttet ut, til å flytte hjem igjen, er det grunnleggende viktig å ha en god infrastruktur. Det hjelper ikke hvor mange snorer regjeringspartiene og statsrådene klipper, når man ser realiteten og ser hvordan den påvirker ungdom som bor i eller har lyst til å bo i fylket. Sannheten er at de som er unge i dag og skal inn i arbeidsmarkedet, er opptatt av mobilitet og fleksibilitet. Vi er opptatt av å komme oss rundt fra A til B, vi er opptatt av å kunne bo ett sted og pendle til jobb. Da hjelper det ikke med infrastrukturen slik den er i dag. Det hjelper ikke når vi hører at stadig flere småbarnsforeldre er livredde for å sende barna sine på skolen, når de ser at vi har så mange rasfarlige skoleveier i fylket vårt. Det hjelper ikke å ha busstransport av elever på lange strekninger i distriktene når vi har flere hovedfartsårer som er så smale at vi ikke engang har midtstripe på disse veiene. Og det hjelper ikke å ha det fergeveinettet vi har, der vi ikke kan dra f.eks. mellom Molde og Vestnes eller dra på fest på kvelden, fordi man ikke har ferger som går hyppig nok, eller av og til ikke går i det hele tatt, slik at man ikke kommer seg hjem. Det er utfordringer som Fremskrittspartiet er opptatt av. Det er utfordringer som innbyggerne i Møre og Romsdal er opptatt av. lærte i mattetimen at 0 x 3 eller 0 x 4 fortsatt er 0 – og da kommer vi til veiinvesteringene i Møre og Romsdal og de snorklippingene som faktisk skjer. Derfor er dette viktig for oss i Fremskrittspartiet. Vi er glad for at interpellanten nettopp hever viktigheten av en god infrastruktur, både for eksportnæringen i Møre og Romsdal og for å sikre at ungdom blir i fylket eller kommer tilbake til fylket. Først av alt må jeg få lov å takke for en fantastisk debatt og

innledning, og som førte til at jeg tok initiativet til denne interpellasjonsdebatten, at det kom en regional plan, som var ført i pennen av trønderske politikere, men det sto ingenting om Ålesund havn, det sto ingenting om Møre og Romsdal. Det var sterkt beklagelig, og det gjorde at det ble uro. Jeg er helt enig i at vi må bli flinkere til å samarbeide på tvers av det er det ikke tvil om engang. Representanten Hoksrud og også representanten Grimstad snakket om lyntog, men jeg sa absolutt ingenting om lyntog – jeg hadde overhodet ikke tenkt å si det heller. Nå var representanten Ingjerd Schou fra Høyre inne på det og på en måte avviste hele greia. Det jeg er opptatt av, og det gjentar jeg gjerne – og jeg håper statsråden hører godt etter – er at vi aldri må avskjære de mulighetene vi kan ha i fremtiden for fortsatt å ha jernbane til Møre og Romsdal. Det er den jeg er redd for. Derfor må en trasé fortsatt gå gjennom Gudbrandsdalen. Det er viktig. Så til representanten Else-May Botten, som snakket mye om snorklipping, og det er kjekt. Men den dagen det kommer til snorklipping, har man holdt på i mange år. Er det noen som vet det, er det nå vi politikere, som kjemper for å få på plass veiene våre. Når det gjelder Kvivsvegen, klarer jeg ikke å la være å si at her har vi all grunn til å gi en stor honnør til en tidligere stortingsrepresentant fra Høyre, nemlig Petter Løvik. Han kjempet enormt for Kvivsvegen, og vi er veldig stolte over at den nå er på plass. Jeg leste i bladet «Fraktemann» at i Norge velter det 200–250 vogntog per år. Jo raskere vi får mer av dagens tungtransport over fra vei til sjø og bane, jo tryggere og mer miljøvennlig blir den totale transporten, til glede for både næringslivet og folk flest. Takk for en fantastisk god debatt. Så ser jeg på statsråden igjen og håper og tror at hun har tatt med seg signalene, som er så viktige for regionen Møre og Romsdal, og ikke bare for Møre og Romsdal, men for hele landet, som det ble sagt her. Verdiskapingen er viktig. Eg vil takka for ein forfriskande debatt, for ein debatt der eg set pris på at lokale representantar her med både lokal kjennskap og lokal erfaring. Det er jo ikkje kvar dag vi har dét på den måten som vi hadde no, både kor viktig det er med rassikring, vedlikehald og fornying, og kor viktig det er heile tida òg å halda fortgang i dei store prosjekta, for her er det altså mykje som heng saman. er eit felt vi ikkje skal undervurdera, og det er planlegging, betydninga av raskare planlegging. Lat meg melda at over påske vil det bli presentert resultat frå eit prosjekt som har vore i Statens vegvesen sin regi, der dei sjølve ser på sine eigne rutinar for planlegging, med sikte på raskare planlegging, og så er det òg ei arbeidsgruppe i departementet som kjem til å gje klare råd om kva den meiner det går an å korta ned i høve til mange av dagens prosessar, som er altfor langtekkelege. Nettopp Møre og Romsdal har eit eksempel på at det går an å få til ting, på mindre enn tre år, nemleg Astad–Knutset. Så synest eg at det er ikkje nokon grunn til å snakka nedlatande og nedsetjande om snorklipping. Det er jo ikkje snorklippinga i seg sjølv som har betydning, men det faktum at det er lov til å feira når ein får eit nytt og større prosjekt på plass. Eg har i kalenderen min til hausten, eg gler meg til det. Tenk kva det betyr for ein region med ferjefri riksveg mellom Nordfjord og Sunnmøre, og kva det betyr for ein større bu- og arbeidsregion! Så ser eg òg fram til å leggja til rette for stortingsbehandling av Tresfjordbrua no i vårsesjonen. Det vil bety ei enorm forbetring for både folk og næringsliv i det området, reduserte avstandar og reduserte kostnadsulemper. Så er det det som er poenget, at vi må ha både dei store planane for auga og sørgja for framdrift i dei, og så må vi byggja stein på stein. Det gjer vi. Stadig nye

blir fordelt slik på gruppene: Arbeiderpartiet 25 minutter, Fremskrittspartiet 15 minutter, Høyre 10 minutter, Sosialistisk Venstreparti 5 minutter, Senterpartiet 5 minutter, Kristelig Folkeparti 5 minutter og Venstre 5 minutter. Videre vil presidenten foreslå at det blir gitt anledning til replikkordskifte på inntil fem replikker med svar etter medlem av regjeringen innenfor den fordelte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 Jeg vil starte med å takke komiteen for godt samarbeid, og spesielt Inga Marte Thorkildsen for den innsatsen hun har lagt ned som saksordfører fram til hun for en knapp uke siden ble utnevnt til statsråd for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Samtidig vil jeg ønske til lykke med nye skal jeg si litt om prosessen med fordelingsmeldingen. Regjeringen satte i april 2008 ned et utvalg som skulle se på drivkreftene bak utviklingen i inntektsforskjellene. Bakgrunnen var behovet for mer grunnleggende kunnskap om utviklingen i økonomiske forskjeller over tid, om hvilke drivkrefter som påvirker utviklingen, og hvilke tiltak som kan motvirke økende forskjeller. Utvalget ble bedt om å komme med forslag til tiltak, og skulle legge spesiell vekt på tiltak som kunne bidra til å hindre at økonomiske forskjeller forsterker seg over tid. Fordelingsutvalget la fram sin rapport i mai 2009. Utvalget slo fast at den nordiske modellen med sterke, skattefinansierte velferdsordninger, jevn lønnsstruktur og gode offentlige utdannings- og helsetjenester har mange viktige, likhetsskapende trekk. Et annet hovedbudskap fra rapporten var at tilknytning til arbeidslivet er den viktigste enkeltfaktoren som hindrer lavinntekt for den enkelte, og at tidlig forebygging er det mest effektive tiltaket for å sikre slik tilknytning til arbeidslivet for flest mulig. Utvalget mente forebygging bør starte i barnehagealderen. Investering i barn og barnehager betaler seg ved at barna tar mer utdanning og deltar mer i arbeidslivet når de blir Den rød-grønne regjeringen har lyktes med å redusere forskjellene. Mens inntektsforskjellene økte fra midten av 1980-tallet til midten av 2000-tallet, har de blitt redusert siden 2006. Dette er et brudd med den internasjonale trenden, hvor forskjellene fortsetter å øke. Norge er blant landene i verden med minst forskjeller i levekår. Lavinntekt går også i mindre grad i arv enn i de fleste andre land. Godt utbygde velferdsordninger bidrar til å redusere forskjellene. Rettferdig fordeling er en bærebjelke i den norske modellen og bidrar til å styrke tilliten mellom mennesker og oppslutningen om fellesskapsløsningene. Med Skattereformen fra 2006 har vi fått på plass et mer omfordelende skattesystem som er med på å ivareta prinsippet om skatt etter evne. Stortingsflertallet har holdt det samlede skatte- og avgiftstrykket på 2004-nivå, men gjort betydelige grep for å skape en bedre fordeling innenfor rammene som skatteløftet gir. Til tross for at forskjellene har blitt redusert de siste årene, har andelen med lavinntekt holdt seg stabil. Sammensetningen av dem med lavinntekt har imidlertid endret seg. Det har blitt færre eldre med lavinntekt, men en økning med hensyn til barnefamilier, spesielt innvandrerfamilier. I disse tilfellene handler det ofte om barnerike familier med én forsørger. Det understreker viktigheten av å lykkes med integrering og likestilling samt et godt og rimelig barnehagetilbud, slik at begge foreldrene kan arbeide og skaffe seg inntekt. Den viktigste strategien framover blir da fortsatt å føre en aktiv politikk for å sikre høy sysselsetting og lav ledighet. Arbeid er den viktigste forsikringen mot lavinntekt for den enkelte. Høy arbeidsdeltakelse er også en forutsetning for at velferdssystemet skal kunne videreføres. Vi har i stor grad lyktes med det. Norge har Europas laveste ledighet. Det er skapt 300 000 nye arbeidsplasser under sittende regjering. Trygg økonomisk styring og et anstendig og velregulert arbeidsliv er avgjørende i denne sammenhengen. Handlingsplanen mot fattigdom inneholder en rekke tiltak som skal gi hjelp til grupper som faller Kvalifiseringsprogrammet er det viktigste av tiltakene i handlingsplanen. Siden oppstart har et stort antall langtidsmottakere av sosialhjelp og andre som står langt fra arbeidsmarkedet, fått bistand til å komme i arbeid gjennom ordningen. De rød-grønne partiene legger særlig vekt på barn og unges levekår gjennom tiltak som styrker foreldrenes yrkestilknytning, arbeid for likelønn – ettersom mange fattige barn er barn av enslige forsørgere, som oftest kvinner arbeid for integrering, ettersom barn med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i lavinntektsgruppen, og vektlegging av barns rettigheter og hensynet til barns oppvekst i veiledningsmateriell til ny lov varsler i meldingen at den vil utrede hvordan aktivitetsstøtte til barn og unge i familier berørt av fattigdom kan ivaretas. Det kan være krevende med en sånn type aktivitetsstøtte, men vi imøteser utredningen. Med det anbefaler jeg For noen år tilbake lanserte Fremskrittspartiet slagordet «Fremtiden skapes – den vedtas ikke». Det er i sannhet et genialt slagord – for å skryte litt av partiet – som står seg stadig bedre i et land som i svært mange sammenhenger tror at politiske vedtak vil bringe vekst og velstand. Alle partier er i mer eller mindre grad skyldige i en slik tenkning. Rød-grønne sosialister har en grunnleggende mistro eller skepsis til alle som lykkes. De sier allikevel at de vil legge til rette for at folk skal kunne lykkes. Men skulle en person faktisk gjøre suksess, skape arbeidsplasser og tjene en hel masse penger, går skepsisen og misunnelsen hånd i hånd. Målet om likhet gjennom kapitalismen er en selvmotsigelse. Markedskrefter gir utvikling og velstand, men aldri likhet. Likhet er en politisk umulighet og naturstridig. Mange land har allikevel forsøkt. Alle har mislyktes. Planøkonomi gir stagnasjon, fattigdom og korrupsjon – noe som igjen betyr ulikhet. Mens kapitalismen og markedsøkonomien gir incentiver til vekst, slik at samfunnet samlet sett blir rikere, holder planøkonomi og sosialisme de kreative og flinke nede og gir incentiver til å sluntre unna. I den grad sosialisme betyr likhet, er det lik fordeling av fattigdom vi snakker om. Sosialisten har aldri forstått at man ikke hjelper de svake ved å kutte hodene av de sterke – eller sagt på en annen måte: Man hjelper ikke de fattige ved å flå de rike. Fremskrittspartiet ønsker at flest mulig skal lykkes. Vi synes det er flott at folk tjener penger. Vi synes det er strålende at penger tjent på ærlig vis gjennom markedet gjenbrukes i markedet. Markedsøkonomien har brakt hundrevis av millioner av mennesker ut av fattigdom, nettopp fordi markedsøkonomien har en «trickle-down»-effekt. Når det regner på presten, drypper det på klokkeren. Det spiller nemlig ingen rolle at de rike blir rikere, så lenge de fattige også blir rikere. Og en slik utvikling er kun mulig gjennom markedsøkonomien. I arbeidet med denne meldingen stilte Fremskrittspartiet spørsmål til Finansdepartementet vedrørende forskjellene i dagens Norge og om hvorvidt de er blitt større eller mindre under dagens regjering. Svaret er at forskjellene ikke er signifikant annerledes i dag enn de var under foregående regjeringer. Sannheten er at alle grupper i lønnet arbeid har fått en langt høyere levestandard, mens forskjellene mellom de ulike gruppene er omtrent de samme. Under den rød-grønne regjeringen har imidlertid antall mennesker som lever utenfor det regulære arbeidslivet, økt kraftig. Det er med andre ord langt flere mennesker som mottar penger til sitt livsopphold fra Nav i dag, enn noen gang tidligere. Det er nettopp disse menneskene som sakker akterut i dagens samfunn. Finansministeren har gjentatte ganger understreket at arbeidskraft er den beste ressursen samfunnet har. Det er jeg enig med ham i. Dersom arbeid igangsettes gjennom oppstått behov i arbeidsmarkedet, er arbeid samtidig den beste formen for fattigdomsbekjempelse. I et oppslag knyttet til mulig innføring av eiendomsskatt uttalte LO-leder Roar Flåthen i fjor høst følgende til Dagens Næringsliv: «Jeg blir fly forbannet når jeg ser de villaene i Holmenkollåsen – Unnskyld språket, president. Her slipper LO-lederen katta ut av sekken. For det første kan man jo undres over hvordan LO-lederen har fått tilgang til villaene han er så sint for at finnes, men langt mer alvorlig er det at lederen av Norges største arbeidstakerforening viser så stor forakt for konsekvensene av markedsøkonomien. Jeg har for så vidt forståelse for at LO-lederen forsøker å gjøre seg til en mann av folket, men sannheten er jo at markedsøkonomien har gjort selv Flåthen til kapitalist, men at han velger å bruke sin millionlønn på andre ting enn bolig i Holmenkollåsen. Man kan og bør selvfølgelig understøtte mennesker som ikke er i stand til å understøtte seg selv. Slike bevilgninger vil imidlertid aldri føre til permanent reduksjon av fattigdom. Ingen samfunn har noen gang klart å omfordele seg ut av fattigdom. Fattigdom bekjempes ikke gjennom økonomiske overføringer, men gjennom deltagelse i arbeidsmarkedet. I Norge krever deltagelse i arbeidsmarkedet i nær sagt alle sammenhenger at man er i stand til å snakke norsk. Videre krever stadig flere yrker grunnleggende ferdigheter, enten det gjelder yrkesfag eller akademiske fag. regjeringer har de siste årene tillatt en stadig økende innvandring. Dette har i særlig grad funnet sted gjennom familiegjenforening, som ofte er familieetablering gjennom arrangerte ekteskap. I mange sammenhenger er dette mennesker med liten eller ingen utdannelse, hvor også analfabetisme er utbredt. Det er naturligvis lite trolig at voksne mennesker som verken kan lese eller skrive, vil kunne bli en arbeidsressurs i et kunnskapsbasert samfunn som vårt. Dette er altså en villet politikk. Men jeg skal la det ligge. Fremskrittspartiet har som mål å få flere til å delta i samfunnet, og vi tror slik deltagelse må finne sted på alle plan. Skal man lykkes på arbeidsmarkedet i Norge, er man helt nødt til å tilpasse seg de behovene som arbeidsmarkedet etterspør. Dette krever en betydelig grad av egeninnsats. Vår hovedoppgave som politikere er ikke omfordeling av goder fra en person til en annen eller fra en gruppe til en annen gruppe. Vår hovedoppgave er å legge til rette for at samtlige får muligheten til utdannelse, og at samtlige får muligheten til å bruke sitt talent. Utdanning er derfor åpenbart et område som bør finansieres av fellesskapet. En minste felles multiplum-skole er ikke til hjelp verken for de svakeste eller de flinkeste elevene. Skal vi lykkes i fremtidens konkurransesamfunn, må vi legge til rette for at også de flinkeste får utfordringer i skolen. Vi bør applaudere at noen er mer intelligente enn andre, at noen er mer kreative enn andre, og at noen utviser mer interesse for læring enn andre. På samme måte som vi dyrker våre idrettshelter, bør vi også dyrke dem som har begavelser innenfor praktiske og akademiske fag, for mens våre idrettsstjerner gir oss en opplevelse og nasjonal stolthet, har våre skolebegavelser muligheten til å gi oss fremtidige eksportinntekter og arbeidsplasser. Med andre ord: Mens idrettshelten gir oss en umiddelbar tilfredsstillelse, gir entreprenøren oss varig velferd. Fremskrittspartiet registrerer at de rød-grønne forsøker å omskape den nordiske modellen til et sosialdemokratisk prosjekt – og kanskje først og fremst som et sosialistisk prosjekt. Det er historieløst. Norsk historie er ikke preget av sosialisme, ei heller av sosialdemokrati. Norsk historie er kontrastfylt. Man finner pietisme, hardt arbeid, konsekvensetikk, tradisjonsbinding, konfliktskyhet, standhaftighet. Men man finner også eventyrtrang, for å se på de nordmennene som dro til Amerika: Selv der ble de boende på samme sted, så mye at de ble kalt «homesteads». I de senere år har nok den norske folkesjelen fått litt påfyll av selvgodhet, noe som ironisk nok bekreftes i regjeringspartienes merknader i denne saken. Ovennevnte verdier er uansett en del av vår kulturarv, og det er nettopp kulturarven som danner grunnlaget for dagens samfunnsform. Kall den gjerne en nordisk modell, men særlig mye sosialisme inneholder den ikke.

Det var knyttet store forventninger til fordelingsmeldingen. Resultatet må være en stor skuffelse. Gjennom flere år har mange av Stortingets – og det offentliges – debatter blitt for der ville man se regjeringens strategier. Jeg tror vi alle husker Kristin Halvorsen, som under valgkampen i 2005 slo fast at fattigdommen kunne avskaffes. Hun sa: «Dette er jo ikke vanskelig, dette handler om politisk vilje.» På tross av sin ordrikdom vil dette dokumentet bli stående som et monument over brutte løfter, manglende strategi og tiltak for å bekjempe fattigdom. Etter snart syv år med rød-grønn regjering har vi langt flere barn som lever i fattigdom, vi har flere bostedsløse, ventetiden og køene til rusbehandling har økt, og skolen lykkes ikke med å kompensere for sosiale forskjeller. Disse fire områdene er sentrale for å måle om vi lykkes med å bekjempe fattigdom. Det siste, nemlig at skolen ikke lykkes med å kompensere for sosiale forskjeller, er kanskje det mest alvorlige, for hvis skolen ikke lykkes, ja så vil resultatene forplante seg i tiårene fremover. Unntaket og det finnes heldigvis et unntak – er Oslo. I Oslo, hvor Høyres skolepolitikk er satt ut i livet, er det ifølge en av regjeringens rapporter påvist at man lykkes i større grad med å kompensere for sosiale forskjeller mellom elevene. Vi burde lære litt av dem som lykkes. Denne stortingsmeldingen burde handle om hvordan vi skal løfte dem som har falt utenfor, eller dem som er i ferd med å falle utenfor. Men når man leser gjennom innstillingen, får man nesten inntrykk av at formuesskatt er det som skal bekjempe fattigdom. Jeg tok tilfeldigvis et lite søk og fant ut at formuesskatt er behandlet 22 ganger i innstillingen. Formuesskatt kan bidra til å bekjempe norsk eierskap og norske arbeidsplasser, men det bidrar ikke til å bekjempe fattigdom. Jeg er glad for at det er bred enighet blant norske partier om at det er viktig å bekjempe fattigdom. Jeg synes det er skuffende at regjeringspartiene under behandlingen av denne innstillingen ikke har vist noen vilje til å forsøke å sy alle partiene sammen om strategier og tiltak for å bekjempe fattigdom. Jeg er derimot glad for at de fire ikke-sosialistiske partiene på mange områder har skrevet seg sammen i denne innstillingen. Det vi bl.a. er enige om, er verdien av den nordiske modellen – eller den norske modellen, som vi også velger å kalle den. Det er en modell som verken tilhører men som gjenspeiler en del sentrale verdier som de nordiske samfunnene bygger på. Jeg synes det er verdt å understreke at dette ikke er en politisk modell, men at det er sentrale verdier som har vist seg bærekraftige og slitesterke både i oppgangstider og i nedgangstider. Men denne modellen er ikke skapt en gang for alle. Den må fornyes. Den bidro vi til å fornye på 1980-tallet. Den har vi bidratt til å fornye gjennom den siste sentrum–Høyre-regjeringen, både ved å legge til rette for verdiskaping og ved å utvikle gode velferdsordninger. Det er viktig å understreke at den nordiske – eller den norske – modellen handler om den trygghet som gode velferdsordninger skal gi, men den handler også om frihet og mangfold, om frivillighet, om evne til å ta risiko, og om markedsøkonomi og et fleksibelt arbeids- og næringsliv. Jeg vil gjerne også understreke at verdien av små inntektsforskjeller er viktig for Høyre. Vi mener at det er en del av den norske eller nordiske modellen, og at relativt små sosiale forskjeller også er noe av limet i vårt samfunn hvor direktørens datter går på samme skole som arbeiderens sønn, og hvor relativt små inntektsforskjeller og flat struktur i arbeidslivet bidrar til mindre hierarki og et mer effektivt arbeidsliv. Høyre er nesten monomant opptatt av arbeidslinjen. Og hvorfor er vi det? Jo, fordi arbeid er veien til velferd, både for den enkelte og for oss som samfunn. Selvsagt skal de som ikke kan arbeide, kunne leve et verdig liv og ha økonomisk trygghet, men det er nødvendig med en tydeligere strategi for hvordan færre skal komme på Nav, og hvordan de som kommer på Nav, skal få raskere og bedre oppfølging. I går ble mange av oss for første gang, men jeg skjønner at det er et begrep som har levd i en del ungdomsmiljøer over tid, introdusert for begrepet å «nave», som visstnok skal handle om at man kan ta seg et friår og leve på trygd. Det skal vi ta alvorlig. Hvis slike holdninger er i ferd med å spre seg blant våre ungdommer, er vi på Høyre er opptatt av at vi må bryte noen av de trendene, og da handler det først og fremst om å skape en bedre skole, hvor vi løfter de barna som er i ferd med å falle utenfor. Vi vet at de barna som ikke lærer å lese, skrive og regne i grunnskolen, i større grad faller ut når det kommer til videregående skole, og at altfor mange av dem finner veien til uføretrygd når de skulle vært ute i arbeidslivet. Jeg henviste innledningsvis til at man i Oslo har klart i større grad å kompensere for de sosiale forskjellene. Og hva er det man har gjort? Jo, det handler om tre viktige punkter. Det handler om at elevene får at det kanaliseres flere økonomiske ressurser til skoler hvor det er mange elever som er dårlige i norsk. Det handler om å satse på dyktige lærere, slik at det på skoler hvor det er mange elever med dårlige norskkunnskaper, gis ekstra lønn til de gode lærerne. Det introduseres gode mentorordninger, slik at det blir attraktivt å jobbe ved de skolene, og noen av disse elevene får et helt ekstra år med undervisningstimer, slik at de kan løftes opp på et høyere nivå. Høyre er opptatt av at vi skal satse på bedre lærere. Vi vet – og det er dokumentert gjennom internasjonal forskning – at gode lærere i løpet av noen år kan kompensere for de sosiale forskjellene mellom elever. Dette er vi nødt til å prioritere høyere. Så er Høyre også opptatt av at de som kommer til Nav, skal få raskere og bedre oppfølging. Derfor har vi over tid snakket om viktigheten av å innføre aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Vi vet at det fungerer. Når man får et oppdrag, når man får lov til å arbeide, senker man igjen barrieren for å tre helt inn i arbeidslivet. Vi ønsker et forsterket og utvidet oppfølgingsløp for unge uføre, og vi er opptatt av at mennesker som går på attføring, skal få bedre opplæring i lese- og skriveferdigheter. Vi vet at nesten halvparten av dem som går på attføringstiltak, mangler grunnleggende lese- og skriveferdigheter, og uten grunnleggende lese- og skriveferdigheter faller man også raskere ut av arbeidslivet igjen. Og så er vi opptatt av at vi skal ha et raust og inkluderende arbeidsliv. Der mener vi at staten og det offentlige i større grad kan gå foran. Det er mange private bedrifter som har vist seg som pionerer. Det bør verdsettes. Blant annet gjelder det Telenor, som har spesielle programmer for å hjelpe personer med Vi mener at staten og det offentlige i større grad bør gå foran. Helt til slutt vil jeg bare understreke viktigheten av frivilligheten og de sosiale entreprenørene. Vi vet at frivillige organisasjoner gjør en enormt viktig oppgave. Det samme gjør sosiale entreprenører med hensyn til å inkludere barn som kommer fra sosialt svake familier, i frivillige aktiviteter. Det at alle kan være med på felles arenaer, er viktig i kampen mot fattigdom. Fordelingsmeldingen er en av de viktigste meldingene dette stortinget behandler. Små forskjeller og lite fattigdom er en av de helt sentrale kjennetegnene ved det norske samfunnet, og er helt sentralt for de kjennetegnene som gjør at FN gjentatte ganger har kåret Norge til verdens beste land å bo i. Jeg er svært glad for at et samlet storting i forbindelse med denne meldingen erklærer at «det er et mål at de økonomiske forskjellene skal reduseres, og at vi skal ha et samfunn uten fattigdom». om det er et betydelig sprik mellom mål og virkemidler for en del av partiene som stiller seg bak dette målet, viser dette at i Norge er det ikke mulig å vinne valg hvis man ikke er opptatt av små forskjeller. Den nordiske modellen har gitt trygghet og frihet til innbyggerne i en helt annen grad enn samfunn som baserer seg på markedsliberalistiske løsninger. Rettferdig fordeling handler ikke om å hindre folk i å bli rike. Det handler om å bevare et samfunn med tillit mellom mennesker, slik at vi sikrer oppslutningen om fellesskapsløsninger, samtidig som vi får bedre forutsetninger for å lykkes med omstilling i arbeidslivet. Dette gir igjen grunnlag for et mer produktivt arbeidsliv. Universelle offentlige tjenester bidrar til bred oppslutning om spleiselaget. Utstrakt bruk av behovsprøving, høye egenandeler og privatisering fører på sin side til at den brede middelklassen i mindre grad vil være interessert i å bidra. Å øke forskjellene gjennom skattelette til dem som har mest fra før, og kutte i universelle velferdsgoder vil derfor være et angrep på hele den nordiske modellen. Forskning viser at de samfunnene som har minst inntektsforskjeller – de nordiske landene og Japan – klarer seg best. De som har størst forskjeller – bl.a. USA og Storbritannia Forskjellene i Norge er små sammenlignet med andre land. Det gjelder både når vi ser på inntekt og formue, og når vi tar med andre forhold som påvirker levekår, som utdanning, helse, bolig og andre velferdsgoder. Samtidig har forskjellene økt sterkt i Norge de siste to tiårene. Utviklingen skjøt fart på 1980-tallet. Fra 2005, da den rød-grønne regjeringen tiltrådte, har forskjellene igjen blitt redusert. Innføring av skatt på aksjeutbytte har gjort det vanskelig å slippe unna en progressiv inntektsbeskatning gjennom å omdefinere lønn til kapitalinntekt. Omlegging av formuesskatten har medført at denne skatten i langt større grad beregnes ut fra reell rikdom, mens økte bunnfradrag har betydd skattelette for småsparerne. Til sammen betaler de rikeste i Norge nå langt mer skatt enn de gjorde i 2005. Sammen med høy vekst i sysselsettingen og tiltak som økte minstetrygder, økt bostøtte og innføring av kvalifiseringsstønad har dette bidratt til at forskjellene er redusert siden 2005, selv om lønnsforskjellene isolert ikke er blitt mindre. Utviklingen siden 2005 er et brudd med en trend i retning av økte forskjeller siden 1980-tallet. Dette er en utvikling vi ikke ser i land som Sverige, Danmark, Tyskland og Storbritannia, der forskjellene er stabile eller øker. Mens forskjellene er redusert de siste årene, har andelen med lavinntekt holdt seg ganske stabil. Jeg er bekymret for at det er en økende andel barn i Norge som tilhører familier med vedvarende lavinntekt. Dette gjelder spesielt barn i barnerike familier med innvandrerbakgrunn og barn av enslige forsørgere, ofte alenemødre. Barn har rettigheter som vi som samfunn plikter å ta på alvor, og de rammes spesielt hardt når foreldrene har det vanskelig. Fattige barn opplever det som særlig belastende at de ofte havner utenfor sosiale fellesskap. Dette kan prege dem negativt gjennom hele livet. For å forhindre dette trenger vi tiltak som kan hjelpe barn på kort og lang sikt. Det handler om en kombinasjon av universelle fellesgoder, inntektssikring og målrettede tiltak, som et velfungerende barnevern og tiltak som skal gi Det oppsøkende tiltaket Ny sjanse er ett av flere eksempler på tilbud som kan hjelpe de aktuelle familiene til en bedre økonomisk og sosial situasjon. Andre viktige tiltak er gratis kjernetid i barnehagene, aktivitetskort og barnetrygd. Dette er likevel ikke nok, og det er derfor også nødvendig med målrettede tiltak. Regjeringen har økt de laveste trygdene til 2 G og sørget for at de følger lønnsutviklingen i samfunnet. Bostøtten er utvidet til å gjelde flere grupper, og Kvalifiseringsprogrammet som skal hjelpe folk som står langt unna arbeidslivet, over i jobb og aktivitet, er innført. Dette er noen av tiltakene som sammen med kraftig økt sysselsetting har løftet mange ut av fattigdom. I fordelingsmeldingen har regjeringen lagt fram for Stortinget tiltak for bedre fordeling og bekjempelse av fattigdom. Dette er et godt grunnlag for fortsatt reduksjon i økonomiske forskjeller i Norge og for intensivert innsats mot fattigdom.

demografisk utvikling, økonomisk utvikling og internasjonale forhold påvirker fordelingen. I Senterpartiets tradisjon og politikk ligger et fundament som innebærer en aktiv demokratisk styring av kapitalismen innenfor nasjonalstaten. Kapitalismen må korrigeres og styres for å sikre brede, langsiktige samfunnsmessige mål, som f.eks. jambyrdige forhold mellom folk og reell konkurranse i næringslivet. I denne debatten om fordelingsmeldinga velger jeg å bruke min knappe tid på arbeidsmarkedet – lønns- og inntektsdannelsen i samfunnet. Arbeidsmarkedet er det første og viktigste forhold for fordeling av økonomiske verdier mellom folk. Dersom ikke dette er organisert slik at det blir jambyrdige forhold mellom folk, vil det ikke være mulig å sikre dette gjennom økte skatter eller bedre velferdsordninger. Kjernen i det som kalles den norske modellen, beskrives av senterpartifolk som jambyrdige økonomiske, sosiale og kulturelle forhold mellom folk i ulike deler av landet. Den norske modellen tilhører den røde og grønne pol i norsk politikk. Denne jambyrdigheten som mange hyller, men som i dag er utsatt for kraftig svekkelse i det praktiske liv, er et resultat av en lang historisk-politisk debatt med ulikt partipolitisk syn på fordeling av privat eiendomsrett, innholdet i privat eiendomsrett, fordeling av verdiskaping mellom lønnsmottakere og arbeidsgivere, rammevilkår og maktforhold mellom råvareprodusenter – f.eks. fiskere, jordbrukere, skogbrukere – kontra industri og handelsledd. Jambyrdighet og å ta hele landet i bruk – desentralisering – er viktig for den grønne pol i den rød-grønne regjeringa. For Senterpartiet er det f.eks. viktig å sikre og videreutvikle landsomfattende tariffavtaler i fagbevegelsen. Det er viktig å styre maktforholdene i samfunnet slik at framgang i teknologi og arbeidsproduktivitet også kommer lønnsmottakere og sjølstendig næringsdrivende til gode som økt realinntekt. Små lønnsforskjeller og tilgang til kompetent arbeidskraft oppmuntrer bedrifter til innovasjon og investering i teknologi. Lokal og nasjonal knapphet på arbeidskraft er avgjørende for den norske modellen. Som følge av EØS-avtalen har vi fri bevegelse av arbeidskraft. Det utvikler seg en stadig sterkere holdning som underminerer den norske modellen, ved at stadig flere jobber eller arbeidslivsbransjer ikke anses gode nok for nordmenn. Mange nødvendige arbeidsoppgaver svekkes derfor i sosial anseelse og respekt som følge av arbeidsinnvandring, noe som i neste omgang vil begrunne enda mer arbeidskraftinnvandring. Som rød-grønne politiske ledere står vi derfor overfor et valg – enten å oppgradere disse jobbene økonomisk, sosialt og kulturelt, eller gå til fattigere land og etterspørre enda mer billig arbeidskraft til bruk i Norge. EØS-avtalen kobler vårt arbeidsmarked til det europeiske arbeidsmarkedet, med helt andre maktforhold mellom kjøper og selger. Det betyr i utgangspunktet at en norsk arbeidsgiver kan velge mellom norske og utenlandske ansatte og ansette den som er best og billigst. Fagbevegelsen er sjølsagt stadig mer på vakt ettersom den erfarer de økte negative konsekvensene. Motstanden mot EUs vikarbyrådirektiv er et glitrende eksempel. Den får nå støtte blant folk som tidligere uttalte seg svært positivt om EØS-avtalen. Fagbevegelsen arbeider – innenfor iherdig for å beskytte sine medlemmer mot å bli rammet av det lavere lønnsnivået i andre EU-land, så ikke det skal smitte over på det norske. Vår regjering bygger ut lovverk og kontrollbyråkrati for å redusere utviklinga med sosial dumping. Likevel er det ikke til å komme forbi at fri flyt av arbeidskraft vil innebære økende makt til dem som ønsker – eller aksepterer – økte inntektsforskjeller blant folk. Dette er partiet Høyres Tenk på en demning mellom to vannmasser med ulikt overflatenivå. Finnes det et aldri så lite smutthull, vil forskjellene forsvinne. Ett lands kostnadsnivå utjevnes saktere, og dermed får svake grupper i arbeidslivet dårligere realinntekt. Denne utvikling skjer over hele landet, men kanskje tydeligst i byene. I Oslo er det lett å se virkninga av at en ikke behøver å tilby arbeidsfolk en norsk levestandard for å få til å utføre nødvendige oppgaver. Det er tydeligvis nok å tilby folk noe bedre vilkår enn det en kan få der en kommer fra, for fattigdom er et voksende problem. Oslo er tydeligvis ikke i stand til å skaffe seg tjenesteytere innenlands. Det blir også stadig mer selskapseid jordbruksdrift, i stedet for den norske modellen – familieeie. I dette jordbruket er den samme utviklinga kommet svært langt og undergraver sjølsagt yrkesutdannelse og rekruttering fra interesserte og dyktige norske ungdommer. Fri flyt av arbeidskraft mellom land med svært ulik økonomisk situasjon og maktforhold på arbeidsmarkedet er den største trusselen mot den norske tradisjonen med jambyrdige forhold. Derfor bør dette temaet være blant de viktigste som regjeringa drøfter nøye i de dokument som oversendes Stortinget på bakgrunn av NOU, utenfor og innenfor Norges avtaler med EU. Jeg tror det var Odvar Nordli som på slutten av 1970-tallet kunne meddele det norske folk at det ikke lenger fantes fattigdom i Norge. Nå kan det være ulike definisjoner som gjør at man ser det på litt ulike måter, men jeg våger faktisk den påstand at det var sentrumsregjeringen som tok opp spørsmålet om fattigdom reelt sett i Norge på ny, da den styrte fra 1997. Det var også Bondevik II, Høyre- og sentrumsregjeringen, som la fram en ordentlig plan for å redusere fattigdommen. Det er klart at man stiller seg lagelig til for hugg når man velger å fokusere på noe som ikke lar seg fjerne med et pennestrøk. Det er ikke alltid bare snakk om politisk vilje – for å fortsette der representanten Sanner begynte, i forhold til et av regjeringspartienes ganske lettvinte omgang med dette ganske vanskelige temaet. Jeg vil benytte anledningen til å peke på det som vi som politikere kanskje bør fokusere på – som peker litt framover – å bekjempe barnefattigdommen. Flertallet sier mye pent om hvordan man bør bekjempe den, men det er ingen konkrete tiltak. Det er vel heller ingen overraskelse for noen, tror jeg, at Kristelig Folkeparti har prøvd å få regjeringspartiene med på noen konkrete tiltak for å bekjempe barnefattigdommen. Det går på direkte målrettede tiltak, som vil medføre en bedre levestandard for dem som er mest utsatt: økt engangsstønad, billigere barnehager for fattige familier, holde kontantstøtte og barnetrygd utenfor utmålingen av sosialhjelp – meget målrettede tiltak som kunne betydd en forskjell. Det har regjeringspartiene ikke ønsket å være med på. Da blir det selvfølgelig mer ord og lite handling, men det tar vi til etterretning. Jeg er selvfølgelig opptatt av det som regjeringen og hele Stortinget har sagt, at arbeidslinjen er uhyre viktig for å bekjempe fattigdom. Men den er ikke tilstrekkelig. Det er også grupper som ikke kommer inn under denne arbeidslinjen, som trenger et sikkerhetsnett som gjør at man får en anstendig levestandard. For å nevne noen tiltak som jeg og Kristelig Folkeparti mener er nødvendige for at vi skal nå de faglige målsettinger som vi egentlig tverrpolitisk stiller oss bak, vil jeg peke på følgende, som vi fra Kristelig Folkepartis side prøver å følge opp i våre budsjetter: Det går på å etablere flere tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne: Det går på å gi fritak for egenandeler for helsetjenester og medisiner for minstepensjonister, uføretrygdede og kronisk syke. Det går på fritaksordning for betaling for tannbehandling for langtidssosialmottakere og deltakere i kvalifiseringsprogrammer. Det går på å normere økte sosialhjelpssatser, og det går på å sørge for bedre Vi ønsker å styrke tiltaksordninger for barn og unge i bysamfunn, og vi ønsker å øke lånerammene i Husbanken, slik at Husbankens sosiale boligbygging kan intensiveres. Jeg er sikker på at de rød-grønne også har lagt merke til at vi i vår skatteprofil ønsker å gi skattelette for dem som tjener minst, mens vi i budsjettet for inneværende år la inn skjerpelse for dem som tjener aller mest. Det tåler de godt, og det er et utmerket signal for å vise at vi ønsker et samfunn hvor forskjellene ikke skal være for store. Det er viktig for meg å si i denne sammenhengen: Det er ikke et poeng å bekjempe rikdom, først og fremst, og tro at man gjennom det bekjemper fattigdom. Det viktige er å bekjempe fattigdommen. Da må vi tillate at noen